og fra representanten Christian Tybring-Gjedde om permisjon i tiden fra og med 6. oktober til og med 8. oktober, begge for etter invitasjon å delta i det åttende møtet i Asia-Europe Parliamentary Partnership i Roma. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og Vararepresentantene for Møre og Romsdal fylke Britt Giske Andersen og for Oslo Peter N. Myhre innkalles for å møte i permisjonstiden. Britt Giske Andersen og Peter N. Myhre er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.00. Presidenten vil foreslå at debatten ordnes slik: Debatten går over to dager og starter med innlegg fra parlamentariske ledere på inntil 10 minutter med etterfølgende replikkrunde på inntil seks replikker, deretter 44 innlegg på inntil 5 minutter, som avvikles i sin helhet på første debattdag, og fordeles slik mellom partiene: Arbeiderpartiet 14 innlegg, Høyre 12 innlegg, Fremskrittspartiet 7 innlegg, Kristelig Folkeparti 3 innlegg, Senterpartiet 3 innlegg, Venstre 3 innlegg og Sosialistisk Venstreparti 2 innlegg. Det åpnes for inntil fire replikker på hvert innlegg etter to av innleggene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og etter et av innleggene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Fem statsråder gis en taletid på inntil 5 minutter hver, med en etterfølgende replikkrunde på inntil seks replikker. Presidenten foreslår at det åpnes for at partiene kan overføre taletiden fra et femminuttersinnlegg til innlegget fra parlamentarisk leder. Etter avvikling av fordelt taletid åpnes det for innlegg på inntil 3 minutter. Tirsdagens møte settes kl. 10.00 og starter med et innlegg fra statsministeren på inntil 15 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil 13 replikker, som fordeles slik: Arbeiderpartiet fem replikker, Kristelig Folkeparti to replikker, Senterpartiet to replikker, Venstre to replikker, Sosialistisk Venstreparti en replikk og Miljøpartiet De Grønne en replikk. Deretter kommer eventuelle resterende

når vi samtidig uroes over internasjonale utviklingstrekk. I Midtøsten skal Gaza bygges opp etter bombingen i sommer. Kampene i Syria fortsetter, og vi ser den grufulle fremferden til ISIL, verdens mest brutale terrororganisasjon. Det er skapt usikkerhet i Europa som følge av krisen i Ukraina og Russlands militære fremferd i strid med folkeretten. Vi går inn i en avgjørende periode for det internasjonale klimaarbeidet med møte i Lima i desember i år og den store klimakonferansen i Paris i 2015. Et viktig mål for utenrikspolitikken er at den skal gjøre innenrikspolitikken mulig. Da gir det seg selv: Norge må fortsette sitt sterke internasjonale engasjement. I Europa skal vi stå sammen med våre allierte og partnere og arbeide for at politiske uenigheter løses politisk, ikke militært. Vi skal arbeide for at samarbeid erstatter økt spenning, og vi skal bidra til en fortsatt positiv utvikling i nordområdene. Vi skal konfrontere ekstremisme og fanatisme sammen med andre land. Vi må bekjempe terroren der den oppstår, og vi må sette sterke krefter inn for å forebygge – ute i verden og i vårt eget land. Det er bra at regjeringen nå løfter fram klima, slik den gjør i trontalen. Vi kan ikke være uberørt av kunnskapen om den globale oppvarmingen. Vi må la klima sette en ramme for alt annet vi gjør. Klima henger også sammen med det som er Norges store utfordringer i tiårene som kommer: Vi blir flere, vi blir flere eldre, og flere trekker mot byene og mot områdene rundt byene. Samtidig er Norge mulighetenes samfunn. Vår oppgave som folkevalgte er å forstå de store spørsmålene i vår tid og vite hva de krever av oss – at vi er villige både til å trekke på viktig erfaring og til å tenke nytt. Arbeiderpartiet vil støtte en politikk der vi velger å møte de største utfordringene som fellesskap. Vi er tydelige på dette: Vi skal bygge landet, og vi skal bygge landet sammen. Vi skal bygge nytt, bygge om, bygge på – boliger, bygninger, infrastruktur bygge og videreutvikle kunnskap og kompetanse på en måte som ser hver enkelt, og gir alle muligheter. Det som motiverer oss, har kjente fellesnevnere fra norsk historie: demokrati, vår felles innsats i små og store fellesskap – fra familien via lokalsamfunnet til nasjonen. At vi greier å holde ulikhetene små og mangfoldet rikt, er helt avgjørende for at vi skal ta vare på og videreutvikle samfunnets tillit, vår sosiale kapital. Et rikt land og en rik befolkning trekker til seg sterke markedskrefter. Vi må møte dem med en tydelig demokratisk kontroll for å sikre en utvikling til beste for samfunnet og generasjonene etter oss. Sterke krefter med svak kontroll fører til at forskjellene mellom folk, generasjoner og regioner øker. Det er en utvikling vi ikke kan ta oss råd til. Politikken må ha en vilje til å styre og til å stille krav til utviklingen. Slik sørger vi for at vi får byområder der det også er rom for barnefamilier at vi har et helsevesen for alle med den nødvendige kompetansen og de tilstrekkelige ressursene, og at vi har en vilje til folkehelsesatsing som prioriterer forebygging fremfor å reparere dyrt at vi tar nye initiativ for å ivareta miljø og klima, med klare mål for energieffektivisering og med mål om mindre sløsing, mer bærekraftig forbruk, mer gjenbruk og mer resirkulering at vi har vilje og ressurser til å støtte opp om vårt nyskapende næringsliv og våre gründere at vi har en aktiv vilje til å motvirke negative ulikheter innen inntekter og formue som følge av ulik tilgang til arbeid, kunnskap og mestring at vi fortsetter å være et land der by og land henger sammen, ikke et land som avvikler vellykkede virkemidler for å ta hele landet i bruk Vi møter nå samfunnsendringer som krever politiske løsninger på sitt beste: i arbeidslivet, der vi er i ferd med å få et samfunnsproblem av dimensjoner i form av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på kunnskapsfeltet, der vi om ikke mange år vil kunne mangle helsevesenet og andre sektorer, som er helt avgjørende for et land som skal bygges innen næringslivet, der vi skal gjennom store omstillinger, der vi ikke vil lykkes fordi vi er billigst, men fordi vi er kompetente og moderne organisert innen helse, der de sosiale forskjellene forsterkes, og der livsstilssykdommene er i sterk vekst, hvor det gjenstår mye arbeid for å forebygge og behandle psykiske lidelser og begrense rusmidlenes ødeleggelser innen eldreomsorgen, der vi må tenke nytt og planlegge, finansiere og bygge for de store demografiske endringene vi står overfor nå og innen klima, hvor vi har et historisk ansvar på våre skuldre Dette er utfordringer som krever gode partnerskap og en mobilisering av alle samfunnets ressurser, menneskelige og materielle – mellom politiske myndigheter og et mangfoldig næringsliv og gjennom et mer aktivt samspill med frivillige og ideelle organisasjoner.

Da må vi legge privatiseringsforslagene til side og samles om tiltak som kan styrke fellesskolen. Arbeiderpartiet vil fremme nye forslag mot sosial dumping og den voksende arbeidslivskriminaliteten som truer viktige kvaliteter i det norske samfunnet. Vi vil foreslå en handlingsplan mot sosial dumping og håper vi får regjeringen og de andre partiene med oss på å handle før den negative utviklingen biter seg ytterligere fast. Vi vil fremme forslag om en tverrpolitisk samling om at vi bevilger 1 pst. av BNI til utviklingshjelp. Arbeiderpartiet vil fremme forslag om en sterkere statlig medfinansiering av viktige kollektivtransportprosjekter i de store byene der utbygging av boliger og arbeidsplasser skjer, der det meste av persontransporten kan gjennomføres til fots, med sykkel eller med kollektivtransport. Arbeiderpartiet vil sikre finansieringen av norsk idrett og se spesielt på breddeidrettens kår. Det er derfor viktig å gjøre noe med etterslepet på anleggssiden. Vi vil fortsette vår sterke satsing på kultur gjennom Kulturløftet. I tillegg ser vi store utfordringer i Medie-Norge, og vi vil foreslå nullmoms på papir og digitale medier. Arbeiderpartiet er rede til å møte flere av sakene regjeringen omtaler i trontalen. Vi er for at kommunene snakker sammen om hvordan de bedre kan løse sine kjerneoppgaver for innbyggerne. Vi merker oss at regjeringen har trukket tilbake flere av sine forslag. Vi vil støtte frivillige sammenslåinger og tilpasning av struktur, og vi understreker det særlige behovet for samordning som finnes i pressområder rundt de største byene. Vi imøteser forslag til en ny politistruktur på grunnlag av den studien som ble igangsatt i vår regjeringstid. Vårt felles mål må være at vi kan møte et kriminalitets- og trusselbilde i endring – det gjelder radikalisering og ekstremisme, organisert kriminalitet og den skremmende utviklingen vi er vitne til på arbeidsmarkedet. Vi er for en satsing på lærerne og håper regjeringen tar imot den invitasjonen de har fått om et bredt skoleforlik. I utenrikspolitikken vil vi fortsette å samarbeide for løsninger med bred og tverrpolitisk tilslutning, enten det er i Ukraina, i Syria eller i Irak, eller i innsatsen mot global fattigdom. Vi kan enes om mye i norsk politikk, mer enn hva posisjon og opposisjon i mange land greier. Det er et gode. Samtidig vil Arbeiderpartiet markere en kritisk holdning til hovedlinjer i regjeringens politikk som vi mener svekker kjernekvaliteter i det norske samfunn – grep vi mener reduserer vår mulighet til å løse de store oppgavene som venter oss. Vi burde forstå og benytte oss av den unike ressursen trepartssamarbeidet utgjør, ikke lukke dørene til den erfaringen og kunnskapen arbeids- og samfunnslivets parter kan gi oss. Regjeringen burde gi partene i arbeidslivet mer medeierskap for å styrke produktiviteten, bl.a. ved å ta dem med i arbeidet i produktivitetskommisjonen fremfor å stenge dem ute. Vi burde prioritere en styrking av fellesskapets sykehus, med lengre åpningstider, løft for IKT, bedre ledelse og organisering og større tillit til de ansatte. Regjeringen burde ikke belaste de ansatte i sykehusene med byråkratiske og kostbare ordninger, der de eneste virkningene er at private skal gjøre mer på bekostning av fellesskapets sykehus. Vi burde utvikle en moderne familie- og likestillingspolitikk som ser behovene hos både småbarnsfamiliene og omsorgsfamiliene. Regjeringen burde jobbe videre for å sikre likelønn og rett til heltidsjobber, ikke sette familie-, integrerings- og likestillingspolitikken i revers med dyrere barnehage for de fleste, kutt i pappaperm og økt kontantstøtte. Vi burde gjøre terskelen til fast arbeid lavere, ikke erstatte fast arbeid med midlertidige stillinger. Regjeringen fremstiller midlertidighet, mer pålagt overtid og mer søndagsarbeid som en oppskrift på «et trygt og familievennlig arbeidsliv». Det skal være godt for arbeidstakere, skilte foreldre og funksjonshemmede, for å sitere statsråden. Men organisasjonene til både arbeidstakerne og de funksjonshemmede har lest forslagene, og de sier nei. Fleksibilitet er et gode og særlig når det bygger på tillit og parter som tar ansvar. Det er ikke et gode når det skal presses gjennom mot den ene parten, med lov og forskrift. Arbeiderpartiet har et annet syn enn regjeringen på fordeling og finansiering av fellesskapets oppgaver. I Sverige var skattekutt høyt prioritert gjennom åtte år med borgerlig regjering. Kuttene økte forskjellene i Sverige i høyere tempo enn i noe annet Regjeringen i Norge har lagt ut på samme vei, med økte ulikheter, redusert velferd og mindre muligheter til felles investeringer. Arbeiderpartiet er åpen for endringer i skattesystemet. Vi er for en grønnere profil, for en innretning som fremmer produktive investeringer, og for et oppsett som stimulerer til arbeid. Men vi sier nei til en kuttpolitikk som gjør oss mer avhengige av oljepengene og Vi avventer forslagene fra Scheelutvalget som vurderer selskapsskatten. Vi er klare for debatten om skattesystemets innretning når rapporten foreligger. Det er en dårlig inngang til denne viktige diskusjonen å prioritere store skattekutt nå. I trontalen varsler regjeringen en rekke reformer og satsinger, bl.a. på velferdsområdet. Vi vil følge gjennomføringen av Om regjeringen er konsekvent, går vi ut fra at den i budsjettet vil gi et tilsvarende løft til kommunenes økonomi, slik at de settes i stand til å løse alle de oppgavene de er blitt pålagt. Vi er ikke overbevist. Vi hører med økende uro hvordan kommuner landet over forbereder til dels omfattende kutt. Arbeiderpartiet vil prioritere å gi kommunene rom til å løse sine oppgaver og sørge for mer penger til omsorg og skole – velferdstjenestene aller tettest på folk. Det er viktig for velferden, men det er også viktig for verdiskapingen og næringslivet. Da er vi tilbake til utgangspunktet: Hvordan løser vi de store oppgavene i vår tid? Arbeiderpartiet ser fellesskapet som en moderne ressurs, som gir hver enkelt av oss større muligheter. Å ha ambisjoner for fellesskapet, det vi kan få til sammen, er en strategi som har gitt gode resultater i historien. Nå er det vår oppgave å sikre at den strategien gir gode svar også for

Jeg gleder meg over at Arbeiderpartiets nye leder har kommet til den samme erkjennelsen som oss: Alle familier er ulike. De har ulike behov og ønsker, og samfunnet må legge til rette for at disse ønskene kan ivaretas. Men det gjelder ikke bare innenfor familiepolitikken. Også innenfor kunnskapspolitikken, klimapolitikken og helsepolitikken har representanten Gahr Støre signalisert at det må tenkes helt nytt. Det eneste som er sikkert, er at en må finansiere alle disse ønskene, Arbeiderpartiet sier jo i sitt partiprogram at de samlede skatter og avgifter skal være på samme nivå som i dag, dvs. i fjor. Hvilke skatter må opp dersom Arbeiderpartiet skal inn? Jeg tror ikke skattene må opp for at Arbeiderpartiet skal inn. Det tror jeg det er velgerne som må være med og avgjøre. Men her var det mange forhold, i et ganske bredt spørsmål. Skatt vil vi tenke med utgangspunkt i hvilke oppgaver vi ønsker å løse. Vi har planlagt for denne perioden et skattenivå som om vi hadde hatt regjeringsansvar. Vi ville finansiert de grunnleggende oppgavene vi må løse innenfor velferd, infrastruktur og de sentrale oppgavene vi løser sammen. Når vi går mot valg i 2017, skal vi vurdere det med det samme utgangspunktet. Vårt mål er at et skattesystem skal være effektivt, at det skal stimulere produktive investeringer, at det skal være rettferdig, investeringer, at det skal være rettferdig, og at det skal være omfordelende. Vi har vist, med erfaring, at vi kan ha et skattesystem som gjør det mulig å ha et konkurransedyktig og et omstillingsdyktig næringsliv, og at vi løser de viktigste velferdsoppgavene. Det vil være vår inspirasjon også når vi skal vurdere skatt for en ny periode. Det var mange gode anslag i innlegget til Gahr Støre. Han er opptatt av at det er mye som som er felles, og som vi skal jobbe sammen om her i Stortinget. Det er jeg enig i. Innenfor samferdsels- og kollektivtrafikken har Arbeiderpartiet nå lovt at de skal øke – og det sa også Gahr Støre i sitt innlegg – den statlige finansieringen av kollektivprosjektene i de fire store byene. Men Arbeiderpartiet har i alle fall tidligere sagt at dette skal skje innenfor den eksisterende rammen av Nasjonal transportplan. Det er bra at Arbeiderpartiet har kommet til at staten bør bidra mer enn de selv var villig til å gå inn for i regjering. Så lenge dette skal skje innenfor NTP-rammen, hvilke prosjekter i Distrikts-Norge skal få mindre når de store byene skal få mer? La meg minne om at det store løftet på samferdselsområdet kom i vår regjeringstid – særlig innenfor jernbane, men også innenfor vei. Vi tok også mange andre organisatoriske grep. Det vi har pekt på, er at utfordringene i de store byene, som krever at vi bygger nytt der folk skal bo og arbeide, må ses i sammenheng med kollektivtrafikken, slik at vi kan bruke kollektivtrafikk fremfor biler. I bymiljøpakkene, som lå inne i vår transportplan med 26 mrd. kr, hadde vi lagt opp til det første anslaget for hvordan dette kunne skje, med en finansiering opp mot 50 pst. Vi mener at med de utfordringer vi har nå i årene som kommer, bør vi i de fire største byene i de pressede områdene kunne øke til 70 pst. Det må da reflekteres i budsjettsatsingene våre

innenfor denne sektoren, mens det man leverte fram til utgangen av 2013, var 1 976 plasser. Hvordan mener representanten man skulle klart å få på plass de 12 000 nye plassene, når man så hvor kort man var kommet i sin regjeringsperiode?

Vi mener at det har skjedd en vesentlig opprusting av omsorgssektoren i vår tid, bl.a. gjennom sterk satsing på kunnskap og kompetanse hos dem som jobber i sektoren. Men vi har også erkjent at vi har noen store utfordringer og noen mål vi ikke har nådd når det gjelder heldøgns omsorgsplasser. Det har ført til at vi nå er inne i en ganske grundig gjennomtenkning av hvordan vi som fellesskap bør prioritere midler og satsinger for å møte disse utfordringene. Økningen i antall eldre kommer om fem–seks år. Det er veldig kort tid – det er omtrent den tiden det tar å planlegge og å bygge nye plasser. Vi deltar gjerne i samtaler med regjeringen og andre om hvordan det kan gjøres på best mulig måte. Eg òg vil gjerne få gratulere Jonas Gahr Støre som leiar av Arbeidarpartiet. Eg er

Audun Lysbakken, Gahr Støres nære allierte, er negativ til dette. Kva tenkjer Arbeidarpartiet og Gahr Støre om dette? Slik jeg har hørt representanten Lysbakken, har han ikke uttrykt seg negativt til det å gjøre barnehageplasser noe rimeligere for dem som er aller vanskeligst stilt. Men han har påpekt et poeng jeg vil slutte meg til, nemlig: Hvordan fordeler man helheten? Her skjer det en omfordeling innen barnehagene. Vi mener at vi i samfunnet som helhet burde ha funnet ressurser hos dem som har de sterkeste skuldrene, til å betale for at de barnehageplassene blir noe billigere. Det som er viktig med denne reformen, og som vi må studere nærmere, er om ikke noe annet er i ferd med å skje, nemlig at neste gruppe familier med en ganske knapp økonomi vil oppleve dyrere barnehager, som gjør at de ikke velger barnehager. Derfor er dette nullsumspillet innenfor barnehageøkonomien noe vi er kritisk til. Vi vet at noen grupper foreldre, f.eks. enslige foreldre og andre, vil kunne komme i en situasjon hvor det å velge bort barnehager vil bli resultat som følge av denne reformen. Så her er det fordelingsgrepet jeg er kritisk til, og som jeg har oppfattet at representanten Lysbakken – som utmerket godt kan snakke for seg selv – er kritisk til. Jeg vil også benytte anledninga til å ønske Gahr Støre velkommen som opposisjonsleder. Hvis han trenger noe erfaringshjelp, kan han gjerne få det fra andre, sjøl om vi har planer om at det ikke skal vare så lenge, men det har vi vel begge to. Jeg har lyst til å stille et spørsmål om noe som Gahr Støre sa i sommer, men som viste seg etterpå ikke å være – jeg skal ikke si at det ble sagt med ljugekors – helt alvorlig ment. Vi står overfor en utrolig Noe av løsninga handler om at all oljen i verden ikke kan pumpes opp. Norge bidrar ikke så mye til å kutte der, men nå har vi faktisk en regjering som har en avtale med to partier i Stortinget om ikke å bore i et område, nemlig Lofoten og Vesterålen, fordi det er et så unikt naturområde. Er det noe område i Norge hvor Gahr Støre ser for seg at det ikke skal pumpes opp olje fordi det faktisk har så stor verdi også som naturområde? Svaret på det er ja. Vi har jo en rekke områder som i dag ikke er åpnet for slik boring, Skagerrak f.eks. og områder langs vår kyst hvor det ikke er åpnet for boring. Situasjonen er jo den også, som representanten viser til, i Lofoten og Vesterålen og andre steder. Så dette er Arbeiderpartiets holdning og må gjøres veldig erfaringsbasert. Vi har helhetlige forvaltningsplaner som har tjent oss vel i den sammenheng. Til spørsmålet: Jeg mener jeg har uttrykt meg på den måten at skal vi nå IEAs mål, ser vi et globalt bilde, at det vil bli liggende fossile brensler under bakken når denne oljealderen en gang er over, og vi kan ikke være uberørt av å følge det. Men god norsk ressursforvaltning handler om å ha et høyt og stabilt letenivå som gjør at vi kan levere olje og gass med lave utslipp til et verdensmarked som kommer til å etterspørre det i årene som kommer, samtidig som vi tar vårt globale klimaansvar på alvor, og at vi har et våkent øye for hva natur og miljø krever når vi driver virksomhet utenfor vår lange kyst.

de neste femten år, enten vil låse oss inne i en framtid med økende forurensing, eller hjelpe oss i å bevege verden over i en mer bærekraftig, Få av de prosjektene som vi vil komme til å behandle her i Stortinget de neste årene, er et bedre eksempel på akkurat dette enn utbygging av ny E18 mellom Bærum, Asker og Oslo, som planlegges med 14 felt. Men det er altså hvis vi investerer i å låse inne fossile utslipp, at vi ikke vil lykkes. Vil Jonas Gahr Støre være med på å ta en ny vurdering av dette prosjektet i lys av at vi må løse klimaendringene? Gahr Støre være med på å ta en ny vurdering av dette prosjektet i lys av at vi må løse klimaendringene? For det første er den FN-rapporten svært god og tankevekkende. Den viser til at to byer av omtrent samme størrelse, Atlanta i USA og Barcelona i Spania, har ti ganger forskjell i klimautslipp fordi de har bygget og planlagt for hvor folk bor, og hvordan de reiser, på ulik måte. Det bør også inspirere måten vi bygger på. Nå skal ikke jeg gå inn i allerede vedtatte planer for hvordan men i mitt innlegg var jeg ganske tydelig på at den byplanleggingen vi må drive, bør bli en hovedstrategi i måten vi driver klimaarbeidet på, noe som bl.a. tidligere miljøvernminister Solhjell var en talsmann for, og den regjeringen jeg deltok i. Da kan vi heller ikke være helt stillestående i måten vi ser på finansieringsordninger og andre ordninger som stimulerer til ikke minst kollektivsatsingen, noe jeg var inne på i mitt innlegg. Jeg er helt sikker på at i vår hovedstad, som er blant de raskest voksende i Europa,

Ukraina framsto som ett land med ubestridte grenser, ikke et splittet land, delt mellom dem som vil orientere seg mot vest, og dem som ser mot Russland. Når verden endrer seg, må norsk politikk følge etter. Derfor må vi være mer bevisste enn før på å bekjempe radikalisering hjemme og ute. Vi må være klare til å bidra som best vi kan til å skape ro og stabilitet i verden. Det tjener Stortinget til ære at vi stort sett kan finne sammen om hvordan Norge best bidrar i slike situasjoner. Fordi verden endrer seg, kan ikke partiene på alle områder utelukkende ta utgangspunkt i hvor vi sto før valget. Når bildet endrer seg, trenger vi et bredest mulig ordskifte om utfordringene vi står overfor. Regjeringen har derfor bedt forsvarssjefen om et fagmilitært råd som skal ligge til grunn for Forsvarets framtidige struktur og sammensetning. Dette er et første steg på veien mot en ny langtidsplan som dette storting skal samarbeide om. Samarbeid og kompromisser er en nødvendighet i vårt demokratiske system. Partiene blir enige når vi kan, fordi vi må. Vi trenger hverandre. Det er bra. Et godt år etter valget er det gledelig å se at parlamentarismen er revitalisert. Viktige saker avgjøres igjen i dette hus og i denne sal. Det er sunt for demokratiet og den offentlige debatten. Året har også vist at samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fungerer godt og sikrer alle partiene betydelig innflytelse. Det gleder jeg meg over, fordi vi gjennom vår skapende uenighet og samlende enighet gir våre velgere den politiske endringen de ba om. Samarbeidet gir gode løsninger for menneskene i vårt land. Den parlamentariske situasjonen har også gitt andre partier, i samarbeid med regjeringspartiene, gjennomslag i saker som de hadde lovet sine velgere. Det er en styrke for demokratiet. Valget i 2013 ga de fire samarbeidspartiene en historisk sterk oppslutning i befolkningen. Ønsket om ny politikk har nesten aldri vært uttrykt sterkere. For egen del lovet Høyre velgerne nye ideer og bedre løsninger. Det leverer vi på – i godt samarbeid med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det finnes ikke tvil: Velgerne ville ha endring. De mente at det var mulig å anerkjenne at selv om det er mye som går bra i Norge,

og det er for mange som faller gjennom. Hullene må tettes, og flere må kunne stå på egne ben. Flere må få den hjelpen de trenger. Velferdssamfunnet må finansieres fordi det er den eneste måten å sikre varig velferd på. Derfor må konkurransekraften styrkes og trygge arbeidsplasser skapes. Vi må skape mer, ikke skatte mer. Vi har sviktet mange av dem som trenger samfunnets hjelp aller mest: Barn i barnevernets omsorg, psykisk syke og rusmisbrukere. Derfor har vi prioritert å kjøpe ledig kapasitet hos private for å få ned køene innenfor rus og psykiatri. Vi har prioritert tilpasset skoleundervisning i barnevernet. Dette er viktig for at flere kan stå på egne ben og mestre samfunns- og arbeidsliv. Altfor mange venter unødvendig lenge i helsekø og går sykmeldt framfor å være i jobb. Regjeringen vil derfor ta i bruk ledig kapasitet hos private og ideelle for at flere kan behandles raskere – på det offentliges regning. Summen er at vi forbedrer velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet må finansieres, fordi det før eller siden faller sammen hvis det ikke er bærekraftig. Skal velferdssamfunnet finansieres, må inntektene fra fastlandsøkonomien opp, fordi vi går mot en framtid hvor oljeinntektene går ned. Derfor gir regjeringen skattelettelser til norske bedriftseiere og vanlige arbeidsfolk for at det skal lønne seg å jobbe og for at det skal lønne seg å skape arbeidsplasser, som er fundamentet for varig velferd. Vi forbedrer satsingen på forskning og innovasjon i dag – for å skape ideene og løsningene verden kan leve med, og som Norge skal leve med og av, i framtiden. Regjeringen fornyer og forbedrer byggingen av vei og bane for at vi skal få bedre samferdsel raskere. Vi skaper en mer effektiv og digital offentlig sektor. Når vi forenkler, blir det lettere for eieren av bilverkstedet å drive effektivt. Det blir lettere å være bedriftseier. Kanskje kan han ta inn en ny lærling? Slik skapes en ny arbeidsplass og muligheter for en ny generasjon. Summen er at vi gjør det lettere å skape verdiene og arbeidsplassene som finansierer velferden. Det viktigste for å sikre varig velferd er å gi barna våre muligheter: en god skolegang, en trygg jobb i et yrke som gir muligheten til å gjøre de samme grepene, var følgende: Fordi de var enige i alle tiltakene, kom Lærerløftet for sent. Det burde vært på plass før. Dette er en knusende kritikk av den rød-grønne regjeringens handlingslammelse i skolepolitikken som det er vanskelig å være uberørt av eller uenig i – særlig når det kommer fra dem selv. Lærerløftet er et løfte til norske elever: De skal lære mer, og de skal få kunnskapen som gjør dem i stand til å møte livet med de beste forutsetninger, slik at de kan ta det ansvaret de får og finne den plassen i livet de ønsker. Det finnes ingen tvil: Velgerne ønsket ny politikk. Folk flest ville ha en enklere hverdag. Små saker er også verdt å bry seg om fordi summen av små belastninger kan bli stor. Det er heller ikke et politisk hedersmerke å ignorere hverdagslige utfordringer fordi de ikke er viktige nok målt mot andre spørsmål. Politikere som er så opptatt av de store spørsmålene at de ikke kan være brydd med de små, representerer ikke folkets beste interesser. Vi gir velgerne mer tillit og valgfrihet, fordi vi mener de vil det Menneskene i dette landet har skaperkraft og skapertrang. Gir vi hver enkelt – og små og store fellesskap – større rom til å utfolde seg, forbedrer vi også velferdssamfunnet. Velgerne tok klimautfordringen på alvor. Derfor stemte de inn et politisk flertall som ikke ville peke på klimaforliket, men som ville forsterke det. Vi er godt i gang: milliardsatsing på klimateknologi, mer penger til kollektivtrafikk og raskere utfasing av fyring med fossil olje. En grønn skattekommisjon er nedsatt, og Statens pensjonsfond utland har fått mandat til å øke de grønne investeringene. Avskrivningsregler som skal få fart på utbyggingen av fornybar energi i Norge, lanseres nå. Det grønne skiftet er ikke på vei – under denne regjeringen er det i gang. Mange velgere opplevde at reglene for arbeidslivet ikke samsvarte med familielivet eller ga dem de mulighetene de ønsket. Derfor fikk vi et klart mandat til å fornye, forenkle og forbedre lover og regler, slik at flere kan få fleksibiliteten de ønsker, og flere kan få mulighetene de trenger. Velgerne så en offentlig sektor med behov for å bli mer i tråd med resten av samfunnet, mer tilgjengelig, mer digital, mer fleksibel og bedre i stand til å løse de viktigste velferdsoppgavene. Vi fikk mandat til å gjennomføre, og vi gjennomfører. Men også i utenrikspolitikken, hvor det er stor enighet om de store linjene, er det endringer med et nytt flertall. Vi ser det kanskje tydeligst innenfor bistandspolitikken. Regjeringen har sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre blitt enige om at vi skal prioritere resultater i utviklingshjelpen, og at vi best oppnår det gjennom å satse mer på jenters utdanning i fattige land – samt helse. Det er å forbedre og finansiere velferd i verden. Alle partiene i denne sal har én ting felles, som jeg mener er viktig å anerkjenne i den videre debatten: Vi vil det beste for våre medmennesker. Men med ulike ideologiske utgangspunkt får vi også ulike syn på hvordan den praktiske politikken skal utformes. Derfor er vi ulike partier. Vi gjør hverandre bedre når vi kan utfordre hverandres ideer og løsninger. Vi gjør hverandre dårligere når vi mistenkeliggjør hverandres verdier og motiver. Jeg håper vi i denne debatten skal bruke tid på å gjøre hverandre bedre. Det tror jeg vil tjene oss alle.
Det åpnes for replikkordskifte. Jeg er

Nå vet vi at nordområdene blir påvirket av det internasjonale klimaet, ikke på grunn av noe som er oppstått i nord, men fordi nordområdene igjen – som tidligere – erfarer at når det er et kaldere internasjonalt politisk klima, får det også konsekvenser i nord. Men det undrer meg å se hvordan regjeringen, på område etter område, unnlater å følge opp den satsingen som var over bred front – på kunnskap, næring, kultur og forskning i nord og at profilen til nordområdene, som var noe Norge brukte aktivt i utenrikspolitikken og innenrikspolitikken, er blitt så til de grader dempet. Hvordan ser representanten Helleland på nordområdene som politisk satsingsfelt og prioritet for Norge? Det er veldig viktig at Gahr Støre tar opp det temaet – det ser jeg på som svært viktig. viktig. Nå er det en dag eller to til budsjettet kommer, og jeg er sikker på at representanten Gahr Støre vil oppleve at regjeringens nordområdesatsing ikke bare videreføres, men blir forsterket fra det den forrige regjeringen la opp til. Vi har kommet i en vanskelig diplomatisk situasjon internasjonalt på grunn av Russlands aggresjon mot Ukraina. Men regjeringen har også, med full støtte fra Arbeiderpartiet med flere, sagt at

har, må utnyttes på en positiv måte for hele landet, og det vil denne regjeringen gjøre. Jeg vil advare mot å gjøre dette til en Nord-Norge-satsing. Nordområdesatsingen er en satsing for hele Norge, hvor vi trekker med på det som skjer i nord. Men jeg vil stille et spørsmål tilbake til det med kommuneøkonomien. Representanten var opptatt av at de små sakene er viktige. Vel, de små sakene er ofte de som er nærmest der vi bor, og der vi lever, og veldig mye av det kommunene har ansvar for, er både små og store saker i menneskers liv. Forrige gang Høyre satt med regjeringsmakt, var det stort engasjement i forhold til kuttene i kommuneøkonomien rundt om i Norge i mange kommuner. Så langt har vi sett at kommunene mener det økonomiske opplegget som regjeringen varslet for 2015, er for trangt til å oppfylle regjeringens egne forventninger. Vi har også sett at regjeringen ikke ville kompensere underfinansieringen fullt ut da etterspørselen etter barnehager viste seg å være høyere enn det som var lagt til grunn. Så spørsmålet mitt er nå – også før budsjettet kommer: Er det en generell vilje til reelt å finansiere kommunenes oppgaver – det de har ansvaret for? Og når man gir dem nye oppgaver, slik vi kunne lese av trontalen, vil det også bli etterfulgt av nye penger? Høyre har i mange år vært opptatt av at når kommunene får nye oppgaver, skal disse også finansieres. Vi har vært opptatt av en god og sunn kommuneøkonomi, samtidig som vi ønsker å stille krav til kommunene – og ikke minst til statlig sektor – om å effektivisere, om å få mer ut av pengene. Jeg tror den bekymringen som nå bygger seg opp rundt kommuneøkonomien, vil bli besvart på onsdag. Jeg tror regjeringen vil vise at kommunene er hjørnesteinen i velferdssamfunnet; det er kommunene som legger grunnlaget for den satsingen vi kan gjøre på skole, på helse, på forebyggende arbeid og andre ting. så veldig. Denne regjeringen har tenkt å bidra til at norske kommuner skal kunne produsere de velferdstjenestene som vi alle her i dette huset er enige om, og da er en avhengig av at en har en god og sunn kommuneøkonomi, samtidig som en kan stille krav til kommunene om å levere mest mulig for de pengene de får. Vi merker innen flere samfunnsforhold en betydelig sentralisering i landet vårt. Kristelig Folkeparti er

også på små steder. En aktiv distriktspolitikk innebærer jo ganske mye, bl.a. regionale utviklingsmidler, som er viktige for å løse utfordringer i distriktskommuner. Kommunale næringsfond er viktige for både næringsliv og nyetableringer. Midler til Innovasjon Norge er et annet eksempel på bidrag til lokal og regional verdiskaping. Representanten nevnte i sitt innlegg at vi skal forbedre velferdssamfunnet, skape mer. velferdssamfunnet, skape mer. Spørsmålet til Høyres parlamentariske leder er derfor: Bortsett fra skattelette, hvordan ser Høyre på behovet for regionale utviklingsmidler og andre distriktsmidler i tiden framover? Jeg har hatt gleden av å sitte først fire år i transportkomiteen og deretter fire år i kommunalkomiteen. Da jeg satt i transportkomiteen, var det mange demonstrasjoner utenfor dette hus. Det var mange som møtte oss når vi var ute og reiste, og som krevde bedre veier, bedre infrastruktur. Det er den beste distriktspolitikken. Så satt jeg i kommunalkomiteen. Det var da jeg måtte konstatere at jeg ikke hadde sett noen demonstrasjonstog for jeg hadde sett mange som ønsket kommunale næringsfond, inkubatorer, styrking av det lokale høyskolemiljøet, forskningsmiljø osv. Konklusjonen er vel egentlig: Vi ønsker å satse på infrastruktur, det er vår hovedsatsing. Så vil vi naturligvis også satse på distriktspolitikken, men jeg tror ikke regionale utviklingsmidler er det som står øverst på I likhet med Kristelig Folkeparti er Senterpartiet bekymret for hva en del av regjeringens forslag kommer til å bety når det gjelder sentralisering i samfunnet. Noe av det mest konkrete i trontalen er jo spørsmålet om strukturendringer – innafor politiet, når det gjelder kommuner, når det gjelder høyere utdanning, forsøk med statliggjøring av eldreomsorgen og også det og også det at offentlige sykehus skal ta regningen for såkalte frie behandlingsvalg. En del av de strukturendringene har jo det ved seg at det er stor sjanse for at det samtidig blir økt byråkrati – økt statlig byråkrati og økt statlig styring. Det bekymrer høringsinstansene bl.a. når det gjelder fritt behandlingsvalg for sykehus. I hvor stor grad deler Høyre i hvor stor grad ser en faren for at en del av endringene en foreslår, kan føre til økt statlig byråkrati og også statlig overstyring? Fokuset for vår politikk er det enkelte mennesket – at det enkelte mennesket i dette land, om man er pasient, om man er bruker, om man er elev, osv., skal få et best mulig tilbud. Det er utgangspunktet for vår politikk, det er det vi former politikken rundt, og det er derfor vi ønsker å forandre og forbedre. Så vil vi i mange saker få diskusjoner. Det er jo mange reformer, som Marit Arnstad nå lister opp, som ennå ikke er kommet i gang, eller som ennå ikke er vedtatt. Vi skal sammen i Stortinget utforme dette, og jeg tror at det innenfor både kommunestruktur, statlige høyskoler osv. er rom for forandringer å gå videre med de reformene vi har startet, og vi inviterer Stortinget til samarbeid om å få dette til. Jeg vil vel si at den forrige regjeringen Høyre satt i, desentraliserte betydelig mer når det gjaldt statlig makt, enn det Marit Arnstads egen regjering gjorde. Hvem var det som brakte direktorat og andre ting ut av Oslo? Det var ikke Senterpartiet, det var Høyre. Det er

gjenreise respekten for lærerjobben i Norge i dag, kreves det en bredde av tiltak. Og det som forundrer meg mest med Høyre i skolepolitikken, er at man er veldig for å løfte lærerjobben, og man har blitt med på veldig mange av de tiltakene som Venstre har terpet på de siste åtte årene, men det er ett tiltak man ikke vil gå inn for: kutt i Så mens Jan Tore Sanner freser rundt i landet og forteller hvor mye han skal kutte i byråkratiet, hvor mye forenkling man skal ha og hvor mye mindre byråkratene skal måtte forholde seg til papir, er det lærerne som blir sittende igjen med papirbunkene. Hvorfor vil ikke Høyre være med på å kutte byråkratiet hos lærerne også? Jeg deler gjerne æren med Trine Skei Grande om desentraliseringen under Bondevik

Vi skal naturligvis ikke holde fast ved byråkratiske ordninger for byråkratiske ordningers del. Vi er villige til å se på endringer som gjør at hverdagen for lærerne blir enklere. Det er derfor det er så fint at vi har en samarbeidsavtale, for da kan vi sette oss ned og prøve å bli enige om dette. Representanten Helleland snakket om at vi ikke skal mistenkeliggjøre hverandres motiver og verdier. Det er jeg helt enig i. Da er det interessant å merke seg at regjeringen har varslet kutt i ytelsene til kronisk syke mennesker, uten at man vil oppgi tall på hvor mange flere som liksom kommer i arbeid av det. Det er oppsiktsvekkende nok, synes jeg. Men i tillegg sier Høyre til Dagens Næringsliv i helgen at man forventer kutt i barnetillegget til uføre. Siden Helleland snakket så fint om de hverdagslige utfordringer, kunne jeg tenkt meg å få et svar på dette: Hvis man er barneforsørger og er lam etter en trafikkulykke, eller har alvorlig Parkinsons sykdom eller multippel sklerose – hvilken forskning kan Helleland vise til som viser at mindre penger å rutte med til klær og utstyr til barna, på magisk vis gir bedre helse, mindre sykdom og umiddelbart økt arbeidsevne?

med ett utgangspunkt, nemlig at vi skal ta vare på våre medmennesker og gjøre livet enklere for dem. Da må vi kanskje gjøre noen grep, men alt det Serigstad Valen nå listet opp, er ikke nødvendigvis den politikken vi vil føre, for han setter ting på spissen og mistenkeliggjør andres motiver. Replikkordskiftet er omme. Det 159. storting er åpnet, og
Harald T. Nesvik

da regjeringen styrer etter den politiske plattformen som er utgått fra regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet. Dette er en plattform som skal gjelde for fireårsperioden som vi nå er cirka ett år inne i etter tiltredelsen. Således vil noen av de endringene som der er varslet, ta noe lengre tid enn dette ene året som nå snart ligger bak oss. Men

man møter en problemstilling allerede ved etablering av bedriften hvis man er norsk eier. Videre har regjeringen avskaffet den meget forhatte arveavgiften. Dette er også helt i tråd med det regjeringen varslet ved sin tiltredelse. I tillegg har denne regjeringen nå fått på plass en lovfestet ordning med brukerstyrt personlig assistanse, som er en ordning som er helt nødvendig for å sikre personer med alvorlige og sterke funksjonshemninger muligheten til selv å kunne ta kontroll over eget liv og hjelp, slik at de kan delta i samfunnslivet på en mest mulig lik måte som funksjonsfriske. BPA-ordningen gir den enkelte større kontroll over egen og styringen med den hjelpen en skal motta. Det er gjort en rekke styrkinger innenfor sykehussektoren. Det bygges flere sykehjemsplasser, og politiet har fått styrket sine budsjetter. I tillegg er vi nå endelig i gang med en betydelig satsing innenfor samferdselsfeltet. Lærerne har fått et løft hva gjelder etterutdanning, og vi klarer nå å og vi klarer nå å få uttransportert flere personer som ikke har lovlig opphold i Norge, enn det den rød-grønne regjeringen i sin tid fikk til. Regjeringen leverer på de områdene den har varslet at den vil levere på, men det som vi fram til nå har sett, er bare begynnelsen på det som man Gjennom trontalen varslet regjeringen en rekke større reformer som er helt nødvendige for å kunne møte framtiden med en offentlig sektor som er rustet til å møte framtidige utfordringer med framtidens løsninger, ikke gårsdagens. Vi ser stadig at befolkningens forventninger til effektive og

I tillegg ser vi at framveksten av et meget stort antall interkommunale selskaper, unntatt for folkevalgt kontroll, skaper betydelige utfordringer. Det er dette som er grunnen til at regjeringen nå har satt i gang den største satsingen på en demokrati- og regionreform vi har sett på mange, mange tiår. I den forbindelse vil Fremskrittspartiet gi honnør til regjeringen når det gjelder hvordan man tenker gjennomført selve reformen. Dette er først og fremst en reform der man vil se på hvilke oppgaver som skal tillegges framtidens kommuner, og hvilket ansvar man der skal få, og ikke først og fremst tegne selve kommunekartet. Det er viktig å ha kommunene med på laget, og vi ser allerede at en rekke kommuner har igangsatt et arbeid der de ser på muligheten for å kunne slå seg sammen med nabokommuner. Regjeringen griper fatt i de store sakene og reformene og vil i 2015 komme til Stortinget med første del av prosessen hva gjelder framtidens oppgaver nettopp innenfor denne sektoren.

en trygghet for at dersom behovet for hjelp fra politiet er til stede, så skal dette kunne gis innenfor rimelig tid. Vi ser i dag at det er store variasjoner i den politidekningen som finnes, når vi regner dette i antall polititjenestemenn per 1 000 innbyggere. Det er en uttalt målsetting at vi skal arbeide for en politidekning på 2 tjenestemenn per 1 000 innbyggere, mens vi i dag er helt nede i 1 per 1 000 i enkelte slik man bl.a. ser på Sunnmøre. Skal vi klare å få mer ut av de ressursene som allerede er tilgjengelige, er vi nødt til å tenke annerledes og organisere oss på en slik måte at vi får mest mulig ut av de operative tjenestemennene og få dem ut der befolkningen føler at behovet er størst. Da har vi også behov for å bruke mindre tid på administrative Dette innebærer at vi må finne fram til en mer optimal modell hva gjelder antallet distrikter og hvordan en skal få mest mulig politikraft igjen for pengene vi bevilger i denne sal. Dette må skje i tillegg til at man styrker politiets og domstolenes budsjetter i årene som kommer. Derfor er det viktig at man har gjort et godt og grundig arbeid med den varslede politireformen som vil bli lagt fram for Stortinget i nær framtid. Regjeringen leverer som sagt på de større og omfattende reformene, slik at innbyggerne skal kunne føle trygghet for liv og helse. Regjeringen viser også på dette området handlekraft for å gi innbyggerne trygghet. Dersom man spør innbyggerne hvilke områder som opptar dem mest, vil svært mange svare helse- og

Undersøkelser viser at Norge ikke bruker så mye mer enn land vi liker å sammenligne oss med, når det gjelder midler til spesialisthelsetjenesten. Men dette vil ikke si at vi ikke har behov for endringer i organisering i tillegg til mer penger til pasientbehandling. Dersom vi skal klare å få redusert de lange køene og er i helsevesenet, er det viktig at vi tenker nytt og alternativt. Derfor har regjeringen varslet at man kommer til Stortinget med en ny helse- og sykehusplan allerede neste år. Vi har mange store og uløste oppgaver som vi ønsker å få gjort noe med. Regjeringen leverer på område etter område. Man kommer med endringer både innenfor infrastruktur for å få på plass et veiselskap og en større satsing innenfor kollektivtrafikken. Vi kommer med tiltak for forenklinger og forbedringer slik at små og mellomstore bedrifter lettere skal kunne få etablert seg og ikke minst bruke mindre tid på byråkrati og Vi tar de store oppgavene og de store reformene og gleder oss til å komme i gang med arbeidet. Det blir replikkordskifte. Kampen mot skatter og avgifter og budskapet om at enkeltmennesket må ta større ansvar for seg selv, er

I år har regjeringen bevilget mellom 8 og 9 mrd. kr i skattekutt til dem som har mest fra før. Det er omtrent dobbelt så mye som det som er varslet som vekst i de frie inntektene til år. Finansbyråden i Bergen, Liv Røssland fra Fremskrittspartiet, har sagt om kommuneopplegget at dette er meldinger som er veldig alvorlige for Bergen kommune. Samlet framviser hun at de får 150–180 mill. kr mindre neste år. For dem er dette ikke lystelig. Da lurer jeg på: Hva mener Fremskrittspartiet er viktigst for folk flest når man må velge – er det skattekutt til dem som har mest fra før, eller er det penger til barnehage, skole, helse og eldreomsorg?

garantist for at man prioriterte skattekutt framfor kommuneøkonomi. Er det erfaringene fra den tiden man nå tar med seg til budsjettet når det legges fram på onsdag? Det er svært viktig at man kan gjøre flere ting på én gang i et statsbudsjett. Størrelsen på statsbudsjettet åpner for og gir en mulighet til nettopp det. Denne regjeringen leverer på en rekke områder som den forrige regjeringen unnlot å levere på. Mens den forrige regjeringen sørget for at vi fikk 270 000 personer i helsekø, jobber denne regjeringen for å få redusert køen, slik at vi kan få personer raskere tilbake i arbeid, som igjen medfører økte skatteinntekter som vi kan bruke bl.a. på velferdsordninger.

gode tjenester, ikke skal bli skadelidende på grunn av dårlig kommuneøkonomi eller kanskje også – for noen – feil prioriteringer. Er det ikke bedre å sørge for at kommunene faktisk får så god kommuneøkonomi at de kan tilby sine egne eldre en verdig omsorg, og sikre at der er lovfestede rettigheter som kommunene må følge opp for å få de for å få de pengene det er snakk om, og for å sikre eldreomsorgen, i stedet for å flytte pengene over til staten? Noe av det som står i regjeringserklæringen, er at man skal se på muligheten for å få på plass en lovfesting av rett til sykehjemsplass innen eldreomsorgen. Men problemet i Norge i dag er at det er 428 kommuner. Det vil si at det er svært store variasjoner kommunene imellom. imellom. Da er mitt store spørsmål følgende: Skal det være slik at det fortsatt er kommunegrensene som er avgjørende for hvorvidt man får de ulike tjenestene eller ikke, eller bør det være slik at man sørger for at det er de enkeltes behov som er utslagsgivende? Derfor ser vi på ulike modeller, og nå skal man i gang med en prøveordning der man ser på en statliggjøring på finansieringssiden. Det er ikke snakk om at staten skal overta ansvaret for eldreomsorgen. Det er finansieringsansvaret som man skal overta. Der vil man se på en prøveordning før man eventuelt trekker en endelig konklusjon. Vi er inne i en tid med mye usikkerhet i Europa. Det fører til behov for satsing på beredskap. Fremskrittspartiet og

sa representanten Nesvik følgende til Dagens Næringsliv 27. september: «Ingen statsråder går mot et landsmøte. Så enkelt er det.» På spørsmål om det gjelder uansett, svarer Nesvik: «Ja, ingen statsråder går mot et landsmøtevedtak.» Kan representanten Nesvik bekrefte at dette også gjelder i spørsmålet om beredskapslagring av matkorn?

Storleiken til fondet gjer at 3 pst.-grensa i dag medfører eit monaleg større handlingsrom enn 4 pst.-grensa gjorde for berre få år sidan. Norsk økonomi toler ikkje at me går utover 3 pst. Det vil òg vera direkte usolidarisk med komande generasjonar å falla for ei sånn lettvinn løysing. Innlegget frå Nesvik og frå statsbudsjettet tyder på at Framstegspartiet er samd i eit sånt resonnement, og at handlingsregelen etter alle praktiske føremål kan senkast til 3 pst., slik Venstre vil. Eg er likevel litt forvirra med tanke på kva m.a. nestleiarkollegaen min Sandberg uttalte i sommar. Kva meiner eigentleg Framstegspartiet om handlingsregelen og praktiseringa av han? Er Framstegspartiet samd med Venstre i at 3 pst. er ei langt meir

måte. Onsdag legges statsbudsjettet fram. Jeg er helt sikker på at representanten Breivik kommer til å gjøre seg opp en mening etter den tid. Et av de feltene i trontalen og i regjeringens politikk som Miljøpartiet De Grønne ser på med veldig stor interesse, er den økte vektleggingen av satsingen på å utvikle nye arbeidsplasser i annet næringsliv enn i oljesektoren. Vi ser også med interesse på at man sier det, samtidig som man understreker at klimautviklingen må være rammen for annen politikk. Og det mest håndfaste regjeringen har gitt uttrykk for hittil når det gjelder klimapolitikk, er det hyppig gjentatte løftet om en forsterkning av klimaforliket. klimaforliket. Da er spørsmålet: Kan Nesvik nå lette litt på sløret og fortelle oss hva denne forsterkningen vil innebære? Nå tror jeg vi skal vente til finansministeren legger fram statsbudsjettet. Jeg tror ikke det er riktig at undertegnede skal begynne å synse rundt det, for jeg kjenner heller ikke hele innholdet i det, så det tror jeg vi skal vente med til onsdag. Men allerede i det året vi har bak oss, har vi sett en rekke tiltak.

ved å vise til eit brev som to misjonærar, som heiter Kristin og Erik Bøhler, har skrive. Dei er misjonærar i Nepal, og dei skreiv eit brev til sine naboar i Nepal for å fortelje om Noreg. For at det fanst eit slikt land, kunne naboane i Nepal knapt tru. «Kjære naboer i Nepal Nå som våpenhvilen mellom maoistene og myndighetene er slutt, så volden i landet øker og håpløsheten brer seg igjen, vil vi fortelle dere om et annet land vi kjenner: Det finnes et land der de har elektrisk strøm. Ikke bare av og til, og kanskje nok til lyspærene, slik som i byene her i Nepal. Nei, der kan man skru på strømmen når man vil! Det er så mye av den at vanlige folk bruker den til oppvarming og matlaging. Og de har hus som er så tette at det er varmere ute enn inne. Det kan bli så varmt inne at de må ta av seg genseren, selv om det er iskaldt ute. Det er sant! Vanlige mennesker der har nok mat. Hver dag. Og alle kjøper med penger, de bytter ikke f.eks. grønnsaker mot ris, eller arbeid mot mat. Mange av familiene der har til og med mat til overs. Den blir ofte kastet, for de vet ikke hvor de skal gjøre av den. Nei, de orker ikke spise alt selv. Ja, det er langt dit. Det har vært fred i det landet siden vi ble født, enda så gamle vi er. Du ser nesten aldri politi eller soldater med våpen. Ikke engang når det er valg, er det portforbud eller soldater med våpen i gatene. Å gå til valglokalet er helt ufarlig, og kan til og med være hyggelig, selv om en treffer noen som stemmer på andre partier. Det koster ingenting å bli innlagt på sykehus. Behandlingen er også gratis, selv om man ikke kjenner noen som jobber der. Og hvis en som har jobb blir syk, får hun sykepenger, nesten like mye som vanlig lønn. Og hun har rett til å komme tilbake i samme jobb når hun er frisk igjen! For det beste er at folk har «rettigheter». Helt vanlige mennesker ute på landet der har det. Og de får til og med opplæring i hva de har «rett» til. Alle barna har rett til å gå på Det gjelder også de som ikke vet hvem pappa’n er. For i det landet får alle fødselsattest og statsborgerskap, selv om foreldrene ikke er gift. Ja, det er annerledes enn her i Nepal. Men det er godt for de barna. Nei, dette var om et land her på jorda. Ja, det er langt dit. Veldig langt. Og så har de stengt grensene, så folk utenfra ikke kan flytte inn. Og det finnes mange problemer der også, sier folk som bor der. Og det har de vel rett i. Men det kan jo være godt å tenke på at det finnes et slikt land.» Eg synest det er tre ting dette brevet seier noko tydeleg om. Det eine er: Dei veldige forskjellane me har i verda, og kor urettferdig verda er. Det andre er: Kor mykje me har oppnådd i vårt eige land, men at me samtidig har utfordringar. Det finst problem òg i vårt eige land som me er nøydde til å gripe fatt i. Det tredje er så tydeleg: Me er ein del av verda. Er det noko som har blitt vist oss tydeleg nettopp i dei siste månadene, så er det korleis verda utanfor Noreg rører ved oss òg. Eg tenkjer på krisen i Ukraina. Me som vaks opp under han, trudde at den kalde krigen var over. Det me no ser i Ukraina, kan vere starten på Me opplever ein Putin som køyrer ein tydelegare og meir aggressiv retorikk, og som samtidig er meir populær enn nokon gong i sitt eige land. Ukraina-krisen trur eg me alle er einige om må løysast, og at han må få ei politisk løysing. Ei militær løysing med Russland på den eine sida og USA og EU på den andre sida verkar ikkje realistisk. No ser me òg problem i Midt-Austen med ISIL, med ein barbarisk framferd. Eg trur ikkje me har opplevd verre ting sidan den andre verdskrigen, og me ser behovet for å få til nye løysingar. FN seier at verda ikkje har hatt større flyktningstraum på 70 år. Det er fire store internasjonale katastrofar: i Irak, i Syria, i Sør-Sudan og i Den sentralafrikanske Spesielt dei to siste blir ofte gløymde i dei nære media våre. Så har me ebolaepidemien, som regjeringa i dag må kome med tiltak rundt. Reint faktisk er det ein heilt forferdeleg situasjon for menneska som blir ramma, men det er òg eit tydeleg symbol på og ei varsellampe for kor dårleg det står til med infrastruktur, styresett, utdanning og helsevesen i nokre land. Dette viser kvifor det er så viktig for Kristeleg Folkeparti med utvikling og bistandssatsing. Før valet blei det sagt at ei blå-blå regjering ville bety kraftige bistandskutt. Etter valet fekk me både auka bistandsramma for 2013 og forhandla opp igjen årets bistandsbudsjett til 1 pst. av BNI. Med Kristeleg Folkepartis nøkkelposisjon i Stortinget

at Oslo er den hovudstaden i Europa som veks mest. Stavanger veks enda meir enn Oslo. Folk i Noreg flyttar av ulike grunnar til nettopp dei meir bynære områda. Da er det viktig at ikkje me legg opp til ein økonomisk politikk som forsterkar den effekten ytterlegare. Ja, Kristeleg Folkeparti er gjerne med på

at me ser den distriktspolitiske delen av dei to viktige reformene. Arbeidarpartiets nye leiar, Jonas Gahr Støre, er modig når han stiller spørsmåla slik han gjer. Han seier: «Hvis vi skal være et parti med i tiden, så må vi lytte til familiene og forstå det de står i. Og da er det ikke sikkert at det vi har ment i tidligere tiår, er helt riktig for kommende tiår.» Eg synest dette er veldig velkomne ord. Kristeleg Folkeparti er glad for at den nye leiaren i Arbeidarpartiet er open, tenkjer nytt og ønskjer å vere framtidsretta i familiepolitikken. Det er bra for norske familiar at politikarane forstår utfordringane som familiane møter, og at familiane er forskjellige. Derfor har Kristeleg Folkeparti stor tru på som verkemiddel i familiepolitikken. Ho gjev familien ein slingringsmon i overgangen mellom foreldrepermisjon og barnehagestart. 6 000 kr er kanskje ikkje all verda, men for nokre er det nok til at dei opplever at dei faktisk har eit alternativ til A4-opplegget, A4-opplegget som er å taime fødselen til juli–august, barnehagestart på eittårsdagen på eittårsdagen og 37,5 timers arbeidsveke for begge to. Men dei fleste familiar ønskjer òg barnehage fordi dei ser at barnehagane gjev barna deira eit godt tilbod. Det er ikkje berre barna som er viktige. For Kristeleg Folkeparti er dei eldre viktige. Derfor løftar me fram verdigheitsgarantien for eldre. Me blir aldri fornøgde med oppfølginga av den garantien. garantien. Me registrerte òg med skuffelse at 12 000 plassar som blei lova av den førre regjeringa, blei til 567 sjukeheimsplassar. Kristeleg Folkeparti fekk saman med Framstegspartiet, Høgre og Venstre gjennom at me no skal få greidd ut ei rettigheitsfesting med sikte på innføring i perioden. Som det står i avtala: Lovfesta rett til heildøgns pleie og omsorg blir greidd ut med sikte på innføring i perioden.

skattepolitikk og jernbanepolitikk, klimaforlik og pensjonsforlik. Derfor lurer jeg på hvorfor ikke Hareides parti ønsker å bli med på et bistandsforlik som sikrer det det er flertall for i denne salen, nemlig 1 pst. til bistand. Høyres parlamentariske leder sa nettopp at Stortinget hadde fått mer makt i denne perioden. Så hvorfor ikke være med på å skape flertall for det som er den viktigste saken for Kristelig Folkeparti:1 pst. til verdens fattigste? Eg har med glede registrert den tydelege invitasjonen som er komen frå representanten Huitfeldt om eit forlik på rundt 1 pst. i bistand. Det som likevel er det store paradokset, er at den invitasjonen kjem ti månader etter at eit samrøystes storting stemte for 1 pst. av BNI til verdas fattige. Eg er likevel glad for at den invitasjonen er komen. Men me har ein avtale med regjeringa som seier at i budsjettspørsmål skal me forhandle med regjeringa først. Eg opplevde at Høgre og Framstegspartiet kom Kristeleg Folkeparti svært godt i møte i det spørsmålet da vi tok det opp under Og fordi nettopp 1 pst. av BNI først og fremst er eit budsjettspørsmål, vil eg opptre ryddig når det gjeld den avtalen som eg er forplikta på. Betyr det at det ikke vil være mulig for Kristelig Folkeparti og Venstre å inngå i noe flertall i denne salen uten støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet? Da betyr det at parlamentarisk leder fra Høyre på ingen måte har rett i at denne salen har fått mer makt – hvis det er slik at situasjonen på Stortinget nå skal være den at i alle spørsmål som har budsjettmessige konsekvenser, må Kristelig Folkeparti og Venstre alltid få støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet først. Venstre og Kristeleg Folkeparti står fullstendig fritt til å velje kva allianse me ønskjer å gå inn i. Eg kan bruke to eksempel frå dei siste månadene: I Utsira-saka hadde me ein tydeleg dialog med Arbeidarpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet Dei Grøne. Me lykkast i å ta det eit steg nærare vår politikk, noko me var veldig glade for. Framstegspartiet og Høgre blei til slutt Òg i spørsmålet om kvoteflyktningar – då me bad regjeringa kome tilbake til spørsmålet – blei det eit fleirtalsvedtak, der Arbeidarpartiet og dei andre partia forutan regjeringspartia var med. Poenget mitt når det gjeld bistandsprosenten, er at det først og fremst er eit budsjettspørsmål. I dei spørsmåla kjem eg først til å og finne ut kva løysingar me kan få til med dei. Det gjorde me i fjor, og me fekk til ei svært god løysing, som Kristeleg Folkeparti er veldig glad for. Me er òg veldig glad for at heile Stortinget slutta opp om det. Kristeleg Folkeparti er ein del av det parlamentariske grunnlaget til regjeringa, noko som både forpliktar og

Politiet og brannvesenet er viktige for at folk i heile landet skal vere trygge. Eg vil gjerne vete kva problem representanten Hareide ser ved den varsla politireforma. Trur han at det er mogleg å bli einig med regjeringspartia om saka, for så likevel etterpå å kunne seie at Kristeleg Folkeparti er garantisten for distrikta?

Eg meiner at f.eks. den omlegginga me har hatt rundt Posten, da me flytta posten frå eigne postkontor til butikk, gjer at eg har eit betre posttilbod når eg er heime på Bømlo enn det eg har når eg no – mesteparten av tida mi – bur i Oslo. Der har eg dårlege opningstider. Så me må òg sjå på kva moglegheiter forandringar kan vere med og gi. Men eg er einig i det representanten Klinge tek opp her. Me er nøydde til å ha ei bevisstheit rundt distriktsmessige utfordringar i samband med den typen reformer som no må kome, og som me veit at kjem. Representanten Hareide minner oss om hvor privilegerte vi egentlig er, som får bo i dette landet.

De siste månedene har Kristelig Folkeparti holdt fanen ganske høyt når det gjelder å få færre elever per lærer. Det er vanskelig å være uenig i at gode forhold for lærerne er viktig. I Venstre har vi fokusert på at vi må få inn flere yrkesgrupper, og vi har fokusert på å redusere byråkratiet, for en av utfordringene med å ha færre elever per lærer er at vi ikke har de lærerne. Vi har i dag 9 000 som er såkalt ikke-kvalifiserte, og vi vet at vi kommer til å mangle 11 000 lærere i 2020. Så mitt spørsmål til representanten er: Hvilke konkrete tiltak vil Kristelig Folkeparti sette i verk for å få disse lærerne inn i skolen? Eller er det ikke så viktig at det er kvalifiserte lærere – holder det med voksne omsorgspersoner? Me veit at me i dag har ein reservestyrke på lærarar som kunne ha jobba i skulen, men som ikkje gjer det. Det kjem av at lærarar er dyktige personar som er attraktive for andre grupperingar. Men eg trur òg det er ein del som har jobba som lærar, som har tenkt at «dette orkar eg faktisk ikkje meir, eg føler at det er ein for krevjande situasjon», og har valt å sjå etter andre moglegheiter utanfor skulen. Eg trur forslaget til Kristeleg Folkeparti kjem til å gjere at mange av den typen dyktige lærarar vil tenkje at «no blir det betre å jobbe i å gå tilbake til skulen». Eg trur me vil kunne hente inn ein del av den reservestyrken. Eg er heilt einig i det representanten Nybø tar opp her: Det er viktig med fagleg godt utdanna lærarar. Men eg trur òg at lærarane er veldig opptekne av om dei kan få vere fleire lærarar i klasserommet, ikkje minst i den første tida, og me har òg sett at lærarane sjølve har beskrive dette forslaget som

fredag blei det offentleggjort at 484 asylbarn har blitt sende ut av landet, som da er 162 fleire enn det den raud-grøne regjeringa sende ut i same tidsperiode. Dette har fått biskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, til å be Hareide om å seie unnskyld overfor asylbarna. Den reaksjonen kan ein forstå, men Kristeleg Folkeparti og SV er vel mest opptatte av ikkje å seie unnskyld, men å få konkret handling. Mitt spørsmål til representanten Hareide er derfor: Vil Kristeleg Folkeparti trekkje støtta si til regjeringa dersom det ikkje kjem vesentlege endringar i asylpolitikken? Dette er ei veldig viktig sak for SV, som eg forstår, og har vore det i mange år òg for Kristeleg Folkeparti. Me er opptatte av at me skal få til ei reell og varig endring. Me har i avtalen med regjeringa at barns beste skal telje sterkare. No jobbar regjeringa med det. Det er eit betydeleg utolmod, trur eg, både i Venstre og Kristeleg Folkeparti rundt dette spørsmålet, og me er heller ikkje fornøgde med situasjonen me ser i dag. Me har altså ein avtale om at det skal skje ei liberalisering. Barns beste skal telje meir, og eg deler representantens iver etter at det her må skje ting. har òg lyst til å minne om at det regelverket som regjeringa fører poltikken etter i dag, er den førre regjeringas regelverk, men me deler fullt ut at her må det skje noko, og det hastar med at det skjer noko. Det synest eg òg dei tala som er avdekte dei siste dagane, viser. Jeg vil takke representanten Jeg vil takke representanten Hareide for en god påminnelse om det velferdssamfunnet som vi skal være veldig takknemlige for og hegne om, og ikke minst for at han legger det som grunnlag for en bistandspolitisk satsing som Miljøpartiet De Grønne støtter helhjertet. Men så sier Hareide noe annet som er veldig interessant, og det er at han også ønsker å støtte f.eks. T-banetunnel i Oslo, men ikke på bekostning av fergesatsing på Vestlandet. Vestlandet. Det kan være en veldig viktig og vanskelig valgsituasjon, men er ikke representanten enig i at dette også er en illustrasjon på et problem som selv velferdssamfunnet Norge i økende grad står overfor, nemlig at vi har vent oss til ikke å i en situasjon hvor nettopp det å gjøre reelle kursvalg og ta en kostnad ved å gjøre de kursvalgene, faktisk er nødvendig for den jobben som dette samfunnet og denne salen skal ta på seg? Det er ei høveleg påpeiking frå partileiaren for Miljøpartiet Dei Grøne, Rasmus Hansson. Eg meiner at Kristeleg Folkeparti gjer betydelege val når me seier at det ikkje er tida for dei store skattekutta no. Da tydeleg val av prioritering. Eg trur at me begge er einige om at me er nøydde til å få til ei større satsing på kollektivtrafikk rundt dei store byane, men eg tenkjer at om me tar bort det som er infrastrukturen i Distrikts-Noreg, får me ei enda sterkare urbanisering enn det me ser allereie i dag. Det er ikkje eg villig til, òg fordi ein del av verdiskapinga som me kan bruke nettopp på T-banesatsinga i Oslo, skjer i distrikta. Eg trur det er viktig at me ser den heilskapen, men det er klart at me er i ein usedvanleg privilegert situasjon, me som er politikarar på Stortinget, kontra så og seie samtlege andre parlament i verda. Replikkordskiftet er omme.

Stortinget, kontra så og seie samtlege andre parlament i verda. Replikkordskiftet er omme. Trontalen omtaler særlig tre områder som vi avventer med interesse fra regjeringens side. Det ene er spørsmålet om næringspolitikk og verdiskaping, og statsbudsjettet som legges fram på onsdag, vil gi oss en pekepinn om ambisjonene på det området. Når det gjelder den internasjonale delen av trontalen, domineres den av omtalen av men det skjer på et såpass generelt grunnlag at det nok er vanskelig for noen som helst i denne salen å være uenig i det som regjeringen her sier. Testen på klimaområdet, for regjeringens del, kommer nok senere enn i dag. På det tredje området, som omhandler såkalt fornying av offentlig sektor, er omtalen derimot langt mer konkret. Her er det ingen tvil om at Det er lett å være enig i at en omstilling og en fornying av offentlig sektor er viktig. Dette må baseres på det beste av det vi bærer med oss, og det er nærhet, deltakelse, tillit og reell mulighet til påvirkning. I Norge har en desentralisert forvaltning bidratt til en politisk, sosial og geografisk utjevning. Det har gitt kort veg fra enkeltmennesket til beslutningstakerne. Det har igjen bidratt til at mange deltar og tar ansvar for både sitt eget liv og samfunnet rundt seg. Det rant meg i hu et sitat fra en artikkel nylig, som sier følgende: ofte blir svaret å endre strukturer. Hvorfor velger ledere, og i denne sammenheng politiske ledere, så ofte strukturelle løsninger på komplekse utfordringer?» Det var et betimelig spørsmål fra professor ved Markedshøyskolen, Tom Karp, og det tjener nok som en god illustrasjon på en iver hos regjeringen etter enkle og lettvinte resultater gjennom strukturendringer, enten det gjelder kommuner, politi, sykehus eller høyskoler. Linda C. Hofstad Helleland, transportkomiteens leder, sa i et intervju tidligere i år følgende: Vi skal presse så mye tannkrem ut av tuben at det blir umulig å få puttet det tilbake. Jeg tror kanskje at det er målet. Fornying av offentlig sektor handler i regjeringens øyne om å iverksette strukturendringer som i sum vil innebære en sentralisering som ikke lar seg reversere. Med andre ord: Vi står foran en tid der fellesskap, tillit og folkevalgt styring vil brytes mot markedsinteresser og et ønske om store enheter. Det er grunn til å være bekymret over det som varsles i trontalen. Resultatet vil bli større avstand mellom innbyggere og beslutningstakere, mellom pasienter og sykehus, mellom politi og innbyggere, eller mellom kunder og leverandører, om en vil si det på den måten. Avstanden mellom individ og myndigheter øker, og hver enkelt av oss vil få mindre oversikt og mindre mulighet til påvirkning. Senterpartiet mener at det er på tide å se ulike forslag til strukturendringer i sammenheng, for reformene har én ting til felles: De sentraliserer makt, og de pulveriserer ansvar.

regelrett slakter DSBs evaluering. Flatanger peker på at kortreist ansvar og kortreist myndighet, raske beslutninger og lokalkunnskap var avgjørende for beredskapen. De sier rett ut at DSB har brukt et tendensiøst utvalg av informasjon til å foreta evalueringen. Innenfor politiet tenkes det på samme måte. Store enheter skal

Det hjelper ikke at Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggere i små kommuner er mest fornøyd med kommunale tjenester. I Danmark, som regjeringen ofte viser til, har man gjennomført en storstilt kommunesentralisering. De har nå 99 kommuner på et areal som tilsvarer trøndelagsfylkene. Til sammenligning har trøndelagsfylkene til sammen 48 kommuner. Senterpartiet har ingenting imot kommunesammenslåing når innbyggerne i kommunene vil det. Vi har hatt mange frivillige kommunesammenslåinger de siste årene, men vi vil motsette oss tvangssammenslåing. Det vil ikke gi den raushet og den respekt som trengs i denne typen fusjoner. Det er lokalbefolkningen som må avgjøre om deres kommuner skal slå seg sammen eller ikke. I det spørsmålet må vi våge å spørre lokalbefolkningen gjennom lokal folkeavstemning. Senterpartiet ønsker endringer i offentlig sektor. I årene framover blir det svært viktig å sørge for mindre statlig byråkrati, færre måle- og rapporteringskrav, mindre detaljstyring, mindre øremerking og mindre overstyring i form av overivrige direktorater og fylkesmenn. Men når studier av sykehussammenslåing i England sier at antallet administrativt personell ikke ble redusert, men snarere økte, og når tall fra Statistisk sentralbyrå viser den samme trenden her i Norge,

Det er viktigere at eldre faktisk får en plass i en omsorgsbolig enn hvor mange mellomledere kommunen har fått. Vi må med andre ord slutte å se oss blinde på størrelse og heller gjennomgå med et kritisk blikk hvordan oppgavene blir utført. Den mest påtrengende utfordringen for enhver som er bekymret over offentlig forvaltnings evne til å gi innbyggerne gode tilbud, er ikke størrelse – det er et statlig byråkrati som kan komme til å ta overhånd. Her har vi en politisk utfordring foran oss av en helt annen karakter enn den sentraliseringen som denne regjeringen varslet gjennom trontalen at den kommer til å komme med. Jeg tror fornying og såkalt modernisering av offentlig sektor kommer til å bli en stor og viktig politisk debatt framover. Det er en debatt der viktige interesser vil brytes mot hverandre. Senterpartiet tror på frihet. Senterpartiet tror på frihet. Vi tror på muligheten til den enkelte for å påvirke. Da er gode lokalsamfunn og desentralisering svaret – ikke en sentralisering av oppgaver og tjenester og mer statlig byråkrati. Med det vil jeg få lov til å ta opp forslag nr. 1, fra Senterpartiet. Representanten har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg er Jeg er glad for at vi nå har en bred politisk enighet i Stortinget om at vi skal gjennomføre en kommunereform. Den reformen handler om å sikre gode tjenester til innbyggerne nå og i framtiden. Lokalt har en rekke Senterparti-politikere uttrykt ønske om en reform. Erik Seem, tidligere ordfører i Grong, har sagt til Trønder-Avisa at de er opptatt av namdalingene og Namdalen, og at de ser at det er noen utfordringer som ikke er så

Mitt spørsmål er følgende: Hva har Senterparti-toppene her i Stortinget forstått som de mener deres egne lokalpolitikere ikke har forstått? Det er jo ingen bred politisk enighet i Stortinget om kommunesammenslåing – slett ikke. Det var jo så vidt båten bar i vår da regjeringen nærmest måtte presse Kristelig Folkeparti og Venstre på plass for å få flertall for å pålegge kommunene å gjennomføre utredninger om kommunesammenslåing. Det er ikke noe flertall, så vidt jeg kan se, for tvangssammenslåing, som regjeringen jo har ønsket, og det er ikke noe flertall for å fjerne fylkeskommunen, slik som Høyre og Fremskrittspartiet også har ønsket. Det regjeringen nå har lagt opp til, er at en skal pålegge kommuner å utrede sammenslåing. Mange av kommunene gjør det. De utreder den sammenslåingsprosessen. Det betyr ikke nødvendigvis at de kommer til den konklusjonen at de ønsker å slå seg sammen. Men de gjennomfører den utredningen fordi de er pålagt det, og de kommer sjølsagt også til å ta stilling til resultatet når den tid kommer. Det som er avgjørende for Senterpartiet, er at lokalsamfunnene får lov til å avgjøre disse spørsmålene sjøl, avgjøre spørsmålet om kommunesammenslåing gjennom en lokal folkeavstemning, og vi håper jo at frihetspartiene Høyre og Fremskrittspartiet vil være enig i det. Det er

for det handler om dette med innflytelse. Jeg konstaterte ved starten av møtet i dag at Senterpartiet var særs aktive med å fremme en rekke representantforslag, og det er veldig spennende da å se at på en rekke områder begynner Senterpartiet nå å distansere seg mer og mer fra de tidligere partnerne i regjering, og på en rekke områder får Senterpartiet sikkert også gjennomslag. Vi har sett det i kanskje en mindre sak, om motorferdsel i utmark. Vi har sett at de har mulighet til å kunne få gjennomslag i Nasjonal transportplan, kanskje, hvor vi overoppfyller, og hvor Senterpartiet alltid har vært opptatt av betydelige økninger. Men er det nå slik at vi kan konstatere at det ikke lenger er noen rød-grønn blokk, siden Senterpartiet velger den veien de nå velger? Det er jo hyggelig at Fremskrittspartiet er opptatt av at Senterpartiet

og det betyr jo at regjeringen aktivt må søke et flertall i Stortinget i sak etter sak. Senterpartiet er uenig med regjeringen i en rekke saker, og så er vi enige med regjeringen i noen saker, og i de sakene der vi er enige med regjeringen, skal vi sjølsagt også kunne bidra til et fornuftig flertall om sakene. Vi har forsøkt oss når det gjelder rovdyrpolitikken, fordi både Høyre og Fremskrittspartiet og Senterpartiet lovte en ny rovdyrpolitikk før valget, men vi konstaterer jo at det ikke er mulig å få med verken Høyre eller Fremskrittspartiet på å oppfylle noe som helst av de løftene de ga før valget på dette området. Rundt omkring i mange av de lokalsamfunnene som Senterpartiet og SV bryr seg om, står det

SV har prøvd før å få stilt disse sakene i bero fordi det er en engangsløsning som kan gi noen flere mulighet til å få bli. Når disse familiene blir kastet ut av landet, som de blir nå, har de ingen reell mulighet til å kunne føre en slik sak. Derfor har SV igjen i dag lagt fram et forslag om å stille sakene i bero. Vil Senterpartiet nå støtte dette forslaget, slik at de som har vært her lenge, kan ha en mulighet i hvert fall til å søke? Vi skal vurdere det forslaget som SV har lagt fram her i dag. Jeg er enig med representanten Andersen og SV i at dette er et viktig spørsmål, og at det er behov for en endring på dette området. I likhet med Kristelig Folkeparti og representanten Hareide synes også Senterpartiet at hensynet til barnets beste bør telle sterkere i disse sakene enn det det har gjort. Vi er nok i ferd med å se en endring ikke bare når det gjelder spørsmålet om opphold for dem som allerede har kommet til Norge, men også i spørsmålet om å ta imot flere flyktninger når FN ber oss om det, f.eks. fra Syria. Dette er en viktig tematikk som Senterpartiet vil se nærmere på. Det gjelder også SVs forslag.
Neste taler er representanten

Det er veldig bra hvis Senterpartiet kan være med regjeringen i kampen mot statlig byråkrati og detaljstyring. Derfor har regjeringen satt i gang en rekke reformer allerede etter det første året i regjering. Jeg kan nevne det man nå gjør med tolletaten, jeg kan nevne det man gjør med skatteetaten og de lokale kemnerkontorer. Man prøver å få mindre byråkrati og mindre detaljstyring rundt dette. Er det slik at Senterpartiet vil være med regjeringen på denne typen reformer? Eller er det slik jeg frykter, at man kommer til å være imot enhver reform, og heller vil kjempe for det bestående? Hvilken enorm reform var det Senterpartiet satte i gang, da man f.eks. satt i Kommunaldepartementet, for å sørge for at den enkelte innbygger fikk mer makt på bekostning av det statlige byråkratiet? Fremskrittspartiet lider av den vrangforestillingen at bare man får gjort ting statlig, skal det bli mindre byråkrati av det. Men det er ikke slik det er. Noe av det som er mest urovekkende i dagens samfunn, er at det er det statlige byråkratiet som øker, særlig direktoratene. Vi kan alle ta en del av ansvaret for den utviklingen, men det er ikke noe argument for å eskalere en slik utvikling. Det å skulle sentralisere viktige etater i samfunnet, sentralisere viktige etater i samfunnet, sentralisere politiet, sentralisere brannvesenet, sentralisere 110-sentralene er ikke noe argument for å statliggjøre skatteetaten når man vil ha mindre byråkrati. Jeg tror Fremskrittspartiet rett og slett har misforstått litt av oppfatningen av forholdet mellom lokal offentlig forvaltning og statlig offentlig forvaltning. I mitt parti er vi opptatt av at den enkelte innbygger skal kunne ta flere beslutninger direkte. Med f.eks. det regjeringen nå har varslet, at man øker muligheten for digitaliserte søknader osv. i kommunal sektor, kan man – framfor å måtte gå til et rådhus og snakke med en byråkrat i kommunen – selv sitte og fylle ut søknaden og få svar elektronisk. Det vil være en kjempereform og et veldig bra initiativ av regjeringen. Tilbake til mitt spørsmål i sted: Hva gjorde Senterpartiet da de satt i regjering? Jeg konstaterer at flere store direktorater ble opprettet. Jeg konstaterer at det ikke var noe kutt i budsjettposter knyttet til noen av direktoratene i statlig forvaltning. Man fortsatte altså slik det var. Mange av de reformene som Senterpartiet nå snakker om, var allerede satt i gang da Senterpartiet satt i regjering. Jeg skjønner at det er ille å bli stilt til ansvar for hva man selv har gjort – man vil gjerne snakke om avbyråkratisering og det å fjerne detaljstyring. Denne regjeringen er i hvert fall i gang med å gjøre noe. Jeg håper at Senterpartiet sammen med denne regjeringen vil være med på å jobbe fram dette arbeidet og å jobbe fram dette arbeidet og sørge for at innbyggerne får mer makt, på bekostning av kommune og stat. Det er jo det som er problemet: Denne regjeringen gjør ingenting i den retning. Den gjør ingenting for innbyggerne når det gjelder forenkling. Noen IT-løsninger – noen dataløsninger – kan man sikkert komme fram til, men de store grepene man varslet i trontalen, som politireform, som kommunesammenslåing, er grep som og som også vil ha det ved seg at de kan bidra til økt rapportering, økte målekrav og økt byråkrati i statlig sektor. Når det gjelder fritt behandlingsvalg, f.eks., som regjeringen sier de vil innføre, viser høringsuttalelsene i den forbindelse et massivt krav fra høringsinstansene om å legge det til side, nettopp fordi det betyr økt byråkrati. Anne Beth Moslet i helsekøen.no sier at dette bare kommer til å bli mer tungvint for brukerne og føre til mer statlig byråkrati. Siden ingen andre har bedt om ordet til replikk, får representanten Leirstein også den siste replikken. Vi blir stående her, det er hyggelig. Det er slik at sist jeg sjekket, var ikke alle detaljene rundt dette med fritt behandlingsvalg helt på plass. Men igjen: Der er det en reform hvor den enkelte pasient skal få mulighet til å velge, framfor å sitte og være prisgitt hva byråkratiet i det enkelte helseforetaket finner av plass. Det vil være en bra reform for den enkelte innbygger. Til det at man er redd for at det blir en sentraliseringsreform i politiet: Det er slik at det er lagt ned et betydelig antall lensmannskontorer de siste årene – også da Senterpartiet satt i regjeringskontorene. Jeg tror ikke folk flest opplever at det har blitt voldsomt mer tilgjengelighet. Det denne regjeringen prøver på, er faktisk å innfase som for det store flertallet av det norske folk gjør at enkelte av oss kan komme i kontakt med bl.a. politi og andre når vi ønsker å anmelde ting eller komme i kontakt med de forskjellige instansene. Jeg konstaterer at Senterpartiet ønsker den utviklingen, men at man gjorde særs lite da man selv satt med makten – og det er kanskje slik det ofte er – men denne regjeringen kommer til å levere og har heldigvis tre år igjen på å levere. Senterpartiet mener at vi bør tenke helt nytt når det

men i forbindelse med den første politireformen gikk det fra 54 til 27 politidistrikt. Nå skal vi ned til seks, vi skal fjerne 144 lensmannskontorer, og vi har aldri opplevd lignende sentralisering i Norges historie når det gjelder beredskapsetater. Replikkordskiftet er dermed omme. Trontale og trontaledebatt har jeg alltid syntes har vært spesielt. Da

fordi de må ha en avtale med Venstre fordi klimaet er så viktig. Det var ikke klimaet som var grunnen til at Kåre Willoch økte bensinprisen. Det var penger inn i statskassen. Grunnen til at vi i dag differensierer priser, er klimautfordringer. Klimaet er en av de største utfordringene som vi står overfor som klode, og da må vi være villige til å bruke markedsmekanismene for å nå dem. For å få til en grønn vekst, for å få til satsing på kollektivtransport og for å få et grønt næringsliv må vi være villige til også å bruke det grønne skatteskiftet. Trontalene er viktige dokumenter. Jeg tror at vi av og til har godt av å legge dem ved siden av hverandre og se hvordan det beskriver også den politiske kommunikasjonen. Den trontalen som dagens statsminister ga Kongen her for noen dager siden, er kanskje den mer politiske talen vi har sett på veldig lenge. Det skal regjeringa ha skryt for, for da vet vi på hvilken bakgrunn vi diskuterer. Men vi har satt oss ned, kikket litt på år tilbake og sammenlignet trontalene, f.eks. når det gjelder klima. I Stoltenbergs første trontale, i 2006, var ikke klima, miljø eller noe som helst på det området nevnt med ett ord. I 2007 og 2008 ble det referert til at det var viktig å ha internasjonale avtaler. Ellers var ikke klimapolitikken nevnt. I 2009, 2010 og 2011 snakket man om at det var viktig å satse på fornybar energi. I 2011 skjedde et skifte, for da ble klima en utfordring. Men det var fortsatt brukt mye lengre tid i trontalen på å være konkret på oljepolitikken. I 2012 gikk man over til at man skulle tilpasse seg klimaendringer, mens det fortsatt gikk veldig mye mer på olje og gass. gass. I 2013, når man har tapt på grunn av klimapolitikken, gir man beskjed om at man skal følge opp klimaforliket, enda man vet at det var et flertall i Stortinget som hadde blitt enige om å forsterke klimaforliket. Men fortsatt var det mest politikk som dreide seg om olje. Det betyr at vi i Venstre er glade for at vi endelig har en offensiv trontale – etter åtte år på klima/miljø – som sier hvor viktig det er, og som sier noe om politikken på området. Men utfordringa vår til statsministeren er at det ikke bare er de fine ordene og formuleringene som trengs. Når budsjettet kommer, trenger vi virkelig store gjennomslag i klimapolitikken for å få til det skiftet som vi vet at vi trenger. Vi syns heller ikke det er bra at statsministeren snakker ned målene. Målene vi har satt oss, er vanskelige. Men folkens – når man har noen vanskelige mål, lener man seg ikke tilbake og sier at de er vanskelige, man lener seg framover og prøver ekstra godt å klare og nå dem. Klimapolitikken vår har ikke tid til å vente – den har ikke tid til å vente på det ene eller det andre av organisatoriske grep. Vi trenger å omstille Norge i dag. Jeg har sagt mange ganger fra denne talerstol at det har blitt gjort mange djerve valg i denne salen – djerve og modige valg som har brakt Norge videre, og som har tort å ta oss også over de skrittene som kanskje mange trodde at vi aldri kom til å klare. Nå har vi det godt – sånn som Knut Arild Hareide beskrev det i brevet til naboene i Nepal. Men sjøl når vi har det bra, trengs det modige politikere. Sjøl når Norge har kommet langt, trengs det politikere som er villige til å ta de modige valgene for framtida,

Det er derfor det er så viktig å satse på kunnskap og forskning. Det er faktisk ikke noe problem at ingeniører slutter i oljebransjen for å begynne i de andre næringene. Det er en del av den omstillinga vi faktisk må igjennom. Nå har vi et Fastlands-Norge som har skreket etter ingeniører. Nå blir det noen ingeniører ledig. Det er faktisk bare å løfte dem over i de næringene som vi vet at vi skal leve av i framtida. Det er viktig å få til denne satsinga for nasjonen, fordi den omstillinga er nøkkelen til å lykkes. Derfor er lærersatsinga også så viktig, og det å få til en forskningsplan. Dypest sett handler det om en helt annen setning som står i samarbeidsavtalen, og som for meg er veldig viktig: det å gjenreise respekten for kunnskap i et samfunn. Det er så mange ganger i debatter her i stortingssalen at det er blitt dysset ned når det gjelder forskning eller fagfolk. Det å gjenreise respekten for kunnskap er en viktig nøkkel for i det hele tatt å klare å ta de modige, store omstillingene som Norge skal igjennom i de kommende årene. Det handler om respekten for det enkelte mennesket; det handler om å sette folk først. Grunnen til at det er så viktig for Venstre å bekjempe fattigdom, spesielt blant barn, blant barn, handler også om frigjøringa av barn, den frigjøringa av muligheten for å utvikle potensialet i seg sjøl som hvert enkelt barn har. Men da trenger vi at noen tar noen modige grep for å nå akkurat dem som har det verst, for å gi dem den friheten, for å gi dem de mulighetene. Når Audun Lysbakken sier på radio i dag at det er urettferdig at folk flest må betale for de fattige barna, er det noe jeg er uenig i. Jeg er for omfordeling. Jeg er for at vi som har det godt, kan bidra litt mer for at de som har det dårlig, kan få det mye bedre. Verden står foran store utfordringer, ikke bare i klimaet. Men vi må forstå alle de underliggende konfliktene som ligger der. Vi må forstå at fattigdom – også fattigdom i Norge – er med og lage ektremisme, er med og legge noe av grunnlaget for de konfliktene vi ser rundt i verden. Vi må forstå at vår relativisme på menneskerettigheter er med på å danne grunnlaget for mange av de konfliktene vi ser. Vi må forstå at de klimautfordringene vi står overfor, fører til fattigdom og omfordeling i verdenssamfunnet på en måte Så skal vi ta tak i de store konfliktene – de store flyktningkatastrofene som vi nå står overfor – men vi må ikke bare løse dem, vi må også se på hva som er grunnlaget for de konfliktene, og kjempe imot det. I dag har to professorer fra Universitetet i Oslo, derav en av mine gamle statsvitenskapsprofessorer, et innlegg om Stortingets makt – at Stortingets makt øker. Det syns jeg er bra. Det at vi har flyttet makt tilbake til Stortinget, er ikke bare bra i en teknisk term, det er bra fordi det betyr at debatten har mer verdi. Jeg har en klokkertro på debattens foredlende kraft. Jeg har en klokkertro på at det at meningene brytes i det åpne rom, faktisk foredler standpunkt. Jeg tror at en regjering blir annerledes om det er sånn at det er viktigst for en statsråd å vinne en regjeringskonferanse over sine kollegaer, enn om en statsråd vinner i en debatt i en regjeringskonferanse fordi den regjeringskonferansen tror at dette er en debatt man vinner i det offentlige rom. Det er en helt annen holdning man får i en regjering som må ha støtte utenfra for å kunne få gjennom sin politikk, enn den som bare har en intern logikk seg imellom. Vi opplevde i forrige periode at man fra denne talerstolen sa at man stemmer imot forslag fordi andre har fremmet dem. Vi opplevde også at ingen tok ordet på forslag, og ingen orket å skrive merknader på dem, fordi det var noen andre som hadde foreslått dem. Jeg håper at de tider er forbi. Jeg håper at vi nå skal ha en debatt som kommer til å bryne oss, og som kommer til å foredle standpunkt, at vi gjennom prosesser skal klare å lage bedre løsninger for samfunnet for framtida. Det er i hvert fall en av grunnene til at Venstre har valgt den samarbeidsløsninga som vi har gjort. Det blir replikkordskifte. Jeg har lyst til å berømme Trine Skei Grande for å bruke så stor del av innlegget sitt på Jeg tror faktisk at jeg var enig i det meste av det hun sa på dette området, og det borger bra for framtiden, vil jeg tro. Ett av de områdene som er sentrale når det gjelder klima, er å få ned utslippene fra transportsektoren. Jeg antar at Venstres leder er ambisiøs på det området. Vi trenger bl.a. et sterkt NSB. Den 4. september ble transportkomiteens leder referert i et oppslag i VG under den fengende overskriften «Tut og kjør!».

Jeg takker for svaret. Jeg aner at det kan bli litt småslegge. Det kan bli interessant i tiden framover. Hvis vi holder oss litt til klima: Venstres leder er veldig ambisiøs i sin tale, og det er statsbudsjettider. Det jeg har lyst til å spørre lederen i Venstre om, er hvilke ambisjoner Venstre har for dette budsjettet. Hva må regjeringen faktisk levere for at Venstre skal være komfortabel og kunne stemme for det? Hvilke krav har man til regjeringen? Mitt krav er ganske enkelt: Regjeringa

Neste taler er representanten

Jeg siterer: «Forslagsstillerne mener det vil være uhensiktsmessig å legge opp til en kommunereform som ikke baserer seg på en forvaltningsmessig trenivåmodell.» De stemte altså imot dette i salen. Nå er det lagt opp til en delt og uavhengig utredning, der Vaboutvalget skal se på kommunenes oppgaver, mens Møreforskning skal se på Spørsmålet er om Venstre mener at to uavhengige utredninger med motstridende mandat er en tjenlig måte å legge opp det videre arbeidet med kommunereformen på. I den sammenhengen er det også interessant å vite om Venstre mener det er aktuelt å fjerne ansvaret for videregående opplæring og kollektivtrafikken fra det regionale nivået. Det var mange spørsmål, men jeg skal prøve å forklare det enkelt. Venstre er for en trenivåmodell. Det har vi fått gjennomslag for her i Stortinget. Venstre mener at vi skal ha kommunesammenslåing. Senterpartiets parlamentariske leder sa at Venstre var dratt etter håret her, men det er ganske mange år siden Venstres landsmøte vedtok at dette ønsker vi. Vi ønsker det fordi vi ønsker å flytte makt nedover. Den eneste setningen jeg klinkende klart er enig med Senterpartiets parlamentariske leder i, er at alt som er statlig, ikke nødvendigvis blir bra. Det er jo det som er utfordringen nå. nå. Vi ser at staten tar mer og mer makt fordi de lokale leddene ikke er i stand til å ivareta dette, og at staten får stadig mer innflytelse på felt etter felt i samfunnet vårt og tar makt både fra lokaldemokratiet og fra folk sjøl. Vi vil flytte makten nedover, men da må enhetene være så store at de kan ta imot den makten, og da må vi også ha både regionale ledd og større kommuner. Det å holde seg til små grendeutvalg framover kommer til å undergrave det norske folkestyret.

for å nevne noe. Er representanten Skei Grande fornøyd med at det er blitt et taktskifte i klimapolitikken etter at den nye regjeringen kom på plass? Jeg tror at representanten Astrup har et oppriktig stort grønt miljøengasjement. Det er vel ingen som er så glad over at Høyre og Fremskrittspartiet ikke har flertall alene som Astrup, for det betyr at vi får til en kombinasjon der vi får presset fram viktige miljøtiltak. Alt han ramset opp, har stått på Venstres liste lenge for å få til, men vi forventer nok også mye mer i statsbudsjettet, så det er nok ikke før onsdag at vi jubler over de tiltakene som er kommet. Men det som Astrup ramset opp, er vi kjempeglad for at vi har fått til, for det er et taktskifte som planeten virkelig trenger. Det kanskje aller mest interessante ved representanten

Det eg har begynt å lure meir på etter kvart, er viljen og evna Venstre har til å bruke den fridomen. Lat meg derfor spørje om tre saker – om det i det heile er tenkeleg for Venstre å gå inn på dei. I Aftenposten i dag spør dei tre raud-grøne partia etter eit mediepolitisk forlik. Er det tenkeleg for Venstre å vere med på eit breitt forlik om det? I dag føreslår SV ei rekkje klimatiltak i Stortinget som eg trur Venstre eigentleg har sympati for. Er det aktuelt å støtte dei?

på den politiske dagsordenen, og at den talen som vi nå diskuterer på bakgrunn av, har ganske mange gode formuleringer om målsettinger. Men det betyr ikke at vi er i mål. Det betyr at vi har veldig store forhåpninger til det budsjettet som kommer, eventuelt må vi få til endringer i det. Ja, vi deltar gjerne for å pushe politikken framover. Det gjorde vi på Utsira, f.eks. Det er ganske stor forskjell fra forrige periode, da vi skulle vedta elektrifisering, og elektrifisering bare fikk Venstres stemmer. Det var bare Det var bare vi som stemte for elektrifisering av nye felt, mens vi nå har et enstemmig storting bak det. Det viser den dynamikken vi kommer til å bruke. Men vi kommer ikke til å bruke den bare for å markere. Vi kommer til å bruke den for å bringe politikken framover. Når det gjelder klimatiltak, kommer vi til å bruke budsjettsjansen for å prøve å presse gjennom det. Optimisme er en god ting. Miljøpartiet De Grønne skal selvfølgelig, på våre premisser, både heie på og gjøre

og helheten i natur-, miljø- og klimapolitikken. Derfor har vi nå i Norge en situasjon hvor de grønne sertifikatene, som i seg selv er en god idé, i praksis leverer energi som ikke kutter klimautslipp, som ikke fører til effektivisering på klimasiden, men som har svære naturkostnader som til og med er ukoordinerte. Kan representanten Skei Grande si litt om hvordan Venstre tenker å få de hensynene tilbake inn i regjeringens miljøpolitikk? Jeg er kjempeglad for at Miljøpartiet De Grønne vil bidra til at Venstre får igjennom sin politikk, men jeg tror ikke at Venstre og Miljøpartiet De Grønne til sammen får til noe flertall i denne salen, så vi må nok be om å få hjelp av noen andre før vi får bidratt til endringer i klimapolitikken. Men det som jeg er enig med representanten for Miljøpartiet De Grønne i, er viktigheten av å se helheten i norsk natur. I den veldig korte listen vi har i samarbeidsavtalen over lover man ikke får lov til å røre, ligger bl.a. naturmangfoldloven. Grunnen til det er vi ser at vi har et parti her som tidligere definerte seg som sentrumsparti, som gjerne angrep de delene og Fremskrittspartiet. Jeg tror det er viktig å passe på hele det grønne spekteret, også det klassiske naturvernet. Og så tror jeg man må ha en mer helhetlig plan, der man ser at vindkraft fungerer bra noen steder. Andre steder ødelegger det for mye av naturen vår, og da bør vi ikke bruke det. Replikkordskiftet er omme. En gang i framtiden kommer våre barnebarn til å spørre oss hva vi brukte den makten vi hadde på Stortinget til. Det er

men fortsatte akkurat som før? Vi plikter å ta valg som står seg over år, over generasjoner. Vi plikter å prioritere det som er viktigst for framtiden. SV har klare svar på hva som er viktigst. De tre viktigste utfordringene for Norge er: å ta Norge ut av oljealderen og skape en moderne lavutslippsøkonomi å styrke fellesskapet gjennom å redusere de sosiale forskjellene og fornye og forbedre velferdsstaten å gi ulike mennesker like muligheter gjennom en politikk for likestilling og frigjøring Det er det grønne, det røde og det feministiske. Det er de tre politiske søylene vi ønsker å bygge både framtidens venstreside og framtidens Norge på. Vi trenger en grønn politikk for en bærekraftig framtid. Vi har nå en regjering som ikke tar klimautfordringen på alvor. Vi har en olje- og energiminister som varsler full gass på norsk sokkel, og en statsminister som sier at vi skal ta opp all olje det er teknisk mulig å få opp. Klimaministeren mener at debatten om å la noe av oljen ligge er et «sidespor». Når vi i dag tenker tilbake på hva vi visste om klimaproblemene for 20 år siden,

Regjeringen har lenge varslet at den skal følge opp klimaforliket, men den nøyer seg med varslene. Dette er sesjonen de konkrete forslagene må komme i. Vi kommer til å legge fram forslag for Stortinget som sørger for at vi klarer å kutte de 8 millioner tonn CO2 som skal til for å nå klimaforlikets mål innen 2020. Regjeringen mangler til nå en plan, og hvis den ikke kommer snart, må Stortinget lage den planen i stedet, så vi ikke skal stryke på framtidstesten. Vi trenger en rød politikk for en solidarisk framtid, fordi små sosiale forskjeller er en nødvendig ingrediens i et godt samfunn. Land med stor økonomisk ulikhet scorer dårligere på alt som er viktig for menneskers livskvalitet: helse, kriminalitet, trygghet, tillit til hverandre. Store forskjeller er gift for et samfunn. Det er mulig å redusere forskjellene i Norge, og i vårt alternative statsbudsjett kommer SV til å vise hvordan det kan gjøres. Regjeringen – på den andre siden – øker forskjellene, gjennom en skattepolitikk som gir store skattekutt til direktører og rikfolk, mens lavtlønte ikke får noe som helst, gjennom privatisering i helse og skole og gjennom endringer i arbeidslivet som vil gi arbeidstakerne mindre trygghet og mindre makt over egen arbeidsplass. Fellesskap fungerer. Fellesskap er den mest effektive måten å organisere velferd, skole og helse på, og det er i sterke fellesskap vi best sikrer den enkeltes frihet. Vi skaper frihet sammen, ikke hver for oss. oss. Den mest lønnsomme investering i fellesskapet et samfunn kan gjøre, er en bedre oppvekst for barna våre. Derfor vil SV satse på flere lærere i skolen. Derfor vil vi sikre både helse og læring for barna våre, med leksehjelp, fysisk aktivitet og mat til alle skolebarn. Derfor vil vi fullføre barnehagereformen, med to opptak i året og lavere priser. Derfor vil vi ha et barne- og ungdomshelseløft som kan sikre 1 500 nye helsesøstre, og skolehelsetjeneste hver dag på alle landets skoler. Og derfor vil vi utfordre det stortingsflertallet som på tvers av blokkene er enige om at ytelsene til de fattigste familiene skal holdes nede. Uten en ny politikk som tar det på alvor, blir vi aldri kvitt barnefattigdommen. SV vil ha en velferdsstat som gjør det unødvendig å ty til kommersielle alternativer. Vi vil ha økt grunnbemanning i eldreomsorgen,

og mer tid på pasienter. SV vil ha mindre kontroll, mindre marked og mer tillit. For dette stortinget vil SV derfor fremme forslag om tillitsreformer både i utdanningssystemet og i helsevesenet. Vi trenger en feministisk politikk for en framtid med frihet og like muligheter for alle. SV er Stortingets eneste erklærte feministiske parti. Det burde vi ikke vært alene om. om. Du er feminist hvis du kan svare ja på to veldig enkle spørsmål: Er makt og rikdom systematisk skjevt fordelt mellom kvinner og menn? Synes du vi skal gjøre noe med det? Likestillingen er vår tids aller viktigste frihetsprosjekt. Den handler om at vi alle skal ha de samme mulighetene, den samme friheten til å leve livet vårt slik vi vil, og at tradisjonelle kjønnsroller ikke skal sette trange rammer for hva du kan gjøre, hvordan du kan leve, og hvem du kan elske. En kan i en trontale lese noe om hva en regjering er opptatt av, og ganske mye om hva en regjering ikke er opptatt av. Jeg la merke til at likestillingspolitikken overhodet ikke var nevnt i denne trontalen. Derfor er det berettiget å spørre: Har denne regjeringen i det hele tatt en likestillingspolitikk? Har vi i det hele tatt en likestillingsminister? likestillingsminister? I denne debatten etterlyser vi svar: Hvordan skal arbeidslivet endres for å gjøre det lettere å kombinere arbeid og barn? Hvordan skal vi bevege oss videre mot likelønn? Hvordan skal vi bekjempe det største sikkerhetsproblemet for altfor mange mennesker i vårt land: menns vold mot kvinner? Denne debatten går mot et dramatisk Vi fordømmer Russlands aggresjon i Ukraina, og vi ser med bekymring på ISILs framrykking i kurdiske områder i Syria og Irak. Akkurat nå kjemper kurderne for sine liv og for framtiden sin i Rojava, i den kurdiske delen av Syria. Vi bør benytte denne dagen til å markere vår solidaritet med det kurdiske folkets kamp mot etnisk rensing, terror og fundamentalisme. I denne salen er vi uenige om i hvor stor grad vi tror på USAs strategi for å knuse ISIL. Men vi må ikke la uenigheten om norske militære bidrag stå i veien for det vi kan bli enige om: en kraftigere humanitær innsats og en rausere holdning til flyktninger fra krigen i Syria. Under den blå regjeringen har Norge blitt et litt mer smålig land. Regjeringen har avvist familier som har kommet bort fra hverandre i krigens Syria og 123 syke krigsofre, den vil jage Europas fattigste mennesker hvis de viser fram fattigdommen sin på gatene våre, og den har falt på kne for Kina i stedet for å stå fast på viktige prinsipper. I dag ønsker vi å invitere Stortinget til å sørge for mer solidaritet og mindre smålighet. I helgen ble det kjent at antallet asylbarn som sendes ut, øker dramatisk, til tross for at stortingsflertallet har lovet et nytt regelverk, som skal gi flere lengeværende barn muligheten til å bli. Det hjelper ikke barna hvis de sendes ut før reglene kommer på plass. Derfor appellerer jeg til Stortingets partier om å støtte vårt forslag om en berostillelse av sakene og en midlertidig stopp i utsendinger til nytt regelverk for asylbarna er på plass. Ønsker representanten å ta opp forslag? Det vil jeg veldig gjerne. Da har representanten Audun Lysbakken tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte.

bank- og finansnæringen, fordi bank- og finansnæringen ikke skattlegges på lik linje med øvrig næringsliv, noe bl.a. Finanskriseutvalget, som tidligere regjering satte ned, påpekte er problematisk, både for et rettferdig skattegrunnlag for næringslivet vårt, og for den finansielle stabiliteten. Så kommer vi til, krone for krone, å foreslå å reversere de usosiale skattelettene som denne regjeringen gir til de aller rikeste i Norge, som ikke trenger det, og heller bruke pengene både på skattekutt for lavtlønte og på fornuftige, framtidsrettede velferdstiltak. Jeg takker for svaret. Det er godt å høre klare svar om skattepolitikk fra partier på venstresiden. Det er ikke noe vi er godt vant med. Jeg mener at det er bra at vi har mange partier. Det gjør brytningen bedre og nyansene flere. SV hører etter min mening hjemme i nasjonalforsamlingen. Dessverre kan det se ut som det ikke er så veldig mange andre som mener det, når vi ser på målingene. Jeg synes det er rart, all den tid jeg synes SV har vært gode til å markere seg i saker. Dessverre har ikke det offentlige ordskiftet egentlig handlet så mye om saker i det siste. Det har heller vært en søken etter hva det største partiet på venstresiden egentlig mener. Arbeiderpartiet har sådd tvil om hva Arbeiderpartiet mener om kontantstøtte, om skatt om olje. Man kan kanskje si at de er i bevegelse. Er representanten enig i at det er en utfordring for hele debatten at man i Arbeiderpartiet er så uklar? Og hva mener egentlig representanten om den retningen, hvis man kan kalle den det, som Arbeiderpartiet nå tar?

for oss selv. Jeg svarer veldig gjerne for de standpunkt SV tar, både om skatt, om kontantstøtte og om andre debatter som nå er i vinden. Og så synes jeg det er rett og rimelig at det er Jonas Gahr Støre som får svare for Arbeiderpartiets politikk. At det er forskjeller mellom våre to partier, er ingen hemmelighet. Det er også derfor det finnes to partier på venstresiden i norsk politikk, akkurat som det finnes to partier på høyresiden i norsk politikk, med betydelige forskjeller seg imellom i en rekke viktige saker. Jeg ser fram til de avklaringene Arbeiderpartiet skal gjøre, men det er min jobb å være mest opptatt av de avklaringene og de prioriteringene SV skal gjøre, og det vil vi bl.a. gjøre når vi legger fram vårt første alternative statsbudsjett på ti år i høst. Det blir viktig og

at John Fredriksen bør betale i formuesskatt per dag dersom han finn på å flytte tilbake igjen til Noreg? Det var vel ikke et direkte sitat fra mitt innlegg Hagesæter kom med når det gjelder følgene av Sosialistisk Venstrepartis politikk.

det er rettferdig, riktig og nødvendig at de rikeste betaler formuesskatt. Det er nødvendig for omfordeling, for å holde forskjellene nede, det er nødvendig for å unngå nullskattytere, og det er nødvendig for å finansiere velferden. Hvis høyresidens strategi for å unngå skatteflyktningene er å sørge for at de likevel slipper å betale noe skatt hvis de blir, synes jeg det er en dårlig strategi. Det er dessverre eit faktum at vi har særnorske skattar. Formuesskatten er ein særnorsk skatt, og det gjer at vi har særnorske skattar. Formuesskatten er ein særnorsk skatt, og det gjer at det er mange som vel å busetje seg i utlandet og ikkje ønskjer å busetje seg i Noreg, på grunn av at ein får ei konkurransevriding, ein får ein skatt som altså utanlandske eigarar ikkje har.

Den satte ned selskapsskatten samtidig som den økte skattene for en del andre deler av norsk næringsliv som den mente det var fornuftig å øke skattetrykket for, for å bidra til en skattepolitikk som flytter aktivitet dit vi ønsker den. En slik skattepolitikk er vi selvfølgelig for. Vi er åpne for å senke skattene for deler av næringslivet når det er fornuftig, men vi er ikke åpne for en usosial avskaffing av skatt for de rikeste

Det er gen- og bioteknologien. No er Kristin Halvorsen blitt leiar for Bioteknologinemnda, og ho har fått spørsmål om ho er glad for at me er konservative i Noreg. Da har ho – ikkje overraskande – svart at ho liker den merkelappen veldig dårleg, men ho seier også at me må hugse at dette er eit område som er svært kommersielt og veldig ekspertstyrt, og at mange menneske blir utsette for omfattande marknadsføring. Når me veit kva for moglegheiter – men òg skremmande moglegheiter – som ligg på dette området, så er mitt spørsmål: Kva tenkjer SV, som har vore litt i flyt rundt denne typen spørsmål? Jeg er jo glad for at Hareide understreker mulighetene for et annet flertall i 2017. Det er ingen tvil om at SV sitter med en nøkkel for å få det til. Men Hareide stiller et viktig spørsmål. SV er et parti der jeg tror omtrent alle finnes. Det er en situasjon jeg er veldig komfortabel med, for det er vanskelige spørsmål. Det er store dilemma knyttet til å ta i bruk mye av den nye teknologien som kommer, men også dilemma knyttet til ikke å ta den i bruk. Det er viktige verdidebatter, viktige etiske spørsmål, der jeg er glad for at begge syn veldig ofte er representert i vårt parti, sånn som det f.eks. var i den vanskelige debatten om tidlig ultralyd. ville jeg vært opptatt av å skaffe oss det, for det gjør også SV til et spennende sted å diskutere noen av de mest krevende utfordringene vi kommer til å stå overfor framover.

Eg registrerte i førre veke at SVs nestleiar i Dagsavisen skreiv at han ikkje kunne stå inne for det vedtaket og bad om ei avklaring av SVs og venstresida sitt syn på situasjonen i Ukraina. Er det mogleg å få ei slik avklaring frå representanten Lysbakken i dag? Synet til SVs gruppe og mitt syn er veldig klart: Ansvaret for den konflikten som nå foregår i Ukraina, ligger hos Russland. Det er Russland som både har brutt folkeretten og har gått fram med en stormaktsaggresjon som vi mener er fullstendig uakseptabel. Det betyr at det er helt avgjørende å stille krav til Russland om å avslutte sin aggresjon og legge om sin politikk. Vi legger sterk vekt på å være et konsekvent parti, et parti som er mot enten det kommer fra Russland eller fra USA, og som forsvarer folkeretten enten det handler om konflikten i Ukraina, konflikten i Midtøsten eller i sin tid USAs invasjon i Irak. Og det er viktig for meg at vi skal fortsette å være det. Det er en del andre partier i denne sal som har vært atskillig mindre konsekvente, og som har grunn til å stille seg selv overfor en slik utfordring. Da er replikkordskiftet omme. Regjeringen innleder årets trontale med å erkjenne at vi må tilpasse oss det

Det blir mer oppmerksomhet om vårt politiske hovedpoeng: Vi må starte utviklingen av neste generasjons Norge, den bærekraftige velferdsstaten, nå. Dette må være rammen for all politikk, også næringspolitikk, arbeidslivspolitikk, helsepolitikk, skolepolitikk og fiskeri- og landbrukspolitikk. Derfor bruker også Miljøpartiet De Grønne så lenge vi bare har én representant på Stortinget – foreløpig mest krefter på dette. Fornuft er bare nyttig hvis den brukes og følges opp med handling. Regjeringen har, med hjelp av støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, gjennomført gode enkelttiltak i løpet av året de har sittet, og de varsler nå flere. En gjennomgang av grønne skatter og avgifter blir spennende.

Dette er saksfelt som vi kommer til å prioritere høyt. Her vil vi søke samarbeid, og vi vil støtte ambisiøs politikk. Vi har altså en regjering som evner å gjennomføre tiltak når den vil, men de siste årenes kombinerte kunnskapsutvikling og -erfaring har feid til side enhver tvil om at enkelttiltak i en ellers uendret hovedpolitikk, uten forpliktende mål, det gir ikke resultater. Jordas natur er i krise. WWFs nye Living Planet Report viser at verdens dyrebestander er halvert på bare 40 år. Begrepet naturmangfold gir gjerne assosiasjoner om hårfrytle, om blomkålsopp, om kilekulehalefluer, om klippeblåvinger – ting som bare høster politisk interesse hver gang de kommer i veien for en motorvei. Men dette naturmangfoldet er livsgrunnlaget på jorda. Det er maten vår. Det lager oksygenet vi puster inn. At menneskers virksomhet har ødelagt halvparten av dette på bare 40 år, er det aller mest dramatiske beviset på at vi har veldig dårlig tid til å finne nye måter å organisere økonomi, forbruk og ressursforvaltning på. Det gjelder De globale klimagassutslippene er en del av dette bildet. De peker i dag ikke mot noe togradersmål, men mot 4-5 graders oppvarming, og FNs klimatoppmøte for kort tid siden bekreftet at verden slett ikke er på vei mot noen global klimaavtale, og slett ikke mot noen global karbonpris. Norge er en av pådriverne for den globale oppvarmingen gjennom vår olje- og gasseksport Gjennomsnittsnordmannen er per hode verdens fjerde største eksportør av klimagasser. Dette tjener vi veldig mye penger på, og det gir oss et stort ansvar. Samtidig er det viktig å merke seg at det skjer mye lovende internasjonalt, men det er i veldig stor grad fordi noen handler selv, i stedet for å vente på internasjonale løsninger. Det er altså jobben hjemme som avgjør hva vi får til, både totalt og i det internasjonale samarbeidet. Det er derfor direkte uansvarlig av regjeringen og av stortingsflertallet å skape et inntrykk av at de store oppgavene først og fremst løses internasjonalt, mens vi fortsetter omtrent som før her hjemme. Vi må like godt slå det fast: Høyre og Fremskrittspartiet har brukt sitt første år i regjering på å demonstrere veldig forstemmende lavt nivå av politikk som faktisk gjør Norge mer bærekraftig. Hovedfokuset er forbruksvekst. Vi ser null tiltak for norsk natur, vi ser null utslippskutt. Det er urovekkende å se motviljen mot helhetstenking i et verdikonservativt parti som Høyre. I blir verdier som matjord, matproduksjon, natur og friluftsliv tapere når målestokken er kortsiktig lønnsomhet. Det krever kontinuerlig bevissthet og innsats å bevare slike grunnleggende verdier. Å ødelegge dem krever bare engangsbeslutninger. Vi er bekymret over at Høyre tilsynelatende ikke ser dette, hvordan industrialisering av landbruket vil hvordan fortsatt nedbygging av matjord vil koste framtida, hva snøscooterfrislipp vil koste natur, friluftsliv og folkehelse, og hva nedprioritert miljøfokus i arealplanarbeidet vil koste natur og kultur. Denne uviljen mot helhetstenking er det største hinderet mot bærekraftig utvikling i norsk politikk. Den er årsaken til at det i utgangspunktet lovende klimaforliket nå er en trist fiasko. Den rød-grønne regjeringen ville ikke kutte utslipp. Den blå regjeringen har oppdaget til sin forbløffelse at vi ligger langt etter klimaløftene, og da hjelper det ikke å gjenta 75 ganger at man vil forsterke klimaforliket, særlig ikke når statsministeren samtidig varsler at vi ikke vil greie utslippskuttene. Vi er allerede på vei inn i en situasjon som mange har varslet. Mens stortingsflertallet ikke bruker dagens handlingsrom til å lede Norge på en bærekraftig kurs, blir handlingsrommet innsnevret av internasjonal utvikling. Store olje- og gassressurser mange steder i verden peker mot langvarig lav olje- og gasspris. Det betyr at dyre norske prosjekter vil bli presset i pris, og fra den andre siden presses vi av en akselererende fornybarutvikling. EU planlegger å bli uavhengig av karbon. Sannsynligheten avtar raskt for at arbeidere på Mongstad, på Aker Verdal og i Sveagruvene på Svalbard har olje- og kullarbeidsplasser å gå til om noen få år. Uviljen mot helhetstenking og uviljen mot å ta i bruk de store virkemidlene er blitt norsk politikks bumerke. Miljøpartiet De Grønne mener at dette er det viktigste for en bærekraftig utvikling, og vi vil sette inn trykket her. Vi må lage de nye jobbene Det vil kreve minst like stor innsats som Norge la for dagen da vi skapte oljeeventyret, og vi har innsatsfaktorene. Dagens massive fordeler innen skatt, avskrivingsregler og garantier til oljesektoren må flyttes til det fornybare næringslivet. Det er å satse på utvikling. Vi må forplikte oss til bærekraft, slik vi forplikter oss på andre samfunnsområder. En klimalov vil sette den overordnede rammen og gi koordineringen for norsk energi-, klima- og næringspolitikk, som i dag glimrer med sitt fravær. Det vil sikre at tiltak innen én sektor ses i sammenheng med tiltak i en annen sektor, og framfor alt vil det gi norsk næringsliv den forutsigbarheten det trenger for å kunne utløse kreativitet og satse langsiktig. Vi må bruke oljefondet. Det er vårt suverent største utenrikspolitiske verktøy. Det blir stadig mer meningsløst å ha en ambisiøs internasjonal politikk uten å bruke vårt største redskap. I dag er sannsynligheten meget stor for at pensjonsfondet motvirker god klimapolitikk og motvirker bærekraftig utvikling. Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for å bruke omtrent 5 pst. i første omgang av fondet til bærekraftige investeringer, og Stortinget har til behandling et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om en klimaprosent, å skyte inn 30 mrd. kr – tilsvarende 1 pst. av BNI – fra oljefondet og til FNs grønne klimafond. Hele poenget med FNs grønne klimafond – som Norge har vært en pådriver for – er at rike land stiller til rådighet kritisk nødvendige midler for fornybarutvikling i fattige land. Den utviklingen er forutsetningen for at vi kan klare klima- og bærekraftmålene her i verden. verden. De 200 mill. kr som regjeringen har lovet så langt, er i beste fall en særdeles sped begynnelse fra et land som kan så mye, mye mer at vi er i en internasjonal særklasse. Jeg vil oppsummere ved å stille regjeringen tre spørsmål. For det første: Hva skal arbeiderne på Mongstad-raffineriet, i Aker Verdal og i Store Norske Kullkompani jobbe med når bedriftene deres legges ned? For det andre: Hva skal det innebære i praksis – klimamessig – å styrke klimaforliket? Og for det tredje: Hva vil regjeringen gjøre for å oppfylle forpliktelsene om å stanse tap av naturmangfold i Norge innen 2020? I Finland og Sverige har Miljøpartiet De Grønne gått henholdsvis ut av og inn i regjering. Det viser at Miljøpartiet De Grønne søker makt, men også står for sine standpunkter når vi ikke får gjennomført dem.

for å snakke det andre opp – begge deler er viktig. Men mitt spørsmål handler om et område hvor ikke Miljøpartiet De Grønne ofte er så tydelige, og det kan jeg forstå, og representanten grunngir også hvilke valg av saker, og det gjelder veksel mellom privat forbruk og offentlig forbruk. Regjeringen varslet i revidert budsjett at det private forbruket stiger raskere enn det offentlige. De varsler nå også store kutt i skatter og avgifter som kommer til å øke det private forbruket ytterligere. Hva er Miljøpartiet De Grønnes syn på skattepolitiske grep og fordeling i stort, for det handler jo om hvor samfunnet bruker sine store ressurser for å nå viktige mål? For Miljøpartiet De Grønne ligger det absolutt til grunn at vi for det første vil føre en politikk som er solidarisk med alle de menneskene som er en del av vårt samfunn, og det samfunnet som er rundt oss. Det betyr at vi er nødt til å betale sammen for de utgiftene som kreves for at vi skal kunne ha et velferdssamfunn. Det betyr at på lang sikt, når vi ser inn i et samfunn hvor vi muligens vil ha noe mindre luksuriøse inntekter fra f.eks. oljevirksomhet, vil det bli mer nødvendig å dekke en del grunnleggende utgifter over fellesskapet. Dessuten

et eksempel. Et helhetlig perspektiv er viktig også fordi både velferdsstaten og velferdssamfunnet, som Hansson var opptatt av i en tidligere replikkveksling, og også det grønne skiftet må finansieres. Det er ikke oljen vi lever av i Norge – det tror jeg de fleste er glad for – det er arbeidskraften vår. Så vet vi fra Miljøpartiet De Grønnes program at de ønsker at all reallønnsvekst skal tas ut i form av økt fritid. Det vil i så fall bety at vår evne til å finansiere velferden og det grønne skiftet vil bli mindre i fremtiden. Ser ikke representanten Hansson hvor problematisk en sånn omlegging av norsk økonomi vil være? Jeg ser åpenbart at det vil være problemer knyttet til enhver omlegging av både norsk og annen økonomi. Det er ikke sånn at vi skal innbille verken oss selv eller velgerne at det å rette opp en del av de problemene dagens økonomiske utvikling faktisk skaper, vil være totalt kostnads- og ubehagsfritt. Det Miljøpartiet De Grønne retter søkelyset mot, og der vi ser fram til at andre partier kommer etter, er det faktum at en utvikling som ensidig gjør det motsatte, nemlig bare å ville ta ut produktivitetsvekst og effektivitetsvekst gjennom økt forbruk, er en politikk som undergraver og forsterker de problemer som også Høyre og representanten Astrup er opptatt av å løse. Det er ingen grunn til å tro at enda mer av den medisinen som har skapt veldig mye av problemet, er det som vil løse problemet. Så kan man utvilsomt diskutere hvor mye som skal tas ut i f.eks. redusert arbeidstid, men det er ingen tvil om at det er en type verdi som må på bordet, å kunne konkurrere med bare reallønnsvekst. Vi lever i en tid da fattige land opplever økonomisk vekst på grunn av handel, globalisering og økonomiske reformer. Det er fantastisk. Samtidig ser vi økte ulikheter i vestlige land, og arbeidstakerne er under press fra den internasjonale konkurransen. Også i Norge må vi ta den internasjonale utviklingen innover oss når oljeinntektene avtar framover og norsk økonomi blir Selskapsskatten må trolig reduseres, hvis ikke kan vi risikere at bedrifter flytter ut. Vi bør også gi skattelette til frivillige organisasjoner, som gjør en stor innsats i velferdssamfunnet. Og vi bør gi målrettede skattereduksjoner for å fremme miljøvennlige valg. Samtidig må vi vektlegge personbeskatning på privat formue, inntekt og forbruk der de med mest fra før, må bidra mest til fellesskapet. Deler Miljøpartiet De Grønne hovedtrekkene i vår

Nå er det ikke slik at vi i dag er internasjonale konkurransetapere på grunn av det skatteregimet vi har i dag, men grovt sett er det slik at de som har mye, er de som skal bidra mest, kombinert med – og der er jeg opptatt av å rose den tenkningen som regjeringen står for – at man må sette inn virkemidler for å småbedrifter og innovasjon, og det tror vi er den mest fruktbare måten å innrette et framtidig skattesystem på. Der er jeg sikker på at vi kan komme til enighet med både Kristelig Folkeparti og andre.

Eg vil òg tru at Miljøpartiet Dei Grøne er einig med Senterpartiet i at ein heilt nødvendig føresetnad for verdiskaping og livskraftige lokalsamfunn er god kommunikasjon og framkomst. Folk må kome til og ifrå, anten dei er i byen eller i bygda. Difor må me investere betydeleg i vegutbygging, noko Miljøpartiet Dei Grøne ikkje nemner i sitt program. Så eg vil gjerne vite korleis Miljøpartiet Dei Grøne prioriterer vegar og framkomst i norske distrikt dei komande åra, og om det er slik at ferja i Sogn og Fjordane må haldast opp mot trikken i Oslo, som eg tykte å høyre tidlegare i dag. Som det framgår av Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett fra i fjor og vil framgå av vårt alternative budsjett i år – her kommer det en budsjettlekkasje – er det ikke tvil om at vi kommer til å videreføre satsingen på i distriktene. Men vi foretar altså et valg når det gjelder de store veisatsingene, og jeg er uenig med Senterpartiet, selv om representanten Navarsete har helt rett i at vi er enige med Senterpartiet om mange ting. Det store veivalget vi foretar, er at vi ikke går inn for en storskala videre motorveiutbygging. Vi vil flytte den satsingen over på og sykkel. Det gjør vi fordi vi er helt overbevist om at Norge som helhet har en stor fordel av det, og at både-og-politikken som ligger i motorveisatsingen ved siden av jernbanesatsingen, undergraver langsiktige miljø- og bærekraftmål. Først vil jeg takke for et godt innlegg. Den beskrivelsen av verden og situasjonen vi er

områder når det gjelder kollektivtrafikken, som vi har en felles interesse for. Men når det gjelder organiseringen, skiller partiene ofte lag både når det gjelder lokaltrafikken og bymiljøpakken. Er man villig til å stå bak den lokale enigheten, f.eks. Oslopakke 3, som jo Miljøpartiet De Grønne har stemt imot lokalt? Er man villig til å stå bak dette nasjonalt? Og når man ser på jernbane, er man villig til å ta i bruk

Samtidig mener vi det er fruktbart og riktig for et parti som står fritt i forhold til en slik pakke, å påpeke det faktum at kollektiv- og miljøinnholdet i pakken er for dårlig. Derfor kommer Miljøpartiet De Grønne til å stå på sitt standpunkt om å være imot den pakken, for å gjøre den markeringen. Når det gjelder det andre spørsmålet, om finansieringsordninger osv. for kollektivtransport, skal jeg være helt åpen og ærlig om at der har ikke Miljøpartiet De Grønne et ferdigspikret program, og vi ser fram til å diskutere både med Venstre både med Venstre og med venstresiden i norsk politikk hva som er de beste løsningene på det vil takke representanten for et godt innlegg. Jeg er helt enig i at det å løse klimaproblemene – å klare å stoppe de farlige klimaendringene, samtidig som vi tar vare på det biologiske mangfoldet og klarer å gjøre det på en rettferdig måte, som det er mulig å få bred oppslutning om, noe jeg tror er helt nødvendig – er vår generasjons største utfordring. Til

verdigrunnlaget for den måten vi tenker på. Helt konkret vil det viktigste jeg vil arbeide for på Stortinget, være at vi får en flyktning- og innvandringspolitikk som tar innover seg det faktum at verden rundt oss befinner seg i en helt eksepsjonell situasjon, der vanlig tenking rundt de spørsmålene rett og slett ikke når opp til den skalaen problemene har. Så vi vil arbeide for en politikk som er rausere, romsligere og mer imøtekommende overfor de menneskene som har det vanskelig rundt oss her på jorda. Replikkordskiftet er omme. En av de virkelig store fordelene med trontaledebatten er at en kan løfte blikket litt og

Politikere er ofte veldig flinke til å løse noen små problemer, fokusere veldig sterkt på noen små deler av et puslespill, mens de store utfordringene egentlig ligger i å klare å tenke helhet. Når det gjelder Justis- og beredskapsdepartementet, har regjeringen derfor lagt opp til at vi skal tenke helhet innenfor straffesakskjeden, asylkjeden og samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden. I straffesakskjeden har regjeringen satset veldig sterkt på bl.a. politi, domstol og kriminalomsorg i 2014. Samtidig ser vi at utfordringene, innenfor både politiets oppgaver, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen, er veldig store. Det er viktig at en ser sammenhengen. og kriminalomsorgen, er veldig store. Det er viktig at en ser sammenhengen. Nå har det vært en runde i mediene rundt kriminalomsorgens store utfordringer og utviklingen de siste ti–tolv årene. Kapasitetsutfordringene i kriminalomsorgen er så store at det også preger evnen og muligheten som politiet, påtalemyndigheten og domstolene har for å gjøre jobben sin raskt og effektivt. Derfor er det viktig at vi ikke bare satser på den ene siden av straffesakskjeden, men at vi sikrer en flyt gjennom hele denne kjeden. Politiet skal settes i stand til både å forebygge, etterforske, iretteføre og sikre beredskapen vår. Vi skal sikre at påtalemyndigheten har de nødvendige ressursene for å ha en effektiv saksbehandling, saksbehandling, vi er avhengig av at domstolene løser oppgavene sine innenfor de tidsfristene som er fastsatt, og vi må ha et sted å plassere dem som blir dømt. Regjeringen har varslet at den nå i høst skal komme tilbake til Stortinget med en politireform. Vi kommer med en egen stortingsmelding om kriminalomsorgen, nettopp fordi vi vil løfte de delene av straffesaksperspektivet som er vi som samfunn skal lykkes i å skape et tryggere Norge. Asylkjeden er også viktig. Vi ser en verden i utvikling som skaper krevende utfordringer for svært mange mennesker, som flykter. Norge skal ta sitt ansvar, både der flyktningene befinner seg, og her hjemme. Det er viktig at vi gjør vår del, og at vi har en effektiv saksbehandling for dem som kommer til Norge og søker beskyttelse. I for lang tid har det dessverre vært sånn at saksbehandlingstiden, effektueringstiden enten en har fått opphold eller avslag, har vært så lang at det er åpenbart at det preger dem som har kommet til Norge for å få beskyttelse. Derfor prioriterer regjeringen sterkt at det skal være sammenheng mellom resultat av asylsøknaden og handling deretter. Får man opphold, skal man raskt bosettes. Får man det ikke, skal man raskt returneres. Regjeringen har satt seg store mål for å oppnå dette i 2014, da vi har økt antall uttransporteringer med omtrent 45 pst. i forhold til fjoråret. Samfunnssikkerhet og beredskap høyt på agendaen. Det er en mer komplisert kjede, for der er det mange aktører. Det er kommuner, det er fylker, det er fylkesmenn, og det er statlige aktører, som skal sikre at vi har en tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap ute der hvor folk er. En avgjørende del av den jobben vi skal gjøre fremover, er å sikre en koordinering mellom de ulike leddene sånn at vi får en bedre samlet samfunnssikkerhet enn det vi har i dag. Der er det viktig å vise til satsingen på politiet, som sikrer beredskapen. Det er viktig å vise til satsingen på Sivilforsvaret – vi har i Stortinget tidligere vært veldig tydelig på at Sivilforsvaret må prioriteres når det gjelder utstyrsanskaffelser for at de skal kunne være den forsterkningsorganisasjonen de skal være ved store samfunnshendelser. det viktig for oss å sikre i fremtiden. Det er viktig å bruke denne typen anledninger – korte, riktignok – til å se ting i sammenheng innenfor hele straffesakskjeden, asylkjeden og samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden. Det blir replikkordskifte. Me er forventingsfulle til justisministeren sitt arbeid i høve til politireforma. Det er

Det får ringverknader for kva tid Stortinget kan behandla ho, og for kva tid politiet sjølv kan starta arbeidet med å setja i verk reforma. Det er uheldig. Eg veit at politiet er utolmodige og på tå hev etter å setja i gang. Mitt spørsmål til justisministeren er om han òg ser verdien av å ha opne, demokratiske forhandlingar i Stortinget når politireforma er lagd fram, og om det er slik at han tek sikte på at dette skal vera mogleg å få i land før jul.

Forutsetningen fra Politianalyseutvalget var, i forhold til den fremdriftsplanen som de skisserte, at en skulle legge frem denne NOU-en mer eller mindre ubearbeidet for Stortinget. Det har regjeringen valgt ikke å gjøre. Vi har tvert imot invitert alle stortingspartier til å delta i prosessene i forkant av at vi skal legge frem oppfølgingen av Politianalysen. Det har fire partier – regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre – vært interessert i å være med på. Men det hindrer selvfølgelig ikke at en også skal ha helt åpne og gode diskusjoner i Stortinget. Det er i Stortinget disse beslutningene til slutt vil ende. Vi er opptatt av å finne de beste løsningene, og vi har ikke nødvendigvis fasiten på det i enhver sammenheng. Eg er veldig glad for å høyra at justisministeren ønskjer opne, demokratiske forhandlingar i Stortinget når saka er lagd fram for Stortinget. Og så vil me frå vår side jobba godt med reforma når ho er lagd fram. Eg meiner at det bør vera ein ambisjon at ho kan verta vedteken her før jul, sånn at politiet kan setja i gang arbeidet allereie frå 1. januar 2015. Er justisministeren einig i det? Jeg har riktignok bare vært statsråd et snaut år, men jeg har lært meg at å sette veldig bastante tidsfrister ofte blir en utfordring fordi det kan dukke opp situasjoner underveis som gjør at ting blir mer komplisert. Men jeg er helt enig med representanten i at det er avgjørende at vi løser dette så raskt som mulig. Det er helt riktig at det er utålmodighet der ute, og det åpent vindu nå som gradvis lukkes, hvis dette tar for lang tid. Det er helt avgjørende at vi skal levere dette så raskt som praktisk mulig. Men det er også viktig at det vi leverer fra oss, har en kvalitet som er I samarbeidsavtalen er Kristelig Folkeparti enig med regjeringen om å etablere en mer effektiv saksbehandling i asyl- og bosettingspolitikken. I avtalen er det enighet om at det skal legges langt mer vekt på hensynet til barnas beste i sakene som gjelder lengeværende asylbarn. Det gjelder selvsagt selve saksbehandlingen, men intensjonen er like klar på at det skal bli en liberalisering i regelverket, slik at flere får bli i forhold til dagens praksis, som dessverre er videreført rød-grønn praksis. Det er inhumant å la barn få bli boende i en uavklart situasjon i årevis. Det haster nå veldig med å få på plass en regelendring for den såkalt varige løsningen, slik at flere får bli. bli. Den venter samfunnet ute og her utålmodig på. Høringsrunden for nye retningslinjer er avsluttet, og vi venter på at de kommer fra fagavdelingen i departementet. Spørsmålet til justisministeren blir: Fra hvilket tidspunkt regner justisministeren med at ny, varig løsning kan tre i kraft? Det er et vanskelig spørsmål å besvare per dato, men vi har registrert og er også enige med både Kristelig Folkeparti og Venstre om at det er viktig at vi får dette på plass raskt. Som representanten Toskedal selv sier, er høringen nylig avsluttet. Det er kommet mange høringsinnspill, en del av dem ganske kritiske. Derfor er det naturlig at vi har samtaler med våre avtalepartnere om hvordan dette følges opp videre. Men dette er et arbeid som har høy prioritet i regjeringen.

Den amerikanske historikaren Henry Brooks Adams sa at praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta. Det er i alle fall lettare å skride raskt til verket og gjere store endringar dersom ein ignorerer fakta og argument som talar mot desse endringane. Justisminister Anundsen er også ein mann som ønskjer å vise handlekraft – det er jo bra. Eg har likevel lyst til å høyre om justisministeren klarar å nemne fakta og argument mot ei massiv samanslåing av politidistrikt og lensmannskontor. Jeg kan levere argumenter både for og imot, og vi har tenkt å gjøre det når vi kommer til Stortinget med oppfølgingen av Politianalysen. Jeg tror det er viktig ikke å tro at det å ville ha mer robuste fagmiljøer i politiet er det samme som å ignorere fakta. Det er et ganske godt grunnlagsarbeid som er gjort i forbindelse med den jobben som Politianalyseutvalget har gjennomført, som jeg tror det er viktig å ha med seg. Samtidig har jeg presisert – og vært veldig tydelig på – at det er et grunnlag for diskusjonen, ikke fasit. Det er et synspunkt som jeg er helt overbevist om at representanten Klinge kommer til å kjenne igjen når Stortinget får oversendt Statsråden har opplevd – og det er noe av det nærmeste jeg tror det går an å komme at en politiker opplever på kroppen – Venstres engasjement når det gjelder asylbarna. Nå kan det i media virke som om Fremskrittspartiet i regjering prøver å sende ut flest mulig før det nye regelverket virker, og som om man har

om. Så mitt spørsmål til statsråden er: Har han gitt noen beskjeder i systemet som gjør at vi får en massiv utsending før det nye regelverket trer i kraft?

Vi har gjort det om, på den måten at det ikke er de som har vært her lenge, som skal prioriteres, men barnefamilier generelt, slik at en får sammenheng mellom vedtakstidspunkt og utsendelse, for at man skal unngå situasjoner hvor barn blir værende veldig lenge i Norge. Men det er altså ikke sendt noen signaler fra regjeringens side som skal bety at en skal prioritere lengeværende barn for at en skal sende dem raskere ut i forkant av et regelverk. Det mener jeg også ville vært en uakseptabel opptreden i forhold til den avtalerelasjonen som regjeringen har med Venstre og Kristelig Folkeparti. At nesten 500 lengeværende asylbarn nå er kastet ut i løpet av et år, står i ganske grell kontrast til avtalen mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre om at man skal ta mer hensyn til lengeværende barn. Mange av dem har jo ikke fått prøvd saken sin mot den kortvarige engangsløsningen, men nå har høringen om den varige ordningen vart en stund, og statsråden nevnte den sjøl i sitt innlegg.

Når det gjelder den varige ordningen, er det riktig som representanten sier, at det er flere kritiske høringssvar i den høringen som har vært ute. Det betyr at vi må ha en ordentlig, grundig gjennomgang av hva som skal være oppfølgingen av det, ikke minst fordi regjeringen har en avtale med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det betyr at vi i den oppfølgingen må være i nær dialog også med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er ingen tvil om at intensjonen i denne avtalen er at det skulle være økt vektlegging på lengeværende barns situasjon, og hvis vi ikke har klart å oppnå det, må vi i tilfelle korrigere kursen. Replikkordskiftet er

til. Akkurat den forståelsen er det tverrpolitisk enighet om. Men når det gjelder hvordan vi skal bygge framtidens Norge, skiller Arbeiderpartiet og regjeringspartiene lag. «Med klokskap har vi sørget for at velferden kommer alle til gode», står det i trontalen. Det er godt sagt. Og det er verdt å minne om at vi er der vi er fordi vi har løst de store oppgavene i fellesskap – gjennom skole og velferd, som er tilgjengelig for alle fordi verdier som rettferdighet, små forskjeller og like muligheter for alle gjør at flere kan være med og bidra i samfunnet, fordi samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, et velorganisert arbeidsliv og en høy grad av likestilling har vært viktig for å sikre høy yrkesdeltakelse, og fordi vi har investert i velferd, kunnskap og infrastruktur framfor skattekutt. Når vi skal fortsette med å bygge framtidens Norge, med god skole, gode helsetjenester og verdig eldreomsorg, forutsetter det at kommunene våre er rustet til å gjøre den jobben. Utgangspunktet for Når vi fra Stortingets og befolkningens side stiller enda høyere krav til hva kommunene skal levere – når det gjelder rekruttering av lærere, kvalitet i barnehagene og en god eldreomsorg – er tusenvis av lokalt folkevalgte og ansatte klare til å strekke seg enda lenger. Men hvis de skal lykkes, må de ha Stortinget med på laget. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å beholde arbeidsmiljøloven som en lov som sikrer arbeidstakerne mulighet til å kombinere familieliv og arbeidsliv, fordi denne fleksibiliteten er så viktig for både kvinner og menn for å delta i arbeidslivet og være med og fylle alle de oppgavene som kommunene skal Det å satse på de ansatte er avgjørende for å sikre sterke fagmiljøer og bedre tjenester til innbyggerne, også i kommunene. Derfor har Arbeiderpartiet tatt til orde for en kompetansereform i kommunene som skal utformes, gjennomføres og finansieres i tett samarbeid mellom kommunene, de Prinsippene for denne reformen skal være en forventning til arbeidstakerne om å holde seg faglig oppdatert og en forventning til kommunene som arbeidsgiver om å legge til rette for faglig utvikling og tettere kontakt mellom kommunene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Jeg er veldig glad for at dette fikk tilslutning fra et bredt stortingsflertall før sommerferien, og jeg ser fram til at regjeringen følger opp dette viktige arbeidet. Når vi har konfrontert høyresiden med at man må velge mellom skattekutt eller kunnskap og velferd, har vi fått til svar at skattekutt vil føre til vekst og høyere inntekter til fellesskapet – det har blitt gjentatt også her i salen i dag. Men sannheten er jo at skattekuttene vil merkes i barnehager, i skoler og i eldreomsorg først. Det er ikke regjeringsmedlemmene, men lokalpolitikerne rundt om i landet som må foreta de smertefulle prioriteringene i virkelighetens verden,

Det er bra at høyresiden anerkjenner de kloke grepene som er gjort for å bygge dagens velferdssamfunn, men det er synd at de selv gjør politiske valg som vil føre til mindre Hvis vi skal møte vår tids utfordringer og bygge landet for framtiden, må vi fortsette å prioritere kunnskap og muligheter for alle framfor usosiale skattekutt, og en grunnleggende forutsetning for et samfunn der velferden kommer alle til gode, er en god kommuneøkonomi. Kommuneproposisjonen som ble lagt fram i vår, gir grunn til bekymring, fordi oppgavene koster mer enn de varslede inntektene dekker, fordi regjeringen har sendt en ubetalt barnehageregning til kommunene, og fordi skattesvikten som kommunene nå opplever for første gang på ti år, ikke kompenseres. Det er også varslet en stor pensjonsregning. Når Høyres parlamentariske leder tidligere i dag har sagt at det ikke er grunn til bekymring, forutsetter jeg at det betyr at man har tatt signalene fra kommunene på alvor og har rettet opp i dette. Det

Så hører vi en nyvalgt partileder i Arbeiderpartiet som sår betydelig tvil om hvorvidt dette fortsatt vil være Arbeiderpartiets standpunkt. Høyttenkning er fint, men konstant høyttenkning blir veldig ofte til uklarhet. Derfor lurer jeg på om representanten Pedersen kan klargjøre om hun har snudd i synet på i likhet med f.eks. OL-uttalelsene – er noe som må stå for representanten Gahr Støres egen regning. Jeg er veldig glad for at vi i Arbeiderpartiet har en partileder som reiser viktige politiske debatter i vår tid og peker på mange viktige dilemmaer, bl.a. knyttet til at vi skal bidra til å skaffe verden energi, samtidig som vi skal bidra til å finne svar på en av vår tids største utfordringer, nemlig klimaspørsmålet. Jeg er også helt enig med vår partileder i at Arbeiderpartiet fortsatt skal være i front når det gjelder å utforme en moderne familiepolitikk. Arbeiderpartiets program står selvfølgelig fast, men vi skal også tenke videre – for årene årene framover. Det jeg har hørt vår partileder etterlyse veldig tydelig, er satsingen på to barnehageopptak. Her hørte vi i valgkampen i fjor et Høyre som lovte løpende barnehageopptak – større og flottere enn det Arbeiderpartiet gikk til valg på. Idet man kom til stortingssalen og hadde fått makt, kuttet man i det. Det er sterkt beklagelig.

vil Arbeidarpartiet bidra til å gjera situasjonen for Bergen betre, eller meiner ein at det var riktig å straffa Bergen med dei tre endringane som eg tok opp? Arbeiderpartiet vil legge til rette for at både Bergen og de øvrige kommunene i landet får gode rammevilkår for å gi gode tjenester til innbyggerne, og derfor kommer vi til å prioritere Så må lokalpolitikerne foreta sine prioriteringer innenfor dette handlingsrommet. Jeg vil advare veldig sterkt mot det som Høyre og Fremskrittspartiet har varslet i regjeringsplattformen – nemlig at man skal øke skatteandelen på bekostning av inntekter, og at kommunene skal beholde en høyere andel av skatteinntektene selv. Det er det kun et av kommunene i Norge som vil tjene på. Det store flertallet vil tape massivt. Vi må løse storbyenes utfordringer på andre måter. Vi skal stille opp for både Bergen og Oslo, men vi skal også stille opp for de andre kommunene i landet, slik at det blir en rettferdig fordeling.

setter vi på plussiden også fra nestlederen i Arbeiderpartiet. Det var et innlegg hvor man lovpriste den kommunale velferden, og det er vel og bra. Hva er et velferdssamfunn? Er det noe mer enn en velferdsstat? Det er i grunnen mitt spørsmål til Helga Pedersen, for jeg hørte ikke noe om det jeg vil kalle det tredje fundamentet, nemlig ideell og sivil sektor. Så mitt spørsmål er da: Hvordan ser Arbeiderpartiet på ideell sektor som del av det velferdssamfunnet som jeg regner med at vi er enige om? Jeg takker for spørsmålet. Jeg synes det er et veldig bra spørsmål. Det er klart at et velferdssamfunn er mer enn en velferdsstat. Velferdssamfunn handler om at vi løser de store oppgavene i fellesskap. Da må vi ha en omfordelende stat som sikrer inntekter til fellesskapet, og som kan fordele goder på en rettferdig måte. Men det handler også om å stimulere samfunnet som sådan til innsats, og der har frivillig sektor og ideelle aktører en svært viktig rolle. Derfor vil jeg også advare mot den kommersialiseringen av grunnleggende velferdstjenester som det synes som om dagens regjering står for. Hvis alt skal konkurranseutsettes med sikte på å ta ut profitt, taper ikke bare fellesskapet, da taper også de ideelle aktørene sin mulighet til å være med og bidra. Det vil være en svært beklagelig utvikling. Der håper jeg at Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti kan stå sammen.

i. Vi er også enig i at det må skje innenfor et system der man fordeler inntektene mellom de kommunene som har høye inntekter og dem som har lave inntekter. Til det har vi bl.a. brukt både storbytilskudd og vekstkommunetilskudd. vekstkommunetilskudd. Når det gjelder dem, skiller SV og Arbeiderpartiet litt lag, fordi SV mener at vi skal legge de tilskuddene oppå kommuneøkonomien, mens Arbeiderpartiets løsning er først å trekke pengene ut av alle kommunene og så fordele dem til vekstkommunene. Dette gjør at noen av de kommunene som sliter med fraflytting og høye utgifter, er nødt til å være med på å betale for satsingen. Kunne Arbeiderpartiet tenke seg å vurdere SVs løsning – nemlig å legge disse pengene i tillegg til rammene? Nå skal jeg vokte meg for å stupe ned i teknikalitetene. Jeg er helt sikker på at Arbeiderpartiet og SV sammen med andre gode venner her på Stortinget kan finne sammen om akkurat det hvis vi er enige om de overordnede prinsippene. Og de overordnede prinsippene som jeg oppfatter at

Så la oss stå sammen om det, prøve å få flertall i denne salen for det, for vi ser at det er sterke krefter – bl.a. representert ved regjeringen – som ønsker en helt annen utvikling med sentralisering i fokus. Det vil være synd. Norge i dag er bygget på at by og land går hand i hand. Vi må legge til rette for at man fortsatt kan utfylle hverandre der.

Det er fordi vi må sørge for at vår velferd har solid finansiering, og at den enkelte skal ha en trygg jobb å gå til. For å sikre vår fremtidige velferd er vi avhengige av en skole som legger til rette for at flere lærer mer. Vi trenger universiteter, høyskoler og fagskoler som leverer relevant utdanning av god kvalitet, og vi trenger forskningsmiljøer som kan bidra til å forenkle, fornye og forbedre både næringslivet og offentlig sektor. sektor. Regjeringen la nylig frem sin strategi for hvordan elevene skal lære mer. Det handler om å skape et samfunn hvor forskjellene ikke er større enn at hver enkelt kan forme sin egen fremtid ut fra sine evner, innsats og interesser. En viktig del av denne strategien handler om å investere mer i læreren. Med Lærerløftet innfrir regjeringen på en av sine aller viktigste valgkampsaker – at norske skoleelever skal lære mer. Mange av tiltakene har vært etterlyst av lærerne selv, rektorer, skoleeiere og næringslivet. Dyktige lærere er avgjørende for elevenes faglige utbytte og mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Regjeringen har tillit til lærerne som fagpersoner. Med det utgangspunktet vil regjeringen satse enda mer på deres kompetanse og arbeide for å gjøre yrket mer attraktivt. Lærerløftet betyr at vi skjerper kravene for å bli lærer, og for å få lov til å være lærer. Barn skal undervises av lærere som har den nødvendige fagkompetansen. Regjeringen gjør de investeringene som skal til for at alle lærere kan fylle kompetansekravene vi nå stiller. Alle elever fortjener å bli møtt av en faglig dyktig lærer. Spesielt er dette viktig i kjernefagene matematikk, engelsk og norsk. I dag mangler én av fem mattelærere, én av syv norsklærere og over 40 pst. av engelsklærerne fordypning i fagene de underviser i. At læreryrket ikke er attraktivt nok, og at en del lærere mangler kompetanse i fagene de underviser i, er ikke lærerens feil, men et resultat av at politikere i mange tiår ikke har prioritert kunnskap i skolen høyt nok. Derfor gjennomfører regjeringen dette lærerløftet. Det regjeringen ønsker å gjøre, er å: etablere en praksisnær femårig lærerutdanning skjerpe opptakskravene til utdanningen stille krav om at lærere skal ha fordypning for å undervise i de mest sentrale fagene styrke satsingen på etter- og videreutdanning etablere piloter for å utvikle flere karriereveier i skolen Regjeringen vil også utvikle fagopplæringen gjennom offensive tiltak, som eksempelvis økt lærlingtilskudd, alternative opplæringsløp og å styrke muligheten for at yrkesfagelever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift. Det er i yrkesfagopplæring vi dessverre ser de største tallene for og vi vet at de som ikke gjennomfører videregående opplæring, er de som i størst grad står i fare for å havne utenfor arbeidslivet senere. Målet er at flere gjennomfører. I tillegg vil regjeringen styrke de tekniske fagskolene og gjeninnføre statlig finansiering av fagskolene. Regjeringen har ambisiøse mål i kunnskapspolitikken, og helt konkret vil regjeringen legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringen vil også legge frem en stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning. utdanning. Det betyr at vi i året som ligger foran oss, står overfor viktige debatter om hvordan vi skal innrette vår kunnskapspolitikk for å sikre verdiskaping gjennom trygge arbeidsplasser, som er hele grunnlaget for vår velferd. Det å sørge for at folk skal ha en trygg jobb å gå til, betyr også at flere enn det vi ser i dag, skal få muligheten til å komme inn i arbeidslivet. I dag er det over 650 000 mennesker som helt eller delvis er utenfor arbeidslivet. Det betyr at vi må ha en lavere terskel inn i arbeidslivet, slik at flere får muligheten til å skaffe seg relevant erfaring. Det er bl.a. derfor vi vil justere arbeidsmiljøloven. Vi er godt i gang med å levere det vi lovet i valgkampen i fjor. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har allerede markert seg innenfor kunnskap gjennom en kraftig satsing på etter- og videreutdanning av lærere, gjennom en forsterket innsats for universitets- og høyskolesektoren og gjennom en målrettet satsing på forskning og forskningsinfrastruktur. Trontalen som er grunnlaget for debatten her i dag, viser at regjeringen vil fortsette denne satsingen, og det betyr at vi ser en politikk som bidrar til at vi ruster Norge

Det er bra at det er bred enighet om å styrke videreutdanning av lærere, ordningen som Stoltenberg-regjeringen etablerte. Utover det lurer jeg på: Hvilke tiltak i regjeringens lærerløft vil gi lærerne bedre tid og muligheter til å støtte hver enkelt elev her og nå, og ikke først om tre til ti år? Jeg er ute etter konkrete tiltak – ikke visjoner, arbeidsgrupper og utredninger.

Vi skal gjøre om lærerutdanningen til en femårig mastergrad, som vi mener vil gi oss lærere med dypere faglig kompetanse. Vi skal i første omgang styrke kompetansen i fagene matematikk, engelsk og norsk. Vi vil fortsette det store trykket på etter- og videreutdanning som vi kom med i det første budsjettet vi hadde. Dette mener jeg er helt konkrete tiltak, som jeg gleder meg til å følge

Da har jeg følgende spørsmål som oppfølging til det: Det vi vet fra fjorårets budsjett – nå vil vi få vite mer om neste års budsjett senere denne uka – er at man har kuttet i ett forskningsområde, et forskningsfond som forskning viser at fungerer godt på områder som er svært viktige, nemlig det som handler om å mobilisere regional innovasjon, levere kvalitet, øke forskningen i bedriftene og mobilisere offentlig forskning – og jeg snakker om regionale forskningsfondene. Hvorfor kutter man i noe vi vet virker? Det store svaret på det er egentlig at den totale bevilgningen til forskning økte betraktelig med den nye regjeringen – en halv milliard kroner. Så har vi også foretatt noen prioriteringer i det budsjettet som ble lagt frem, og som er inneværende års vedtatte budsjett, og det handler om å styrke bl.a. næringslivets evne til å bidra med forskning, det handler om å styrke SkatteFUNN, det handler også om basisbevilgningen til universitetet, og det handler om enkelte utvalgte infrastrukturtiltak som vi ønsket å prioritere. Så det handler rett og slett om å prioritere, og de prioriteringene som vi la inn i det budsjettet, synes jeg er veldig

men når vi ser på hvilke tiltak som ligger i det såkalte Lærerløftet, så handler det stort sett om framtidige kompetansekrav til lærerne. Man har i liten grad lyttet til det lærerne selv sier om behovet for å fjerne tidstyver, om behovet for å ha rammer rundt utøvelsen av læreryrket, som gjør det mulig å gjøre en god jobb i klasserommet, og om problemet med at lærerne har for liten tid til hver enkelt elev. Mener Høyre at det er lærerne som er hovedproblemet i norsk skole i dag? Er det for dårlig kompetanse blant lærerne som er hovedårsaken til at for mange faller fra, at stadig flere har behov for spesialundervisning, og at altfor mange går ut av grunnskolen som funksjonelle analfabeter? For det første vil jeg si at det er ikke lærerne som er problemet; det er nettopp lærerne som er nøkkelen til at vi skal kunne lykkes.

det lærerløftet som vi har fremlagt, er det nemlig mange tiltak som er etterspurt av alle disse som jeg nevnte. Når det gjelder tidstyvene, er det ikke sånn at vi ikke jobber med det. Det er et eget utvalg som jobber med å fjerne tidstyvene i skolen, og det er et veldig viktig arbeid, det også, slik at vi sørger for å fjerne det unødvendige arbeidet som gjøres til enhver tid.

etter det som står om skole, kan vi lese følgende: «Regjeringen vil forenkle regelverket og videreutvikle digitale løsninger, slik at næringslivet kan bruke mindre tid på byråkrati og mer på verdiskaping.» Det er vel noe av det som lærerne sjøl har etterspurt også. Dette gjelder altså næringslivet – jeg antar i hvert fall det private. Jeg lurer på om representanten kan opplyse Stortinget om – og eventuelt på hvilken måte – de ønsker å eventuelt på hvilken måte – de ønsker å forenkle regelverket og gi lærerne mulighet til å bruke mer tid på verdiskaping og mindre tid på byråkrati. Takk for det. Jeg mener jeg svarte på det spørsmålet i sted. Det er et eget utvalg som går gjennom skolen også for å se på de tidstyvene som er i skolen. Selv om ikke det ble nevnt spesielt i en trontale, som er meget komprimert om utvalgte ting, mener jeg at det er godt ivaretatt. Jeg er helt enig i at det er veldig viktig. viktig. Vi er selvfølgelig like opptatt som alle andre av at lærere skal få være lærere og konsentrere seg om å lære elevene mest mulig. Så det kan jeg forsikre om at vi skal bidra til – å holde trykket oppe på å fjerne de unødvendige tidstyvene som er i lærerens hverdag. Replikkordskiftet er omme. Eg synest tala til kongen var spesielt god i år. Eg har, som mange andre,

kommunesektoren. Eg håpar at kommunesektoren vil gripa moglegheita når det er varsla at ei melding kjem neste vår om kva oppgåver ein skal flytta ned til lokaldemokratiet. Eg håpar det ikkje berre er departementa som ser på kva dei kan gje frå seg, men òg at det er offensive kommunar som spelar inn til oss kva dei ønskjer å overta og kva dei meiner dei er betre i stand til å prioritera og løysa på vegner av innbyggjarane enn statleg og fylkeskommunalt nivå.

kommunereform. No er det Stortinget og regjeringa som gjennomfører den reforma, som lokalpolitikarane sjølve har bedt om, og som det er behov for i landet vårt, ettersom det er 50 år sidan førre gongen ein sette seg ned for å sjå på kommuneinndelinga og kommuneoppgåvene i ein stor samanheng. Bakgrunnen for å gjennomføra kommunereforma er ikkje lik i Noreg som han var i Danmark, Finland og andre land – ut frå økonomi. Me har ikkje det utgangspunktet at ein skal gjera dette for å spara pengar. Difor blir det òg feil å samanlikna vår reform med reformer ein har sett i Europa, som har mått spara pengar på grunn av situasjonen der. Vår reform er meir tufta på at ein skal delegera oppgåver ned til lokaldemokratiet, og at ein skal skapa kommunar som skal skapa kommunar som skal få fleire oppgåver og kan løysa fleire oppgåver for sine innbyggjarar. Bakgrunnen er òg at me ønskjer å skapa gode, robuste fagmiljø, som sikrar at dei som treng kommunen aller mest, blir tekne imot av eit fagmiljø som kan ta imot utfordringa, og ikkje berre av ein fagperson. Ein er veldig sårbar med den oppgåveporteføljen norske kommunar har. Det er veldig mange kommunar som snakkar om fagpersonar og ikkje fagmiljø. Det ønskjer me å gjera noko med, slik at alle innbyggjarar skal at ein får løyst sine primære og største behov av eit fagmiljø. No, eit par månader etter at Stortinget gav eit breitt samtykke til å gjennomføra og starta prosessen, vil eg rosa lokalpolitikarane for at veldig mange av dei har teke dette offensivt. Ein har ikkje gått inn i situasjonen og sett på dette som ein trugsel, men ein ser på dette som ei moglegheit til å skapa betre kommunar for innbyggjarane. Lokalpolitikarane skal ha ros for det. Eg vil òg rosa fylkesmennene. Eg hadde aldri trudd eg skulle seia det frå denne talarstolen, men fylkesmennene har teke tak i reforma på ein god måte, og er gode lokale bindeledd som sørgjer for at reforma blir godt følgd opp i landets kommunar. Når me diskuterer trontala, er det som ein statsråd sa tidlegare: Ein kan løfta blikket litt.

Men det tek ikkje frå oss at me likevel må jobba kvar einaste dag med å anerkjenna lokaldemokratiet og jobba for at det skal få den plassen i forvaltinga som det fortener, som eit viktig organ for innbyggjarane i landet vårt. Det blir replikkordskifte. Det var mange fine ord om lokaldemokrati og velferd ute i det ganske land. Men jeg savner perspektivet som vi i Arbeiderpartiet mener er

Da har jeg lyst til å spørre representanten Njåstad: Hvorfor er det sånn at Fremskrittspartiets omsorg for kommunene er så mye større i opposisjon enn i posisjon? Framstegspartiets tanke for kommuneøkonomien er minst like stor i posisjon som i opposisjon. Me har bidrege der me har kunna til å styrkja kommuneøkonomien, og det bidreg me òg med kvar dag no når me er i regjeringsposisjon.

kommuneproposisjon. Så det blir direkte feil å seia at denne regjeringa har ein annan politikk når det gjeld å finansiera opp kommunesektoren. Ein stiller òg eit spørsmål om Framstegspartiet endra syn på å kompensera for skattesvikt då dei gjekk frå opposisjon til posisjon. Det som er minst like interessant, er at det er Arbeidarpartiet som har skifta kurs her. Der ein tidlegare aldri har kompensert for skattesvikt når ein har vore i posisjon, meiner ein no plutseleg at ein skal kompensera for skattesvikten – når ein er

Derfor har Kristelig Folkeparti store forventninger til det nye veiselskapet og investeringsselskapet som skal på plass. For Kristelig Folkeparti er det viktig at disse nye selskapene gir bedre veier også i distriktene, ikke bare i eller mellom de store byene. Hvordan vil Fremskrittspartiet sørge for at det reformarbeidet som nå er i gang, gir bedre standard på veiene over hele landet, og særlig der hvor kollektivtransporten ikke
armen no. Har det verkeleg skjedd at òg fleire spør etter framdrifta til det vegselskapet som har vore vår politikk åleine i alle år? Det synest eg er utruleg kjekt å oppleva. Dette vegselskapet som regjeringa no jobbar med korleis ein skal setja i stand, er me òg utolmodige etter, for no får me endeleg prøva vår eigen politikk. Sjølvsagt er det tanken at vegselskapet skal byggja vegar smartare og betre over heile landet, og at vegselskapet skal bli den store forskjellen på vegbygging før og etter at Framstegspartiet kom inn i regjeringskontora. Eg kan ikkje svara meir konkret enn at eg deler utolmodet, og eg gler meg spesielt over at fleire i lag med oss er utolmodige etter å få vegselskapet på plass. I Fremskrittspartiets prinsipprogram er I Fremskrittspartiets prinsipprogram er det sterke formuleringer om lokalt selvstyre og bruk av folkeavstemning. Det står bl.a.: «Innbyggerne i en kommune har rett til å styre seg selv i saker som primært er av lokal interesse Videre står det: «Fremskrittspartiet ser svakheter ved vårt demokrati. Det bør derfor innføres et system der velgerne, gjennom folkeavstemninger, får direkte avgjørende beslutningsrett.»

Hvorfor mener Fremskrittspartiet at folkeavstemning ikke er viktig i et spørsmål som gjelder sammenslåing av kommuner, samtidig som man skal øke bruken av folkeavstemning i andre lokalpolitiske saker? Folkerøysting er viktig og har vore eit viktig prinsipp for Framstegspartiet lenge. I tillegg til ved val skal folk òg kunna ha direkte Grunnen til at me i proposisjonen har sagt at me ønskjer meir enn berre folkerøysting knytt til kommunereforma, er at det i denne fasen, som ein no er inne i, der ein utredar og vurderer situasjonen, kan vera nyttig å få meir enn berre eit ja-/nei-svar frå innbyggjarane. Ein kan ta dei med på råd gjennom ulike tiltak, bl.a. Innbyggerundersøkelsen, som departementet har kommunane ein moglegheit til å nytta. Men kommunane står heilt fritt til å bruka den, om dei skal gjennomføra ordinære folkerøystingar på eit tidleg tidspunkt eller på eit seinare tidspunkt, og om ein skal involvera innbyggjarane på andre måtar. Det einaste me har vore veldig tydelege på, er at innbyggjarane må vera med på prosessen. Me er like glade i folkerøystingar som tidlegare, men når det kjem til kommunereforma, har me sagt i vårt program at

være slik at alle kan delta. Nå har vi sett flere steder der det har vært gjennomført slike undersøkelser, at f.eks. folk som er over 75 år eller over 80 år gamle, har blitt utelukket. Det er ren aldersdiskriminering. Det har vært veldig stille fra Fremskrittspartiet i den saken, og jeg har spurt kommunalministeren og fått svar i dag. Jeg spurte: Vil regjeringen akseptere slik aldersdiskriminering ved disse undersøkelsene? Svaret er ja. Det har man ikke tenkt å legge seg opp i.

Eg trur det er viktig å ta med alle, òg dei eldre, men òg dei unge er det viktig å ta med. Om me skal overstyra dette gjennom lovendringar og sånt, er eg usikker på, men å gje ei klar tilråding om at det er viktig at kommunane lyttar til alle innbyggjarane sine i denne prosessen og tek alle med på råd, vil vera eit klart signal frå mi side om at kommunane bør ikkje utelata noka gruppe basert på alder, men sørgja for at flest både unge og eldre, får vera med og seia si meining om sitt lokalsamfunn, knytt til dette kommunereformarbeidet. Replikkordskiftet er omme. Jeg er glad for at jeg nå skal få lov til å snakke om de over 80. Eldrebølgen er skissert som en av de største utfordringene i tiden framover – en utfordring som vil kreve enorme ressurser. Men eldre er også en gruppe som tilfører samfunnet vårt kjempestore ressurser. Eldre er en like mangfoldig gruppe som yngre og middelaldrende. Eldre mennesker over 80 år opplever å ha stadig bedre helse, og det er jo fantastisk. Vi ser også at den medisinske utviklingen resulterer i at både eldre og yngre lever lenger med kroniske sykdommer, og de overlever også alvorlige diagnoser mer enn før. Mange eldre har også mer kompliserte og sammensatte diagnoser enn det vi har kunnet behandle før. Kristelig Folkeparti er opptatt av å sikre eldre en verdig alderdom. De sykeste eldre må få den tjenesten de trenger. Verdighetsgarantien må fyllest opp med nødvendige midler til kommunene. Når vil verdighetsgarantien være ikke bare ord, men også handling? Kristelig Folkeparti vil sikre at verdighetsgarantien for eldreomsorgen oppfylles i alle kommuner, og at garantien omfatter lovfestet rett til sykehjemsplass ved Behovet i dag er langt større enn tilbudet om plass. Forrige regjering lovte 12 000 plasser og fikk til 567 plasser. Det er ikke det antallet de gikk til valg på, og de innfridde ikke. Kristelig Folkeparti har år etter år foreslått mer midler og større statlig ansvar i finansieringen uten å få støtte fra de

Mange opplever å bli sendt mellom sykehus og kommuner gang etter gang. Pasienter som er ekstra syke, blir fraktet enten hjem fra sykehus eller til sykehus. Det er nødvendig med et godt støtteapparat i kommunen for å unngå gjentatte og meningsløse sykehusinnleggelser. Vi må ha et sømløst pasientbehandlingsforløp ved livets slutt. Hvordan vi evner å ivareta de mest

Det er en politisk oppgave å sikre at syke og døende får en verdig omsorg. Kommunene må sikres de nødvendige midlene, og vi må få en kompetanseheving i hele helse- og omsorgstjenesten – både i hjemmetjenesten, i sykehjem og i sykehus. Helsepersonell må tørre å sitte ved siden av sengen og ikke bare sette seg ned. Og her er det snakk om mer enn varme hender, her er det snakk om kunnskap og erfaring. Til slutt ønsker jeg å fokusere på en stor gruppe av våre innbyggere som vi har fokusert lite på, og det er faktisk kvinner, og deres helse.

Jo, fordi vi ikke kjenner symptomer godt nok. Vi forstår ikke hva som feiler kvinnene når de kommer inn, og de blir ofte beskyldt for å ha psykiske utfordringer mer enn somatiske. Norge trenger en ny NOU. Senterpartiet har vært med og tatt til orde for det. Kristelig Folkeparti vil stille seg bak, og vi håper å få stor støtte for å fokusere på forskning og kvinnehelse. Det blir replikkordskifte. Hver dag leveres det i

hver andre barnehage har brutt loven når det gjelder bemanningstetthet, når det gjelder å ha nok pedagoger, når det gjelder renhold, og når det gjelder kunnskap. Vil Kristelig Folkeparti i denne budsjettrunden være med og sørge for at det ikke brukes en krone på skattekutt før alle barn som trenger det, har fått barnehageplass, og før vi kan si at alle barnehager er trygge og gode nok? Kristelig Folkeparti er
ufattelig opptatt av kvaliteten i barnehagen. Kristelig Folkeparti vil ha en bemanningsnorm i barnehagen. Kristelig Folkeparti ønsker mer kvalitet inn i barnehagen, både i form av førskolelærere, helsepersonell og annet kompetent personell, sånn at vi vil kunne oppdage ting tidlig, kunne hjelpe ungene tidligere og faktisk få igjen noe på den andre siden, i form av ressurser, først og fremst på den menneskelige siden. I Kristelig Folkeparti vil vi være med og sikre god kvalitet i barnehagene. Tusen takk for et godt svar. En av hovedgrunnene for Tusen takk for et godt svar. En av hovedgrunnene for flere av oss til å bli med i politikken, var nettopp ønsket om å gi alle barn like muligheter. Representantens partileder har tidligere i dag tatt opp problemene og utfordringene med barnefattigdom. Det ser man også store utfordringer med internt i byer og internt i kommuner, der det har noe å si hvem foreldrene dine er, og hvor du vokser opp, noe jeg og partiet mitt, Arbeiderpartiet, synes er meget alvorlig. Det har jeg også opplevd at Kristelig Folkeparti synes har vært alvorlig og har jobbet imot tidligere. I fjor presenterte regjeringen kutt i en av områdesatsingene, kutt i Groruddalssatsingen. Vi har områdesatsinger spesielt i Bergen, Oslo, Trondheim, Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg, fordi vi vet at det er store Vil Kristelig Folkeparti bidra til en økt satsing på områdeløftene og på like muligheter for alle barn i kommende statsbudsjett? Er det noe Kristelig Folkeparti har vært opptatt av, er det faktisk å sikre alle unger de samme mulighetene, både her hjemme og ute. Det er et ordtak som heter: «Alt det feite flyt i hop.» Når vi lager saus, blir det sånn. For unger er det faktisk motsatt. Hvis de har foreldre som har store utfordringer, sliter ungene. Kristelig Folkeparti er de første som står på barrikadene for å se på tiltak for dem og for å se på barnehagepriser når det gjelder dem. Vi er villige til også å se på barnehagetrygden med tanke på disse ungene. Da må gjerne du og jeg og de som har mer, være villige til

noko som skapte stor frustrasjon og utryggleik i lokalsamfunnet. Sjukehus, politi og brannvesen er viktig for at folk skal vere trygge. Nærleik og lokalkunnskap er i denne samanhengen avgjerande. Det dreier seg om struktur, og den blå-blå regjeringa kjem til å gå hardt inn for store strukturendringar framover. Er representanten Bollestad meir komfortabel med å samarbeide med dei blå partia i desse sakene enn med

Når Kristelig Folkeparti allikevel gjorde som vi gjorde i den saken, var det fordi Kristelig Folkeparti var opptatt av to ting når det gjaldt Telemark. Det ene var å styrke Telemark sykehus totalt sett i Helse Sør-Øst, både i posisjon og i kapasitet. Det andre var å sikre omstillingsmidler til Tinn, slik at en kan bevare de kompetente menneskene som jobber der,

For Senterpartiet vil den lokale beredskapen vere ei av dei viktigaste sakene framover. Kva slags grep kan vi politikarar ta for at beredskapen som politiet og brannvesenet står for, skal bli betre? Det som er heilt sikkert, er at det her er snakk om oppgåver som er og skal vere offentlege, og at marknadsøkonomisk tenking ikkje er relevant i denne samanhengen. Vi i Senterpartiet er av den klare oppfatninga at beredskap og offentlege tenester som skal gjere folk trygge, ikkje er område der ein skal spare pengar. skal spare pengar. Er det noko som pregar den sitjande regjeringa, er det ei overdriven tru på at store strukturendringar vil løyse alle slags samfunnsproblem. Eksempel på dette finn vi når det gjeld landbruket, høgskulane, kommunesektoren og politiet. Det er ei alvorleg feilslutning som ligg til grunn for sentraliseringstrongen til Høgre og Framstegspartiet. Stikk i strid med det ein ønskjer å oppnå,

Ting ein tidlegare måtte sitje på eit kontor for å gjere, kan ein no gjere i tenestebilar eller ute på oppdrag. Senterpartiet håpar Stortinget legg til rette for at desse moglegheitene blir utnytta. La oss såleis ikkje setje likskapsteikn mellom modernisering og sentralisering, men sjå at modernisering også kan vere desentralisering. Strukturdebattar er det mange av. Den blå regjeringa er uvanleg oppteken av å slå saman. I alle strukturdebattane er det noko som det dessverre blir lagt for lite vekt på, og det er verdien av lokalkunnskap. Ved store hendingar som brannane i Flatanger og Lærdal tidlegare i år var nettopp lokalkunnskapen ein avgjerande faktor for at omfanget av tragedien ikkje vart større. Det at brannmannskapa veit kor husa er, kva for hus det bur folk i og kjenner lokalbefolkninga, er viktig. Når store hendingar oppstår, er ein også avhengig av at frivillige stiller opp. Lokal forankring er ofte motivasjonen for frivillig innsats. I Brannstudien blir det føreslått å redusere talet på brannvesen drastisk. Det blir føreslått å redusere talet på nødsentralar, slik at kvar sentral har minst 400 000 innbyggjarar. Med det langstrekte og krokete landet vi har, vil det bety at distrikta med den vanskelegaste geografien er dei som betaler prisen for svekt lokalkunnskap. Når det gjeld politiet, skal vi ikkje undervurdere kva det har å seie å ha ein lensmann som kjenner lokalsamfunnet sitt. Det kan bidra til rask responstid, under føresetnad av at vi politikarar har vist vilje og evne til å setje politiet i stand til å ha folk på arbeid. Nærpolitiet betyr mykje for lokalsamfunn, både i bygd og by. Det at folk skal kjenne seg trygge i heile landet, er viktig for at folk skal kunne bu i heile landet. Det at politiet er på plass i lokalsamfunnet, set dei i stand til å førebyggje og avdekkje kriminalitet på eit tidlegare tidspunkt. Eit sentralisert «reparasjonspoliti» vil berre kunne vere til stades når skaden alt har skjedd. I staden for å fantasere om kor mange lensmannskontor vi kan leggje ned, er vi i Senterpartiet opptekne av å finne ut korleis vi kan setje dei i stand til på best mogleg måte å gjere jobben sin. Vi er i den samanhengen kritiske til at politiet i dag blir målt på kor mange saker ein får inn, medan det ikkje blir sett på kva ein klarer å For Senterpartiet er det viktig at vi som samfunn fornyar oss, at vi tenkjer nye tankar, finn smartare måtar å jobbe på og at vi kartlegg kva som vil vere krevjande i framtida. Dette inneber ikkje at vi svelgjer påstanden om at større alltid er betre, og det inneber ikkje at vi godtek ei massiv samanslåing av t.d. politidistrikt og lensmannskontor. Viljen til å vise handlekraft må ikkje ende med at ein bryt ned tenester som fungerer. I og med at vi menneske er sårbare i ein del situasjonar, er ikkje beredskapen vår berre noko vi skal eksperimentere med. Det åpnes for replikkordskifte. Jeg skal reise et spørsmål på et helt annet område, et område der det faktisk er

Derfor har regjeringa også startet med flere organisatoriske prosesser som skal sikre en raskere og mer effektiv utbygging av vei og bane i hele landet. Et av de viktige grepene for å møte befolkningsveksten i de største byene våre er en økt statlig medfinansiering av kollektivløsninger. Det er viktig for å sikre god framkommelighet, men ikke minst for å møte miljøutfordringene. Jeg har registrert at Arbeiderpartiet har erkjent at de etter åtte år i regjering ikke har gjort nok for å finansiere kollektivsatsinga i de største byene. Mitt spørsmål til representanten Klinge er: Har Senterpartiet kommet til den samme erkjennelsen? Det vi er veldig stolte av, er alt vi faktisk fekk gjort i løpet av dei åtte åra, og det løftet som vi la grunnlag for at også den sitjande regjeringa skal gjere, fordi vi la fram ein ny, ambisiøs transportplan. Det er heilt avgjerande at det i dei fire åra som vi er inne i no, også blir følgt opp med store

22. juli og den rapporten som kom i ettertid, sett hvilke store mangler det var. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har en justisminister og en regjering som jobber helt målrettet med å få på plass nye reformer og svare på de utfordringene som Gjørv-kommisjonen ga. Jeg ser fram til et godt samarbeid med Senterpartiet om disse reformene som kommer, og til å få på plass gode, nye løsninger. Men Senterpartiet satt jo i regjering og hadde ansvar i lang tid etter den tragiske situasjonen vi var i. Hva er representanten Klinge minst fornøyd med med tanke på hva man eventuelt gjorde eller ikke gjorde for å styrke beredskapen i Norge? Representanten Klinge er heilt tom! Det var litt uvanlig, president! Det er Klinge som har Spørsmålet om å ramse opp kva vi er minst fornøgde med, har eg rett og slett problem med no, fordi eg veit at vi la fram utruleg mykje viktig. Men eg trur alle i denne salen er einige om at vi alltid kan gjere meir. Når det gjaldt det som representanten Leirstein var konkret inne på, om 22. juli, er det openbert at det kom fram mykje som det burde vore gjort noko med, både under den førre regjeringa og under regjeringane før. Nettopp derfor er det så viktig også at vi bruker dei erfaringane vi fekk etter dei rundane vi hadde, for å gjere mykje betre grep framover.

Er det ikke slik at representanten Klinge er enig i at det viktigste er at politiet er til stede – og ikke nødvendigvis om det heter lensmann eller politipatrulje? Her er vi inne på noko vesentleg. Senterpartiet er oppteke av at vi skal ha lokale lensmannskontor. Vi meiner at det ligg noko mykje meir i det enn berre at det er eit kontor som folk kan

blir signalisert, er ei massiv nedlegging av lensmannskontor. Då vil også dei som bur ved desse kontora, flytte nærare der dei kjem til å arbeide. Då blir det tappa for folk lokalt – ein tappar lokalsamfunna rundt omkring for polititenestemenn som no er ein del av lokalsamfunnet, som fotballtrenarar, som kormedlem osv. Det er ein viktig del av den førebygginga – tenkjer eg – politiet kan drive med, at dei kjenner lokalsamfunnet sitt. Det blir svekt viss Framstegspartiet får det som dei vil.

politistillinger, og at vi får et tilsvarende løft i år. Det blir utrolig viktig. Er det slik at Senterpartiet ønsker å ha en debatt og ser fram til å kunne bidra konstruktivt til en ny politireform, eller er man helt låst til de utspillene der Senterpartiet allerede har konkludert, som gjelder antall politidistrikter og en del andre forhold rundt politireformen? Nei, Senterpartiet er ikkje på nokon måte låst. Vi er opptekne av at det skal gjerast endringar der det er fornuftig å

sentralisering. Det vil Senterpartiet åtvare imot, nettopp fordi vi er opptekne av nærpolitiet, eit politi som kjenner folk, og som folk kjenner. Det ligg mykje styrke i nærpolitiet vårt. Det klarer vi ikkje å halde ved lag viss vi kutter opp mot 150 lensmannskontor, som det kan liggje i korta at blir gjort. Replikkordskiftet er

og viser at langsiktig satsing på ny kunnskap som ikke umiddelbart har en anvendelse, kan være det som har størst betydning for å gjøre livene våre bedre og bringe verden framover. Vi trenger mye slik kunnskap for å fylle de ekstra årene vi legger til våre liv med livskvalitet og helse, for å skaffe en voksende befolkning energi, mat, nok ressurser til en god levestandard, og for å løse de enorme utfordringene klimaproblemene reiser. Mer og bedre kunnskap er veien til framtiden. Derfor sørget Stoltenberg-regjeringen for tidenes løft innen forskning og for en kraftig økning i bevilgningene til kunnskap for barn og unge. Derfor ansatte vi flere lærere, fornyet lærerutdanningen, fikk flere undervisningstimer, satte krav til opptak til lærerutdanningen, styrket skolehelsetjenesten, pusset opp skolebygg og sørget for allmenn påbygging etter fullført

At dette ikke innfases fullt ut før i 2029, oser ikke akkurat av handlekraft, men retningen er riktig. Stoltenberg-regjeringen økte bevilgningene til videreutdanning for lærere med 1 000 pst. etter at vi overtok etter Clemet og Høyre. Vi gikk til valg på at vi ville bruke 1 mrd. kr på etter- og videreutdanning i året, og vi er glad for at regjeringen nå ser ut til å ha samme ambisjon. Men

flere støttefunksjoner som kan avlaste læreren, styrket skolehelsetjeneste som gjør at alle får hjelp, satsing på tidlig innsats, slik at læreren har tid til å se den enkelte elev og nok penger til å ansette flere lærere, ikke færre. Det siste punktet er særdeles viktig. Det hjelper altså lite med øremerkede statlige midler til etter- og hvis skoleeierne, kommuner og fylker, må kutte i sine budsjetter. Nå hører vi om kommuner som på grunn av manglende dekning fra regjeringen til lovpålagte barnehager, lavere skatteinngang eller endret fordelingsnøkkel står overfor kraftige nedskjæringer. Det er det motsatte av skolesatsing. Det er kommunene som har ansvaret for å ansette lærere. Det er de som sørger for det meste av etter- og videreutdanning. Det er de som sørger for at det er nok folk til å se de enkelte. Det er de som sørger for skolehelsetjenesten, det er de som pusser opp skolebyggene. Så hvis man setter skattekutt foran kommuneøkonomi, hvis man setter de rikeste foran barna, blir resultatet deretter. Det vil i så fall ikke være fordi vi mangler penger. Ingen regjering har hatt mer penger å bruke enn regjeringen Solberg, men det er i så fall fordi de setter andre ting, særlig skattekutt, høyere. For Arbeiderpartiet er det knapt noen oppgave som er viktigere For Arbeiderpartiet er det knapt noen oppgave som er viktigere enn å sørge for at alle barn får en god utdanning i en god skole og en god start på livet. For oss er det viktigere å skaffe kunnskap for å løse framtidens store spørsmål. Derfor vil vi i opposisjon, som i posisjon, sette satsing på kunnskap, utdanning og forskning foran skattekutt for noen få. Det blir replikkordskifte. Regjeringen bygger sin politikk på et robust politi som er

Arbeiderpartiet takket nei, de ville vente og se. Det kan tolkes som om Arbeiderpartiet også i denne saken sitter på gjerdet og avventer hvilken vei vinden blåser, istedenfor å være med og skape den politiske tyngden som er nødvendig for å få et politi som leverer på morgendagens kriminalitetsutfordringer. Jeg håper jeg tar feil. Men kan representanten Giske forklare hvorfor Arbeiderpartiet er fraværende også i arbeidet med politireformen? med politireformen? Det er en virkelighetsbeskrivelse som jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. Vår justisfraksjon har reist land og strand rundt til politidistrikt, møtt både ansatte og ledelse rundt omkring i landet og fått gode innspill til hvordan framtidens politi bør organiseres. Jeg har også utfordret justisministeren til mange debatter. Jeg tror ikke det har vært en eneste foreløpig. Så hvis regjeringen har lyst til å ta de debattene, er den hjertelig velkommen til det. Jeg registrerer også at regjeringen nå i storstilt grad ansetter alle de politistudentene som vi har sørget for blir uteksaminert, det er rekordmange, slik at her er det satset fra forrige regjering, og vi skal delta i diskusjonen framover. Når man sitter i regjering, må man ta ansvar for å foreslå reformer, man må bringe dem fram til Stortinget og sørge for å få støtte fra andre partier. Det er et innarbeidet parlamentarisk system. Hvis man ønsker at vi skal overta de utredningene, overta de framleggelsene, legge fram stortingsmeldingene, er det bare å gi stafettpinnen videre. Vi er klare til å overta. Arbeiderpartiet og representanten

Regjeringen har allerede startet arbeidet med å fjerne tidstyvene, og målsettingen er å begrense rapporteringen til det som er nødvendig, og å utvikle mest mulig effektive rapporteringsrutiner. En rapport legges fram 1. desember. Økningen i rapportering kan tyde på at de rød-grønne ukritisk innførte flere tidstyver istedenfor å redusere Spørsmålet blir da: Hva ligger til grunn for at man kan stole på at Arbeiderpartiet nå virkelig vil redusere og ikke øke tidstyvene i skolen? Den aller største tidstyven i norsk skole vil være en kommuneøkonomi som gjør at det blir færre lærere i skolen. Det stjeler mye lærertid fra elevene, så grunnlaget for all diskusjon om dette må være at vi har nok lærere i forhold til det antallet elever vi har. Under vår regjering økte lærertallet i forhold til elevtallet. Så er det riktig at lærerne opplever økt bruk av tid. Særlig var det knyttet til gjennomføringen av det kunnskapsløftet som et bredt flertall i Stortinget sto sammen om – vedtatt under oss. Da må vi alle bare se på de nasjonale testene, dokumentasjonskravene, rapportene og skjemaene som vi har innført. Kristin Halvorsen fjernet 50 000 rapporteringer for lærerne, men det er ikke nok, vi må fortsette den veien. Det som er skuffende, er at i den planen som kunnskapsministeren la fram om et såkalt lærerløft, er det lite eller ingenting som handler om akkurat det temaet som lærerne er mest opptatt av – å rydde tid til undervisning, rydde tid til elevene. Representanten Giske kjenner veldig godt til ideell sektor. Det er

tenestetilbydarar har forsvunne gradvis. Mitt spørsmål til representanten Giske er om han no, ut frå den erfaringa han hadde da han sat i regjering, ser om det er behov for justeringar på dette feltet, nettopp for å sikre at ideell sektor ikkje blir ikkje blir pressa ut mellom kommersielle og offentlege tilbydarar, som begge er med på å presse mot dei ideelle, som bidreg med veldig viktige og gode tenester. Både representanten Hareide og jeg tilhører partier og bevegelser som har en lang og stolt historie i ideelt arbeid. Arbeiderbevegelsen, som de kirkelige organisasjonene og lekmannsbevegelsen, har lang tradisjon for å drive opplysningsarbeid, helsearbeid, skole og mange andre ting, bistand ikke minst. Den ideelle sektoren er utrolig verdifull for et samfunn. Derfor er Arbeiderpartiet tydelig på at når vi er imot privatisering av offentlige velferdstjenester, så dreier det seg om de kommersielle, store konsernene som går inn og tar oppgavene fra det offentlige og gjør at det blir større forskjell på folk. Men de som skvises hardest av de kommersielle, når det er rigide anbudsregelverk som bestemmer, det er de private ideelle tilbyderne. Vi har sett det i denne byen, og vi har sett det andre steder, at organisasjonene fortviler fordi de ikke kan konkurrere med de kommersielle på de vilkårene som anbudsutsettingene setter. Det er synd, for det utarmer samfunnet vårt, men det gjør også at tjenestetilbudet blir mindre mangfoldig, så her står vi sammen med Kristelig Folkeparti. Som representanten

grunnskolelærerutdanninga i forrige periode. For å utdanne 9 000 ikke-kvalifiserte og alle dem som skal få etter- og videreutdanning, er det viktig med et desentralisert tilbud, slik Senterpartiet ser det. Det er også viktig for skoleeierne. Jeg lurer på om representanten kan gi uttrykk for om Arbeiderpartiet deler Senterpartiets bekymring for en kommende sentralisering av lærerutdanninga. For det første er jeg helt enig i at en god lærerutdanning

Vi tror også at det er nødvendig å redusere antall ansvarlige institusjoner for lærerutdanningen. Det betyr ikke nødvendigvis å redusere antall steder man gir lærerutdanning – veldig mange av institusjonene driver jo et aktivt desentralisert tilbud – men å styrke fagmiljøene og konsentrere innsatsen. Det er også rett. Nå registrerer vi at regjeringen skyver femårig lærerutdanning til neste stortingsperiode. Den skal påbegynnes i 2017, de første lærerne kommer ut i 2022, så det er heller ikke på dette området slik at det spruter av handlekraft og gjennomføringskraft. Så her må Stortinget også være aktiv i å dytte på. Replikkordskiftet er omme. Norge er annerledeslandet i Europa. Mens våre naboland fortsatt sliter med høy arbeidsledighet og svak økonomisk vekst, har vi lav ledighet og god vekst. Men status quo er gjennomføringskraft. Så her må Stortinget også være aktiv i å dytte på. Replikkordskiftet er omme. Norge er annerledeslandet i Europa. Mens våre naboland fortsatt sliter med høy arbeidsledighet og svak økonomisk vekst, har vi lav ledighet og god vekst. Men status quo er aldri en garanti. Vi må forberede oss på lavere inntekter fra olje- og gassindustrien. Vi må forberede oss på mer konkurranse fra land som har lavere kostnadsnivå enn Og vi må fortsette ferden mot lavutslippssamfunnet, ikke bare snakke om det som en utopi. Derfor må vi bruke det handlingsrommet vi har nå – gjennom de store verdiene petroleumsvirksomheten har gitt oss – til å bygge Norge. Grunnen til at vi prioriterer kunnskap, infrastruktur, lavere skatt på arbeid og eierskap og investeringer i det grønne skiftet i dag, er for å klare det som er krevende, men nødvendig, samtidig som vi skaper verdier for vårt land. For under en uke siden presenterte regjeringen Lærerløftet. Vi er med dette allerede i gang med å levere på et av våre viktigste løfter fra valgkampen. Vi gir lærerne det løftet de ønsker og fortjener fordi ingenting betyr mer for elevenes læring enn nettopp gode lærere. Det var helt naturlig for oss i et slikt løft å gjennomføre tidenes satsing på etter- og videreutdanning. Elevene skal lære mer, og lærerne skal kunne få anledning til faglig påfyll. I år er det opprettet 1 500 nye studieplasser for lærere som ønsker etterutdanning, men vi er ikke fornøyde ennå, vi skal videre. Vi satser på skolen og lærerne i dag for at elever skal lære mer i fremtiden. Vi skylder fremtidens fagarbeidere og nyutdannede å legge til rette for et nyskapende arbeidsmarked. En globalisert verden krever sterke norske arbeidsplasser. Regjeringen er allerede godt i gang. Vi har senket inntektsskatten, redusert formuesskatten og fjernet arveavgiften. Samtidig vet næringslivet selv best hva næringslivet kan skape. Men de kan ikke gjøre jobben alene. Derfor har regjeringen styrket den næringsrettede forskningen betydelig, gjennom f.eks. Brukerstyrt innovasjonsarena, SkatteFUNN, FORNY2020 og nasjonalt etablerertilskudd. Alle disse er eksempler på treffsikre ordninger som bidrar til forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet. Vi prioriterer næringsrettet forskning i dag for å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden.

måte. Nettopp derfor har regjeringen økt satsingen på vei, bane og kollektiv, økt jernbanebudsjettet sammenlignet med hva de rød-grønne la frem i fjor høst, sagt at staten skal ta 50 pst. av kostnaden ved store kollektivutbygginger i de fire største byene, slik at veksten i trafikken først og fremst kan skje kollektivt, og styrket veibudsjettet for å hindre kø og kaos som belaster miljø og næringsliv negativt. Vi bygger landet med god og miljøvennlig infrastruktur i dag, slik at det blir enklere å reise til og fra jobb og sende varer inn og ut av landet i fremtiden. Alt dette vil styrke konkurransekraften og trygge norske arbeidsplasser. Men én utfordring overskygger alle andre: klimautfordringen. Forrige måned ble den viktige rapporten New Climate Economy lagt frem. Vi var så heldige å få en innføring i denne av avgått statsminister Jens Stoltenberg på Debatten på NRK1. Jeg tror nok ikke at Stoltenbergs tegninger av Jeg tror nok ikke at Stoltenbergs tegninger av strekmenn er nok til å overbevise f.eks. representanten Rasmus Hansson, som har som kjernen i sin klimapolitikk at brems i økonomisk vekst er nødvendig, om at noe vekst er god klimapolitikk. Men jeg, derimot, så at disse strekmennene fortalte oss noe viktig om utviklingen fremover. Rapporten viser nemlig at vekst og lavere klimagassutslipp ikke er motsetninger, men gjensidig avhengige Det er godt nytt for alle oss som møter lavutslippssamfunnet med optimisme og tro på at denne omstillingen vil gi oss mange nye muligheter. I dette bildet vil gode, arealeffektive byer bli nødvendig. Rapporten fortalte oss også at gass kan være en bro til lavutslippssamfunnet dersom de riktige forutsetningene er på plass – forutsetninger som Norge allerede har. Det handler om å betale en pris for å slippe ut klimagasser, som olje- og gassindustrien allerede gjør i Norge, ha strenge krav til utslipp og investere mer i klimateknologi. Et av de viktigste tiltakene regjeringen har gjennomført for å styrke klimaforliket, er å styrke klimateknologifondet. Tolv friske milliarder skal tilfalle fondet frem mot 2017, og dette er et viktig skritt på veien. Vi investerer i det grønne skiftet i dag – for å skape et bærekraftig samfunn i fremtiden. Norge har gode forutsetninger for å møte utfordringene som ligger foran oss. Vi er optimistiske. Vi er i gang med å gjennomføre de nye ideene og bedre løsningene som vi gikk til valg på. Slik sørger vi for å utnytte de gode forutsetningene vi har, til å bygge landet for fremtiden. Takk for oppmerksomheten. Det blir replikkordskifte. Før helgen ble det kjent at Statoil sier opp ansatte på norsk sokkel, og det er også ventet reduksjoner på land. Før helgen fikk vi også vite at Aibel sier opp 230 i Haugesund. Fra før vet vi at det er ca. 250 som må gå rundt omkring i hele landet, og det finnes flere eksempler av denne typen. Kraftig vekst under den rød-grønne regjeringen på den ene siden og reduksjoner i vedlikeholdsprosjekter og flere kontrakter til utlandet på den andre siden blir framholdt som eksempler på, eller årsaker til, at situasjonen er ganske dramatisk.

tiltrengt også i andre deler av den bransjen. Da jeg var på ONS, f.eks., traff jeg flere i leverandørindustrien som var veldig optimistiske med tanke på at de nå endelig skulle få tak i den kompetansen, de ingeniørene, som de har slitt med å få tak i, fordi de har vært i oljeselskapene. Men selvfølgelig må vi følge utviklingen nøye fremover, og det er ikke sånn at permitteringsregelverket er noe som alltid har vært rigid. Det vil bevege seg, avhengig av om det er gode eller dårlige tider i økonomien, så her kommer regjeringen selvfølgelig til å følge nøye med

kan være sikkerhetskritisk vedlikehold. Det kan handle om helse, miljø og sikkerhet. Hva er representantens syn på det? Bransjen har selv vært veldig tydelig på

forutsigbare rammevilkår. Det har vært litt komplisert i det siste. Det hjelper f.eks. ikke at representanten Gahr Støre, som har stått på denne talerstolen tidligere i dag, var ute i sommer og kom med signaler som bransjen opplevde som uforutsigbare. Bransjen trenger ro. De kommer til å ta tak i de utfordringene de står overfor nå, men da trenger de myndigheter som spiller på lag, som er opptatt av forutsigbare linjer og en forutsigbar politikk, og det skal regjeringen sørge for. Arbeidet med å utrede fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim er

Til tross for at et enstemmig fylkesting, etter forslag fra Kristelig Folkeparti, ba om at et klimaregnskap for de ulike alternativene skulle inngå i KVU-en som en del av beslutningsgrunnlaget, var dette knapt nevnt i utredningene fra Statens vegvesen. I trontalen blir tiltak for å møte klimautfordringene nevnt som en overordnet målsetting. Samtidig sender regjeringen klare signal om at takten skal økes når det gjelder veibygging. Dette framstår for de Er representanten Bru enig i at utarbeidelse av klimaregnskap bør inngå som en obligatorisk del av utredninger som utgjør beslutningsgrunnlaget for politiske beslutninger om trasé- og konseptvalg for store veiprosjekter i framtida? Jeg tror at i arbeidet med å realisere lavutslippssamfunnet i Norge er det viktig å tenke på klima uansett hva man snakker om. Det gjelder også Men når man snakker om veiutbygging som f.eks. fergefri E39, er det et klimatiltak, for i dag ser vi lange fergekøer og biler på tomgang, de spyr ut CO2, og det er ikke en bærekraftig løsning for fremtiden. Det å ha effektive veier som sørger for at varer og gods kan transporteres raskt dit det skal, er med på å kutte utslipp, og jeg mener det er en riktig politikk. Representanten Bru snakket om det grønne skiftet. En del av det grønne skiftet er

konsesjon er gitt, og hvis vi nå forskutterer at skattegrep i form av avskrivninger kommer på plass, skulle en tro at alle hindringer var ryddet av veien. Men det viser seg at på grunn av manglende kapasitet i Statnett vil en ikke ha på plass en nettløsning før i 2019. Her står lærlingene klar til å ta fatt og til å være med og drifte parken. Mitt spørsmål til representanten Bru

med. Det vi gjør nå, kan i beste fall realisere investeringer i denne bransjen med opptil 25 mrd. kr. Det er et betydelig løft. For meg handler ikke vindparkutbygging i Norge først og fremst om klimaspørsmål, det handler om næringsutvikling og ikke minst om næringsutvikling i distriktene. Så har vi gjort en jobb etter at vi kom i regjering, med å få fortgang i konsesjonsbehandlingen, for masse har ligget på vent, også som et resultat av den forrige regjeringens politikk. Det rydder vi opp i, og vi skal fortsette å være offensive, og så håper jeg at vi nå får realisert masse gode vindparkprosjekter fremover. Replikkordskiftet er omme. «You campaign in poetry. You govern in prose» er offensive, og så håper jeg at vi nå får realisert masse gode vindparkprosjekter fremover. Replikkordskiftet er omme. «You campaign in poetry. You govern in prose» er den tidlegare New York-guvernøren Mario Cuomo berømt for å ha sagt. Ein trontale er definitivt prosa og ikkje poesi – ikkje berre den vi fekk i den vi fekk i år, men som oftast. Han har vel sjeldan rørt hjarte der han raskt går igjennom ei rekkje tema, men trontaledebatten på sitt beste kan vere årets moglegheit til å ta utgangpunkt i dei store linene i verda – det som pregar vår tid, det tida spør etter. Og viss eg skulle summere opp det eg synest vår tid spør etter, i to ord, så er det med

og som krev at innsatsen for å hindre at dei vert færre, vert styrkt. Mens verda gjer store framsteg, mens menneske kjempar seg ut av fattigdom, veks òg forskjellane mellom fattige og rike innetter i land i store delar av verda, i rike land og i veldig mange fattige land. Store sosiale forskjellar er gift for eit kvart samfunn, det undergrev tillit og solidaritet mellom menneske viss ikkje menneske går på same skule, bur i same område, har nokolunde dei same moglegheiter, føler seg som del av den same verda. Generasjonane som kjem etter oss, vil òg i særleg grad krevje vår solidaritet i tiåra framover. Den globale klimautfordringa utfordrar oss til å omstille Noreg og andre land til nullutsleppssamfunn og la store delar av verdas fossile ressursar verte liggjande ubrukte. Mindre merksemd får tapet av naturmangfald. I dag vert artar utrydja i eit tempo vi ikkje har sett på om lag 70 millionar år, noko som vil ramme verdiar, men òg verdiskaping massivt. Vårt hundreår kan verte det som varig svekkjer mennesket sitt ressursgrunnlag og vår viktigaste kapital – naturkapitalen – eller det kan verte det der vi skiftar kurs. I 2014 og i 2015 må det som er viktigast i verda, vere viktigast i Noreg, og i vårt vesle land må det å forskjellar, omstille oss til eit land som lar klimaet og natur vere styrande for politikken, og å vere solidariske med dei som er på flukt, styre norsk politikk. Derfor kjem meir solidaritet òg til å vere ein gjennomgangstone for SVs politikk i stortingsåret som kjem. Vi vil be om at 2015 vert det året då Noreg kjem med eit ekstraordinært løft for å redusere fattigdom og hjelpe flyktningar.

Og vi vil fortsetje å føreslå at vi skal ta imot fleire flyktningar frå den aller verste humanitære katastrofen dei siste åra – den i Syria. Igjen: For når det står verre til for flyktningar i verda, så kan vi gjere litt ekstra. SV kjem til å leggje fram forslag om korleis Noreg kan redusere klimagassutsleppa kraftig for å nå måla som det er einigheit om i Stortinget, og vi kjem til å fortsetje å for å nå måla som det er einigheit om i Stortinget, og vi kjem til å fortsetje å føreslå at vi òg må la betydelege delar av våre fossile ressursar liggje – som resten av verda må gjere. For når klimautfordringa er spesielt påtrengjande, så må det vere spesielt påtrengjande for Noreg å kome med dei gode løysingane. Men ikkje minst så vil vi føre ein politikk som

Når vi så i tillegg vet at Norge er blant de landene med mest kapital som kan investeres, er det merkelig at den tidligere regjeringen ikke tok viktige strukturgrep og fikk satt i gang reformer på samferdselsområdet for deretter å kunne levere framtidsrettet infrastruktur. Det å måtte forholde seg til budsjettår enkeltvis, har vist seg å bremse hele prosessen i å bygge helhetlig på vei og Det har blitt stykkevis og delt, det har blitt et veivesen som aldri har kunnet planlegge økonomisk riktig, fordi man aldri har visst om det kommer penger til flere kilometer på neste års budsjett. Flerårige budsjetter og helhetstenkning har vært vår profil gjennom mange år. Derfor er nettopp opprettelsen av et veiselskap som vil kunne ivareta dette, et av de viktigste grepene for å få fart i veibyggingen. Det er handlekraft. Vi er også i gang med å bygge opp et eget infrastrukturfond på 100 mrd. kr, der bare avkastningen alene vil gi oss et enda større handlingsrom. Det er handlekraft. Vei- og baneutbygging i Norge er preget av trege planprosesser og ineffektiv, klattvis utbygging. Det er dette denne regjeringen nå tar grep for å endre. Det er handlekraft. Det virker så meningsløst når man i store prosjekter bygger ut små parseller og hopper fram og tilbake med både mann og maskiner og dermed får en ineffektiv, klattvis utbygging, framfor å bygge helhetlige transportkorridorer effektivt når man først er i gang. Gradvis bedring av veistandarden er viktig for effektiv transport av både personer og gods, men også for trafikksikkerheten. Når en stadig større del av hovedveinettet etter hvert bygges ut til møtefri vei, er dette kanskje det viktigste trafikksikkerhetstiltaket vi kan gjøre. En modernisering av bilparken vil også bety mye for bedre trafikksikkerhet – vi er blant dem som har Europas eldste bilpark, noe som også har en konsekvens for miljøet og ikke minst for sikkerheten. Møtefri, firefelts vei med en kurvatur uten store høydeforskjeller og uten de store svingene vil minske utslipp fra spesielt tungtransporten vesentlig – så dette er vinn-vinn. Luftfarten er også et område som nå står overfor store utfordringer. Den internasjonaliseres, den utfordrer oss på nye områder som stadig endres, og den avkrever at vi tilrettelegger for en effektiv og ikke minst konkurransedyktig næring. Det er viktig å synliggjøre hva vi vil og hvor vi skal. Vi kan ikke melde oss ut av en global utvikling, vi må være i forkant for i størst mulig grad å være rustet til den internasjonaliseringen som pågår. Et eventuelt felles regelverk innen den internasjonale bransjen, en slags «fair trade» luftfart, må en

Da er det godt å vite at vi er godt i gang med å tenke nytt, tenke helhetlig og tenke langsiktig. For det er ikke bare det at man kan bruke penger, men hvordan pengene brukes, som er viktig.

og hva vi velger å bruke penger på i budsjettene? Arbeiderpartiets tilnærming bygger på den grunnleggende ideen om at rettferdige samfunn med små forskjeller løser de store utfordringene bedre, og at vi løser dem bedre sammen enn alene. For oss har dette konsekvenser, både for hva slags skattesystem vi vil ha, og for hvordan vi velger å bruke pengene i statsbudsjettet. Vi må bruke de store pengene på de viktige sakene. Vi vil ha større innsats for forebygging i helsesektoren. Vi vil ikke bare reparere. Vi vil utforme politikk som forener klima og næring – en klimapolitikk som bidrar til å skape nye arbeidsplasser basert på den enorme teknologiske kompetansen vi har i Norge. Vi vil kjempe for et anstendig arbeidsliv, tørre å ta i bruk kraftige virkemidler for å bekjempe sosial dumping og sørge for at det finnes en framtid Vi vil ha kommuner som er i stand til å levere velferdsordninger som holder mål. Kommunene skal være i stand til å yte den omsorgen vi både krever og forventer, og de skal være i stand til å ansette alle de kompetente lærerne vi trenger for at skolen skal kunne lære ungene våre mer. Vi har ikke sett regjeringas budsjettforslag for 2015 ennå, og leser vi

Det finnes til og med en formulering om at forskjellene mellom folk ikke må bli for store. Alt dette er flotte målsettinger som Arbeiderpartiet støtter. Men tiltakene koster, regninga må betales, og skal statsbudsjettet stå i stil med formuleringene fra trontalen, kan det nesten virke som om vi onsdag må få et statsbudsjett som øker skattene. Det skal uansett bli interessant å se hvordan bl.a. Hellelands løfter om at vi ikke skal måtte bekymre oss for finansieringen av velferden i kommunene, sagt i dagens debatt, følges opp i budsjettet. Men når man først finner noen ord om skatt i trontalen, ligner det ikke på resten av formuleringene i talen. 20 ord er alt regjeringa bruker på å beskrive sine egne ambisjoner når det gjelder skatt. Da velger regjeringa å slå fast at det må bli lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser – altså høyrespråk for at formuesskatten. Her er jeg kanskje mer sikker på at regjeringa kommer til å levere på onsdag, til tross for at fordelingseffekten er dårlig og nær 60 pst. av kuttene tilfaller de rundt 1 pst. rikeste. Regjeringa kommer til å kutte i formuesskatten, til tross for at de beste fagmiljøene vi har på skatt, er tydelige på at det vil ha svært lite å si for investeringsviljen til norske bedrifter. Regjeringa har så langt i sin levetid demonstrert at skattekutt går i en helt egen kategori av prioriteringer. Det er overordnet alt annet. Derfor er det vanskelig å tro at et godt opplegg for kommunene vinner i kampen mot skattekuttene. skattekuttene. Derfor er det vanskelig å tro at retorikken fra dagens debatt står seg når det skal prioriteres, for dette så vi tydelig for ett år siden i tilleggsproposisjonen. Der ga regjeringa ti ganger mer til skattekutt enn til politi, sykehus og lærere til sammen. Ambisjonen om å gjøre Norge mindre oljeavhengig, en ambisjon som er gjentatt i trontalen og i dagens debatt, måtte vike når det viste seg at omprioriteringene var vanskeligere i posisjon enn i Man måtte gå rett til oljefondet og øke oljepengebruken for å sørge for at skattekuttene kunne bli en realitet. Det var altså ikke for å styrke norsk skole eller eldreomsorgen man brøt prinsippet om ikke å bruke mer oljepenger ved et regjeringsskifte. Det var for å finansiere kutt i formuesskatten og arveavgiften. Om to dager legger regjeringa fram sitt første rene Høyre- og Fremskrittsparti-budsjett. Om politikken der står i stil med formuleringene fra trontalen, kan de regne med å få mye støtte fra Arbeiderpartiet. Står det i stil med tidligere prioriteringer – mer til dem som har mest fra før – kommer Arbeiderpartiet til å vise en helt annen retning i sitt alternative budsjett, hvor de store pengene først og fremst skal brukes på de viktigste oppgavene – helse, skole og velferd. Men vi må vel uansett vente til onsdag på fasiten. Siden jeg ser at den nye parlamentariske lederen i Arbeiderpartiet er
– vær så god.

Regjeringa har, med auka vekt på kunnskapsdriven næringsutvikling, innleidd eit nytt kapittel i nordområdesatsinga.» Klarere kan det vel neppe sies. Dette understreket også utenriksministeren da det i april ble satt av 150 mill. kr til næringsutvikling i nord. Den dramatiske krisen i Ukraina har ført til en ny sikkerhetssituasjon i Europa. Det er betegnende at trontalen og beretningen om rikets tilstand i så sterk grad omtalte den nye sikkerhetspolitiske situasjonen Europa står overfor. For et år siden var det ingen som kunne se for seg det som har skjedd i eksempelvis Ukraina. Russland har bidratt til en opptrapping av konflikten i Ukraina gjennom annekteringen av Krim og gjennom aktiv støtte til de prorussiske opprørerne i Over 2 000 liv har gått tapt i kampene som startet i vår, og mer enn 400 000 mennesker er nå på flukt. Russlands aggressive atferd i Ukraina utfordrer fred og sikkerhet i vår del av verden. Det er derfor viktig at vi tar avstand fra russisk maktbruk, at vi står samlet internasjonalt, og at vi står sammen med våre allierte i øst som nå føler sine territorier, sin kulturelle identitet og EU viser seg nå som en viktig aktør i utenriks- og sikkerhetspolitikken, og man har trappet opp sanksjonene mot Russland. Norge stiller seg bak disse, og det er avgjørende at vi står samlet. Dette gjør det vanskeligere for Russland å drive splitt-og-hersk-politikk. Sanksjonene går dessverre ut over norsk næringsliv, og regjeringen er derfor i tett dialog med berørte næringer. Norge vil samtidig opprettholde et fungerende bilateralt samarbeid med Russland for å sikre fortsatt avspenning og en positiv utvikling i nordområdene og i Arktis. Mange av de viktige diskusjonene knyttet til Ukraina finner sted i EU, og selv om vi ikke sitter ved bordet, har regjeringen intensivert arbeidet på det utenrikspolitiske området i Europa. Vi vil samarbeide videre med EU og EU-land om tiltak, men NATO er og vil fortsatt være selve grunnpilaren i den norske forsvars- og sikkerhetspolitikken. Det finnes ingen alternativ organisasjon som kan gi Norge tilsvarende sikkerhetsgarantier. På NATO-toppmøtet i Wales signerte Norge en intensjonsavtale om å delta i en ny flernasjonal styrke på 10 000 soldater fra syv europeiske land, som raskt kan rykke ut. NATO skal være avskrekkende, og da må vi ha styrke til raskt å kunne reagere hvis det er nødvendig. Tett på Europas sørlige grense ser vi en særlig dramatisk utvikling. Den ekstremistiske terrororganisasjonen ISIL må bekjempes. ISILs brutale fremrykking i Irak og Syria forårsaker store lidelser. Irak er nå i en situasjon der landets myndigheter har bedt om hjelp fra verdenssamfunnet. Norge bidrar både humanitært og med militært personell. Det amerikanske utenriksdepartementet regner med at om lag 12 000 såkalte fremmedkrigere, som stammer fra 50 land, har reist til regionen for å slutte seg til terroristgrupper som ISIL. Det er en alvorlig bekymring at om lag 50–60 av dem er norske statsborgere og klare for å slå til også mot vestlige mål.

allierte i EU og NATO. Vi er

dedikerte, varme, innovative og flotte ansatte og med mange fornøyde, takknemlige og verdsatte pasienter. Fortellingen om den norske helsetjenesten handler også om folk som ikke har fått det de hadde behov for eller krav på, i tide, om pasienter som ikke føler seg sett, om systemer som ikke snakker sammen, og om mistillit mellom ledere og ansatte. Det er med andre ord fortsatt mye å ta tak i. Hvor står vi så, som land, som helsetjeneste, når vi nå går løs på et nytt år her i Stortinget? Mange får veldig mye bra hjelp, som oftest svært raskt. Vi behandler flere, og vi behandler dem med høyere kvalitet. Vi er fortsatt et av landene i verden med høyest gjennomsnittlig levealder. Men likevel ser vi store, systematiske forskjeller i helse i den norske befolkningen. Forskning slår helt utvetydig fast at personer f.eks. fra høyere sosiale lag målt ved utdanning, yrke eller inntekt både lever lenger og har bedre helse enn personer fra lavere sosiale lag. Og apropos forskning: Jeg slutter meg fullt og helt til dem som i dag hyller Norges første nobelprisvinnere i medisin, May-Britt og Edvard Moser, for fremragende forskning på hjernen. Det er bare å gratulere!

Jeg mener vi skal ha en ny debatt i Stortinget om folkehelse, om hverdagshelse, om hvordan vi kan ta vare på vår egen helse, men også hjelpe hverandre til i større grad å forebygge sykdom. Det er for mye snakk og for lite handling i dagens folkehelsedebatt. Særlig mener jeg vi må se på hvordan vi kan bevare gleden blant barn og ungdom til å bevege seg og å være i aktivitet lenger. Hvorfor er det f.eks. sånn at så å si alle tenåringer på et eller annet tidspunkt slutter med idrett? Arbeiderpartiet mener det er behov for en ny ruspolitikk, som gir bedre svar og bedre resultater enn i dag, og vil foreslå og fremme forslag om det. Dessverre vet vi for lite om kvaliteten på ulike behandlingstilbud. For mange opplever en runddans i systemet gjennom behandling og tilbake i rusmisbruk igjen. Jeg mener også det er et sterkt behov for en ny debatt om alkoholens plass i det norske samfunnet uten en moralistisk undertone. Det er rett og slett for mange barn, ungdommer, enkeltpersoner og familier som basker med en mor, en far, en onkel som drikker for mye og som skaper utrygghet og dårlig livskvalitet. Da mener jeg det er helt feil f.eks. å prioritere flere flasker vin i taxfree-ordningen foran frukt til skolebarn. Vi skal også fremme forslag og utvikle bedre svar i eldreomsorgen og på flere andre områder. Slik mener jeg at vi langt på vei beskriver, på tvers av partilinjene, hvordan vi kan bygge landet vårt for en ny tid. Det mener jeg vi gjør ved å styrke fellesskapet. Å investere i hver enkelt og hverandres helse er å investere i samfunnet vårt. Det er en mye bedre idé å bygge landet enn å prioritere andre hyggelige ting, som tross alt ikke er så viktig i den store
Neste taler er representanten

Gjennom de siste årene har Fremskrittspartiet fremmet en rekke forslag for å forbedre og trygge helsevesenet vårt, og derfor er helse et satsingsområde for både Fremskrittspartiet og regjeringen. Den kanskje aller viktigste saken vi leverte på etter bare et halvår i regjering – som de rød-grønne brukte åtte år på ikke å få til – var å lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistent. Det var en fantastisk følelse å levere på denne viktige saken, som betyr så mye for enkeltmennesker som har noen ekstra utfordringer i hverdagen. BPA er det verktøyet de ønsket seg for også å kunne delta i arbeidslivet, kulturlivet, ha ferie og være sammen med familie og venner. Den 1. januar 2015 er dette en realitet. Men også andre har krevende utfordringer: de som står i en sykehuskø, de rusavhengige, de som sliter med psykiske lidelser, kreftpasienten og de kronisk syke. øker kapasiteten, kvaliteten, pasientsikkerheten og valgfriheten. Rus og psykisk helse fikk et særskilt løft i Høyre-Fremskrittsparti-regjeringens budsjett for 2014. Vi er i gang med å skape pasientens helsevesen. Derfor jobber vi med en primærhelsemelding, en ny folkehelsemelding, en nasjonal helse- og sykehusplan, legemiddelmelding, pasientsikkerhetsmelding, og ikke minst innfører vi fritt behandlingsvalg. Arbeiderpartiet har skrevet leserinnlegg i en rekke aviser om fritt behandlingsvalg. Der uttrykker de skuffelse over at forslaget ikke ser ut til å bli slik de har advart mot. Mantraet om at de private ville ta ut stor fortjeneste på de enkle tilstandene, passer ikke helt lenger. Nå klages det over at det å velge rus og psykisk helse ikke er greit, da dette ikke er enkle pasienter. I tillegg skal regjeringen ha ødelagt argumentet om store fortjenester fordi regjeringen nå legger opp til, ifølge Arbeiderpartiet, en for lav pris, så nå har man kommet med nye argumenter: Å gi folk valgfrihet blir for mye byråkrati. Igjen forsvarer man systemet. Regjeringen vil fortsette å forsvare dem som trenger helsehjelpen. Åtte år med rød-grønne løsninger har gitt oss stadig flere i kø og et todelt helsevesen. Det er på tide å tenke nytt. Regjeringen har også kreft som et satsingsområde. Gjennom flere tv-innslag har vi vært vitne til at rød-grønn kreftsatsing har gått fra å være en garanti om behandling innen 20 dager, til en målsetting om at 80 pst. skulle få hjelp innen 20 dager, til en status som viste at man var langt unna også denne målsettingen. Uten virkemidler lykkes man sjelden. Kreftpasienter skal nå oppleve god kvalitet, rask oppfølging og trygg behandling. Regjeringen supplerer den nasjonale kreftstrategien med en konkret plan for dette arbeidet. Tverrfaglige diagnosesentre vil være på plass i alle regioner i løpet av året, og det utarbeides standardiserte pakkeforløp for 30 krefttyper. Både tverrfaglige diagnosesentre og pakkeforløp har blitt nedstemt av de rød-grønne flere ganger, sist rett før sommeren og valgkampen i fjor. Nå rulles dette ut fordi vi har virkemidler, både i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene, i budsjettet for 2014 og i revidert budsjett før sommeren. I løpet av våren har vi fått en strategiplan mot selvmord og selvskading samt en strategiplan for å bekjempe overdoser. Disse skal følges opp med handling og en ny opptrappingsplan for rusfeltet. Dette er svært etterlengtet av organisasjoner, brukere og pårørende. Det er likevel hyggelig å få tilbakemeldinger på at man merker at rus og psykisk helse har fått mer, og at enkelte også melder om kortere ventetid på behandling. Enkelte helseforetak har brukt i overkant lang tid på å få på plass de plassene som regjeringen stilte krav om, men samtidig har dette gitt oss et mangfold av tilbud. Jeg vil berømme alle de institusjonene som har greid å holde seg flytende, til tross for at de har drevet for halv maskin gjennom de siste årene. Uten at disse hadde klort seg fast, ville vi i dag ikke vært i stand til å tilby alle de nye plassene som det vi faktisk gjør. Det er en handlekraftig regjering som nå styrer. Det er en sterk vilje til å legge til rette for mer valgfrihet og fornuftige løsninger, økt kompetanse, kortere ventetider og flere rettigheter. Mange tviholder på seg og sitt framfor å se på hva som er best for pasienten. Tanken med å gjøre endringer handler alltid om å forbedre. Det vil vi aldri slippe av syne. Det blir replikkordskifte. Alkohol er ifølge Verdens helseorganisasjon den nest største risikofaktoren når det gjelder sykdomsbyrde i Europa, og det samme gjelder helseutfordringene i Det viser seg også at alkohol er den drivende faktor for alle tunge rusmisbrukere. Vi vet at tilgjengelighet og pris har størst innvirkning med tanke på alkoholbruk. Fremskrittspartiet har likevel gått i spissen når det gjelder å øke taxfree-kvotene, med det resultat at taxfree-salget har økt med 20 pst. fra juli i år i forhold til juli i fjor. Hvor lang tid vil det ta før Fremskrittspartiet ser sammenhengen mellom alkoholpolitikken og de helseutfordringene vi har? Er det helt greit for Fremskrittspartiet at man gjør det enda verre for de fem prosentene som ikke mestrer økt tilgang til alkohol, på bekostning av de andre som ønsker seg økt komfort? Det er litt spesielt å få spørsmål om hvorfor vi lar noen bytte bort sigarettene sine mot to flasker vin, når representanten selv tilhører et parti som økte kvoten. Vi har altså ikke økt samlet kvote, men vi har flyttet tobakken over til vin for dem som ønsker det. Det har også vært en strategi, fordi vi har ønsket å få ned antallet som røyker – det har vært så utrolig viktig for oss i et folkehelseperspektiv. Tallet er stadig nedadgående, men det er faktisk også antallet som drikker alkohol. Ungdom begynner å drikke alkohol mye senere, og tallene er nedadgående. Det betyr at vi gjør mye riktig når det gjelder å gi folk kunnskap om hvor farlig overforbruk er. Da forstår jeg det sånn at begrunnelsen er at når man fjerner røyk, er det greit å øke alkoholdelen. Jeg har et annet spørsmål, og det går på at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for en forsøksordning med statlig finansiering innenfor eldreomsorgen, men det er veldig uklart hva man legger i det. Jeg har prøvd å gå inn på nettsidene til Fremskrittspartiet, og da vises det til at kommunene har for lite ressurser til å kunne tilby god nok eldreomsorg. Vil det ikke da være enklere heller å øke tilskuddet til kommunene, eller har man så liten tiltro til lokalpolitikere og til at de kan prioritere det? Det er veldig usikkert. Er det sånn at det blir gitt en blankofullmakt til kommunene, slik at de kan gi hva de vil av tjenestetilbud og så betaler staten, eller er det sånn at man skal overstyre omsorgen til alle over en viss alder, sånn at staten går inn og overtar hjemmehjelp, hjemmesykepleie, Det er veldig uklart hva det er for noe. Jeg går ut fra at Arbeiderpartiet mener at når de har sittet i regjering i åtte år, har de gitt kommunene det rommet de trengte for å gi en god eldreomsorg. Samtidig tror jeg at Arbeiderpartiet er enig i at vi ikke har greid det. er altså ikke bare det økonomiske rommet som er avgjørende for om vi får en riktig eldreomsorg i alle kommunene. Noen er veldig flinke, noen klarer det ikke – det er for store forskjeller. Det er derfor vi skal prøve ut med et prøveprosjekt. Innretningen av det vil vi komme til Stortinget og fortelle om når vi har

Pasient- og brukaromboda i Noreg meiner forslaget vil svekkja pasientrettane til kvar enkelt pasient. Legeforeininga åtvarar mot å innføra dette innanfor rus og psykiatri. Psykologforeininga fryktar auka byråkratisering, og den fryktar for kvaliteten på tilbodet. Vil Framstegspartiet revurdera sitt syn om fritt behandlingsval, eller vil verkeleg Framstegspartiet tvangsinnføra ei ordning i norske helsevesen som ingen vil ha, som svekkjer offentlege sjukehus, og som svekjer dei svakaste pasientane sine rettar? Det gleder meg at man kaller dem som sliter med rus og psykiske helseproblemer, de mest ressurssterke pasientene. Det tror jeg de ville satt pris på bli kalt. Jeg tror nok ikke at Fremskrittspartiet har noe ønske om å reversere dette. Hvis vi går inn i høringssvarene, vil vi se at det ikke er knusende kritikk, men man er skeptisk på forskjellige områder, og det spriker i alle retninger. Det handler mer om at man er mest opptatt av å verne sitt eget felt. Hvis man ser på hva rusorganisasjonene og de som jobber med psykisk helse – de som er opptatt av pasienten – sier, mener de at dette er veldig bra, rett og slett fordi slik det er i dag, dør folk i kø mens det finnes ledig kapasitet der ute. Dette er personer som vet at de trenger hjelp, og som har spesielle ønsker for hva slags hjelp de vil ha, og den er vi villig til å gi dem.

er kommet fra WWF, som viser at dyrebestandene internasjonalt er gått ned med 50 pst. i løpet av de siste 40 årene. Det er en dramatisk endring og en stor katastrofe som, om vi ikke håndterer den riktig, er en krise i seg selv på grunn av det mangfoldet vi mister, men også en krise økonomisk og utviklingsmessig med de konsekvensene det har både for mat, landbruk, fiskeri og annet. Disse to klimautfordringene, og også det som angår å ivareta naturområder, krever et godt og sterkt internasjonalt engasjement fra Norges side. Vi må jobbe med en egen klimaavtale, vi må jobbe for å få avtaler, og følge opp, og for målsettingen om at naturområder ikke skal reduseres fram mot 2020. Vi trenger å styrke Det grønne klimafondet – de 200 mill. kr som regjeringen foreløpig har varslet, er altfor lite, både med tanke på hvordan klimafondet skal ha mulighet til å fungere i seg selv, for å gi et signal også internasjonalt om at dette er viktig, og for å lette arbeidet med en ny klimaavtale fram mot 2015. Et felt hvor Norge gjør et betydelig og viktig arbeid, er regnskogfeltet. Der oppnår vi imponerende resultater, og vi er helt klart en ledende nasjon. Også når det gjelder å ivareta det biologiske mangfoldet, er dette en sentral oppgave som vi følger opp. Jeg må si at jeg med spenning ser fram mot den diskusjonen vi skal ha om Statens pensjonsfond utland og endringer i mandatet for å få dette fondet til å fungere i en mer klimavennlig retning. Mye må gjøres ute, men vi må samtidig gjøre langt mer hjemme. Jeg synes det er ganske påfallende at når regjeringsrepresentantene ramser opp det de mener man har gjort ekstra innenfor klimafeltet i året som har gått, er det ett tiltak – kanskje det viktigste – man ikke nevner, nemlig økningen i mineraloljeavgiften. Når vi skal jobbe fram et budsjett for neste år, er det viktig at det gjelder ikke bare å si det man mener, men at man også gjør det man sier. Det viktigste virkemidlet vi kan ha på kort sikt for å nå de klimamålene vi har satt oss fram mot 2020, er å sette i gang med et grønt skatteskifte nå. Det å forurense må bli dyrere, mens alternativene må bli billigere. Når Venstre snakker om at vi skal forsterke klimaforliket, handler det ikke bare om å finne på nye tiltak. Da handler det om at vi skal vi ha tiltak som gir større effekt, sånn at vi når målet om å komme ned på 47 millioner tonn i CO2-utslipp i 2020. Da må tiltakene stå i forhold til dette. Det gjelder også satsing på kollektivtrafikk, det gjelder satsing på jernbane, vi må fortsette elbilsatsingen, og vi må få i gang ny teknologi og ha nye pilotprosjekter. Vi er også fornøyd med at regjeringen tross alt erkjenner at olje ikke lenger vil være motoren i vår økonomiske vekst, som det står i trontalen. Også innenfor petroleumssektoren må vi tenke nytt. Vi må se på CO2-avgiften, vi må ivareta sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi må til slutt også se på en ny vurdering av risikoen når det gjelder nye letekonsesjoner innenfor petroleumssektoren. Her påtar staten seg nå all risiko.

budsjettet, er de fattige barna. Det er kutt i uførepensjonens barnetillegg og i overgangsstønaden, og man treffer med kirurgisk presisjon de familiene, lavinntektsfamiliene, de enslige forsørgerne, der de fattige barna bor. Har Venstre en sosial samvittighet der det går en grense, slik Kristelig Folkeparti har, og vil Venstre stå på at kampen mot barnefattigdom skal prioriteres, og bli med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti på å stoppe denne typen kutt? Nå er det ikke sikkert vi blir med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, men vi har akkurat gjennomført et eget seminar om barnefattigdom for nettopp å få fram de ulike tiltakene. Dette er et viktig felt for Venstre, og det handler om en tydelig prioritering innenfor det budsjettet som jo tross alt nærmer seg Dersom partiet Venstre er opptatt av ikke bare å skjerme barnefamiliene, men av å komme barnefattigdommen til livs, vil et godt sted å begynne være å reversere denne typen planlagte kutt, nettopp fordi det rammer de fattigste barna med kirurgisk presisjon. Det er i disse familiene de fattige barna bor. Når vi vet at overgangsstønaden er en stønad man kan få dersom man ikke har arbeid, men som kvalifiserer for å komme ut i arbeid og aktivitet, og at alternativet for disse familiene er at disse enslige forsørgerne ender opp med sosialhjelp: Synes representanten Elvestuen at dette er et kutt som partiet Venstre, som alltid sier at de er opptatt av barnefattigdom og arbeidslinja, kan godta? Nå skal vi se på det budsjettet som kommer, og så skal vi komme med vårt alternativ til det. Når det gjelder barnefattigdom, må vi se på hele systemet, også hvordan barnevernet spesielt virker. Det er klart at de som går inn i barnevernet i dag, har altfor dårlige resultater når de kommer ut igjen og blir voksne. Vi trenger å bygge opp et profesjonelt system omkring den enkelte for å få langt bedre resultater enn det vi har i dag. Også innenfor fattigdom handler det om å lage gode sosiale rammer som gjør at ikke får en forsterkning – erfaringen viser at dette kan forplante seg i flere generasjoner. Det er et sett av virkemidler som må settes sammen, og Venstre vil definitivt prioritere å lage det settet av virkemidler som gjør at vi styrker kampen mot barnefattigdom. Det må dette budsjettet også reflektere når det endelig vedtas i desember.

Men det er også stor usikkerhet knyttet til bl.a. Statnetts rolle når det gjelder å utløse nye investeringer på vindkraftsida, på Fosenhalvøya. Så opplever vi også at man på en måte gir med den ene hånda og tar med den andre hånda. Rett før sommeren fjernet regjeringen med et pennestrøk hele Statskogs satsing på fornybar energi. Ved å ta et ekstraordinært utbytte på 57 mill. kr fjernet de hele muligheten til å kunne bidra til utbygging av småkraft sammen med private småkraftutbyggere. Synes Venstre det var et godt bidrag til å kunne oppfylle det grønne sertifikatmarkedet og dermed bidra til et grønt skifte? Vi trenger å ha en satsing på de grønne sertifikatene. Jeg synes også det er veldig bra at avskrivingsreglene nå endres. Det innebærer også en del dilemmaer når det gjelder klassisk Vi trenger å skjerme de viktigste områdene. Det er ingen grunn til å gå inn i de mest kontroversielle områdene for å få på plass fornybar energi. Når det gjelder satsing på biodrivstoff og å bruke biobrensel, trenger vi også der å se på ulike virkemidler for å satse på Tidligere i stortingsmøtet i dag nevnte jeg rapporten som Jens Stoltenberg og Felipe Calderón var med på, The New Climate Economy, som veldig sterkt anbefaler at man slutter å investere i store infrastrukturprosjekter, som driver fram bruk av fossilt drivstoff og store utslipp av klimagasser, og i stedet velger å ting som har mer bærekraftig retning. Da vil jeg spørre Ola Elvestuen om noe jeg vet han kjenner godt til, nemlig E18, som vi vet kommer til å koste 50 mrd. kr – 40+10. Det kommer til å bli et dyrt prosjekt, hvis det ikke skaleres betydelig ned og man bruker de store pengene på investeringer i fornybar energi. Er Ola Elvestuen enig i at det er nødvendig å gjennomgå dette prosjektet på nytt? Problemet med E18 vestover er ikke miljøkonsekvensene av prosjektet. Det kan fungere godt ved at man får flyttet veien under bakken og får et grønt lokk. Man får for så vidt en kortvarig kapasitet, men ikke helheten. Problemet med E18 vestover er prisen og kostnaden ved den. Det som er helt avgjørende, er at den kostnaden ikke må gå ut over nødvendige kollektivtiltak i Oslo-området, enten det gjelder T-banen til Fornebu eller jernbaneinvesteringer. For å klare det trenger man en gjennomgang for å se på muligheter for å nedskalere prosjektet. Replikkordskiftet er omme. Dei to faktorane som verkar mest kriminalitetsførebyggjande, er å ha ein jobb å gå til og ha folk rundt seg som bryr seg om deg. Politikarar kan ikkje vedta nærleik mellom menneske, men me kan senka terskelen for deltaking. Politikarar kan sjeldan vedta jobbar, men me kan skapa grunnlag for vekst, tilsetjing og gode løns- og arbeidsvilkår. Sånn heng arbeidsliv, kulturpolitikk og kommuneøkonomi tett saman med det å skapa tryggare samfunn. Når kriminalitet hamnar på politiets bord, har samfunnet allereie svikta. Det er ei politisk oppgåve å skapa samfunn som er velfungerande, som inkluderer og som gjev moglegheiter. Det er sjølvsagt ikkje mogleg å eliminera kriminalitet totalt – ikkje for noko parti, ikkje for noka regjering men det er mogleg å redusera grunnlaget for kriminalitet i eit samfunn. Då treng ein fleire verkemiddel enn det eit justisdepartement kan rå over. Arbeidarpartiet vil ha ein sterk kommuneøkonomi, det gjev gode oppvekstvilkår. Me vil ha eit lyft for kulturlivet, det gjev demokratisk debatt, og det gjev fleire arenaer for å delta. Me vil ha ei god utdaning for alle. Det gjev fleire moglegheiter, jobbar og framtid. Og me vil ha eit sterkt politi, for politiet set dei grensene som politikarane ikkje klarte. Forventningane om politisk handling på dette feltet er store. Etter Gjørv-kommisjonen har det vore betringar, det har vore framsteg, men avstanden mellom det folk forventar, og det folk ser, er framleis der. Ei av dei viktigaste reformene på feltet ventar me Regjeringa melde i trontalen at det ville koma eit forslag til «ny politistruktur». Eg reknar med at reforma ikkje berre vil handla om struktur, men òg ta føre seg kva ein vil fylla strukturen med. Eg registrerte difor med litt undring representanten Margunn Ebbesens replikk til Trond Giske tidlegare i dag. Ho sa at i debatten om politireforma sit Arbeidarpartiet på Det er feil. Me har reist rundt og møtt politidistrikta rundt om i landet. Me har òg kome med konkrete forslag til innhald. For eksempel har Arbeidarpartiet allereie varsla at me meiner arbeidet med kultur og leiing må vera ein viktig del av politireforma. Kultur er ikkje noko ein endrar over natta. Det krev eit langsiktig, omstendeleg arbeid på alle nivå – operativt, taktisk, strategisk og ikkje minst politisk. Det er noko av grunnen til at Arbeidarpartiet har invitert til tverrpolitisk debatt om korleis me frå Stortinget og justisministeren frå departementet kan understøtta dette arbeidet. I det lyset vert då replikken frå Høgre litt lite melodisk. Politireforma som Høgre og Framstegspartiet jobbar med, er på overtid, men eg ser fram til at dei kjem i mål, sånn at me kan ha ein open demokratisk diskusjon om ho på Stortinget. Arbeidarpartiet vil vera med på å gje brei forankring til denne reforma. Me vil gi politiet den føreseielegheita dei treng, og me vil gje folk eit sterkare politi. I vår moderne tid har justispolitikk på mange måtar vorte einsbetyande med det å slå ned på kriminalitet, men ordet «justis» kjem av latin og betyr rettferd. Rettferd er òg å førebyggja. Eg la merke til at justisministeren snakka om heilskapen i det justispolitiske arbeidet i innlegget sitt i denne debatten. Det er eg glad for, men eg la òg merke til at han i den heilskapen ikkje nemnde ordet «førebygging». Arbeidarpartiet meiner at det alltid er betre å førebyggja at kriminalitet skjer, enn å ha gode tiltak for å reparera i ettertid. Me kan ikkje reparera vekk frykta ei kvinne som har vorte slått, følte då slaget kom. Me kan ikkje reparera vekk tapet til ein far som har mista sonen sin på grunn av kriminelle handlingar som andre har stått for. Me kan ikkje reparera barne- og ungdomsår som har gått bort i ein omsorgssvikt som aldri vart sett. om ein treng handlingsplanar og strategiar for tiltak som må verta sette i verk når noko har gått gale, er dei krafttaka me verkeleg treng, å førebyggja, førebyggja og førebyggja. Eg har forventningar til at regjeringa ser desse linjene, og at ein i budsjettet, som kjem seinare denne veka, legg krafta der ho trengst mest, ikkje berre
Neste taler er representanten

Hofstad Helleland,

Heldigvis har vi nå en regjering som er i gang med å fornye transportsystemet, slik at folk kan komme seg trygt og raskt til og fra jobb og varene komme enkelt inn og ut av landet. Heldigvis har vi nå fått en regjering som tenker helt nytt innenfor samferdsel, og det er på tide. For i dag er veinettet for dårlig, det er for stort vedlikeholdsetterslep, jernbanen må rustes opp, og en kollektivsatsing må til. Det blir ikke nødvendigvis mer vei og bane av bare å benytte gammeldagse løsninger og videreføre byråkratiske og ineffektive systemer som ikke virker. Hva betyr regjeringens satsing konkret? Jo, det betyr f.eks. at veiplanlegging, som i dag tar i snitt ti år å gjennomføre fra man setter spaden i jorda, reduseres. Regjeringen er derfor i gang med å kutte planleggingstiden, vi har fremskyndet 25 prosjekter ved å bevilge mer til planlegging. Vi har skåret igjennom og foretatt trasévalg og gitt raske avklaringer. Et eksempel fra min hjemby, Trondheim, er en avklaring av hvor godsterminalen skulle ligge. Det har det tatt ulike regjeringer 20 år å diskutere, for denne regjeringen tok det 6 måneder å avklare. Veier som tidligere er bygd klattvis og delt, skal nå bygges mer helhetlig og effektivt. Derfor oppretter regjeringen et eget veiselskap som skal gi raskere planlegging og mer sammenhengende utbygging av store veiprosjekter. Også innenfor luftfarten finner vi løsninger som gjør livet enklere for folk flest, som forenklet transfer. Fra neste år vil det være mulig å reise videre innenlands uten å sjekke inn bagasjen på nytt. De rød-grønne startet å øke bevilgningene til jernbanen. Det var bra, men de gjorde dessverre nesten ingenting med systemene. De var opptatt av å bruke mer penger, vi er opptatt av bedre resultater. For å få et bedre jernbanetilbud for folk og gods ønsker vi bl.a. å åpne for konkurranse. Jeg er opptatt av å finne bærekraftige samferdselsløsninger som kan stå seg i mange tiår frem i tid. Jeg håper at Arbeiderpartiet også vil tenke seg godt om før de i stedet for å forsvare gamle løsninger som ikke virker, heller ser på mulighetene for å få forankret en mer moderne og fremtidsrettet samferdselspolitikk som kan stå seg i mange Byene våre vokser. De vokser fort, og de vokser tettere. Det er bra for utviklingen, og det er bra for miljøet. Men i dag stiller det også store krav til investeringer i kollektivtrafikken i byene. Derfor har regjeringen forpliktet seg til å gi 50 pst. statlig støtte til de store kollektivtiltakene – tiltak som de rød-grønne stemte imot så sent som for ett år siden. Det var derfor veldig interessant i dag å høre representanten Gahr Støre i et svar si at det alltid var deres plan å gi 50 pst. støtte til de store kollektivtiltakene. I forslaget fra Arbeiderpartiet i Nasjonal transportplan ligger det nemlig ikke noen lovnader om forpliktende finansiering. Det er selvfølgelig representanten Gahr Støres privilegium å ville endre Arbeiderpartiets politikk men det er ikke i representanten Gahr Støres makt å endre historien. Historien viser tydelig at Arbeiderpartiet var imot 50 pst. investeringstilskudd for de store kollektivtiltakene. Mens historien viser at Arbeiderpartiet var imot, er det gledelig at Arbeiderpartiet nå har snudd. som Arbeiderpartiet må svare på, er likevel: Hvilke tiltak i distriktene er det som skal vike når Arbeiderpartiet nå vil gi mer til byene uten å øke rammen? Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen følger opp det vi lovte, og vi er godt i gang med samferdselsløftet vårt. Det vil gi en bedre transporthverdag for næringsliv og for hver og en av oss. Kø og forsinkelser har store kostnader, derfor er det viktig å investere i transportløsninger som vil gi en bedre hverdag for Mye går bra i Norge. Det har over flere år gått bra i Norge på mange viktige områder. Vi har lav arbeidsledighet. Vi har høy sysselsetting – blant begge kjønn. Vi har mange positive trender. Samtidig er tallene ikke nødvendigvis helt korrekte når vi sammenligner dem med resten av Europa. Norge har også en betydelig andel personer som ikke er i statistikkene, som står helt utenfor arbeidslivet, og som dermed ikke kommer med i disse statistikkene. Selv om mye går bra, er historien full av eksempler på nasjoner og f.eks. bedrifter som har gått bra, men som ikke har klart å omstille seg. Den amerikanske kameraprodusenten Kodak var verdensledende. I 2003 omsatte de for godt over 100 mrd. kr, men valgte ikke å fornye seg. I 2012 måtte de søke om konkursbeskyttelse. Hvis man ser på næringslivet i resten av Europa som våre bedrifter konkurrerer med, ser man at de har vært igjennom en tøff finanskrise. De har hatt betydelige omstillinger og har klart å fornye seg. Norge har gjennom de siste åtte årene ikke foretatt den nødvendige moderniseringen, effektiviseringen og fornyelsen. Jeg er glad for at vi nå har fått en handlekraftig regjering, som er klar på at vi skal trygge arbeidsplassene og bidra til at flere mennesker skal kunne bruke sin arbeidsevne helt eller delvis. Vi mener at dette gir enkeltindividene frihet, slik at de i større grad skal kunne forsørge seg selv. For å få til det har vi nå en regjering som styrker bedriftene gjennom å redusere skatte- og avgiftsregimet, som har tidenes satsing på samferdsel, ikke bare økonomisk, men også organisatorisk, slik at vi får bygd mer vei for de pengene vi bevilger, og mer jernbane. Vi skal også få bygget det raskere og rimeligere, fordi vi har en regjering som tør fornye og effektivisere. Vi har en regjering som reduserer byråkratiet. Mange av disse grepene gir mange gode effekter. Vi vet at hvis vi øker produktiviteten i Norge med kun 0,2 pst. årlig, vil det bety mer for vår velstand enn avkastningen av oljefondet i 2060. Ingen mennesker er helt A4. Det finnes ikke noen standardmennesker. Vi vet at den arbeidsmiljøloven vi har i dag, i stor grad bygger på et samfunn som har vært i stor forandring. Jeg er glad for at vi nå har en regjering som ønsker å modernisere arbeidsmiljøloven – gjøre den mer tilpasset dagens situasjon og sørge for at døren inn til arbeidslivet er videre og bredere, slik at flere mennesker skal kunne jobbe. Om det ikke nødvendigvis er 100 pst., kan det være at noen mennesker i hvert fall har noe restarbeidsevne. Da må vi legge til rette for at folk skal kunne benytte seg av den. Den store debatten nå om dagen dreier seg om noe som Stortinget egentlig vedtok for flere år siden – å gjøre det lettere å